fra 1965 til 1977. Som representant satt han først i kirke- og undervisningskomiteen og de to siste periodene i kommunal- og miljøvernkomiteen. Han var deretter fylkesmann i Troms fra 1977 til 1990. Med sine vidtfavnende kunnskaper og sin lune stil var han etterspurt som leder og medlem av offentlige utvalg. Han ledet bl.a. to kommuneinndelingsutvalg, de såkalte Han var styreleder for Oljedirektoratet fra 1977 til 1989, ledet Reindriftsstyret fra 1980 til 1987, var medlem av Forsvarskommisjonen av 1990 og ledet samtidig det offentlige utvalget til å vurdere sivilt beredskap. Han var i mange år medlem og senere styreformann i Finsk-norsk kulturfond. Blant annet for sitt engasjement for finsk-norsk samarbeid ble han i 1985 utnevnt til Kommandør av Finlands Vita Ros’ orden. Han mottok også Kong Olav Vs 25-års jubileumsmedalje i 1982. Martin Buvik var født og vokste opp i tidligere Trondenes, senere Skånland kommune. Han tok middelskoleeksamen i 1939, men krigen satte en stopper for videre utdannelse inntil han kunne ta Examen artium som privatist i 1945. Han viste tidlig pedagogiske evner. Allerede som 19-åring ble han konstituert lærer i folkeskolen i Skånland, og han virket der og i Evenes som lærer fra 1942 til 1947. Senere ble det studieopphold i England. I Høyre startet han sin karriere som distriktssekretær for Troms Unge Høyre, 1948 til 1950, og var fylkessekretær i Troms Høyre fra 1950 til 1965. Han var medlem av Tromsøysund kommunestyre fra 1956 til og av Tromsø bystyre fra 1964 til 1967. Han fikk viktige tillitsverv for Høyre sentralt, bl.a. som formann for Høyres utdannelseskomité fra 1966 til 1970 og formann for Høyres landskommunalutvalg fra 1972 til 1977. Troms Høyre utnevnte ham til æresmedlem i 1997. Martin Buvik var en inspirasjon for mange og bidro villig med gode råd og erfaringer. i form og sterk i innhold, alltid positiv og med glimt i øyet. Helt til det siste stilte han opp på politiske møter, tok ordet og delte kunnskaper, analyser og meninger. Det forteller mye om hans sterke og lange samfunnsengasjement. Vi lyser fred over Martin Buviks minne.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse at møtet fortsetter utover kl. 16, til dagens kart er ferdigbehandlet. Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. En

er tuftet på og også gir som resultat –er noe av det mest fredelige hjørnet i verden. Nordisk råd ble etablert i 1952. Det har lang tradisjon. Parlamentarikere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar i dette arbeidet, men det gjør også representanter fra det lokale parlamentet i det som er selvstyrte områder, som Færøyene, Grønland og ikke minst Åland, som også er en del av dette samarbeidet. Den internasjonale situasjonen tilsier at det er et behov for nettopp å få til et tettere samarbeid. Det er spesielt viktig at Norden tydelig støtter opp om det overnasjonale samhold og samarbeid når Europa står i en krevende brytningstid. Det er vel verdt å merke seg at etterspørselen etter nordiske løsninger, f.eks. innen likestilling og klima, er større og bredere enn noen gang. Norden har et unikt internasjonalt omdømme og er også synlig på viktige internasjonale arenaer. Samarbeidet i Norden spenner stadig dypere, både i offentlig og i privat sektor. Det er positivt at arbeidsmarkedet i Norden er integrert, at det fungerer stadig bedre, og at det er enklere å bo i ett land og arbeide i et annet og bevege seg mellom de ulike landene. Det er også verdt å se hen til at regjeringen nettopp vil satse videre på å utvikle nordisk kjøpekraft, men også omstillingsevne, og kan i så måte vise til «Norden i omstilling» som et hovedsatsingsområde under nettopp 2017-formannskapet i Nordisk ministerråd. Satsingen på et strategisk nordisk partnerskap i Europa og på utenrikspolitikken er også blitt viktigere, som følge av en mer uforutsigbar internasjonal utvikling. utvikling. Det nordiske regjeringssamarbeidet skal også være praktisk. Det skal være nyttig. Det skal utgjøre en forskjell for folk. Det skal merkes i hverdagen at vi har et arbeid i Nordisk råd som mellom venner og naboer har for øye at det nettopp skal bli enklere for folk, men at det også skal utgjøre en forskjell. Løsning av grensehindre og styrking av mobilitet er fortsatt en viktig praktisk del av dette samarbeidet, ved at vi også anerkjenner at det er et felles språk og ved at vi også anerkjenner at det er et felles språk og en felles kultur, og at det har stått sentralt i Norden at det er felles verdier, og slik sett også representerer det som kan oppfattes som og kalles lim i samarbeidet. Den viktigste satsingen i samarbeidet i 2017 har vært innen de allerede etablerte prosesser på en rekke samfunnsområder, så Nordisk råds arbeid spenner bredt og dypt. Det har vært en rekke sentrale områder i det norske formannskapet for 2017. Særlig har komiteen i sin behandling av saken merket seg at Nordisk ministerråd etter norsk initiativ har satt i gang en utredning, nettopp for å se på og analysere behov og potensial for en norsk finansieringsordning for risikoinvestering i bedrifter i en tidlig fase. Videre har vi i vårt arbeid merket oss de erfaringer med nordisk samarbeid som ble presentert på det nordiske statsministermøtet som fant sted i Bergen i fjor. Det er verdt å se fram til resultatene av et nordisk program for reduksjon av plastavfall, materialgjenvinning, effektive avfallssystemer, marin forurensning av mikroplast og dessuten økt kunnskap om biobaserte og nedbrytbare alternativer til plast. Dette er et arbeid som er svært viktig. Det er nødvendig og viktig å se hen til at vi samarbeider i Nordisk råd om dette, og at det følges opp av regjeringene. Det er viktig at Nordisk ministerråd arbeider med samferdsel og kommunikasjon, bl.a. for å se om det er mulig å utvikle en jernbanestruktur på tvers av de landegrensene som berøres av dette. Det er også verdt å merke seg at den norske vektleggingen av Norden i Europa under formannskapet reflekterer regjeringens prioritering av europapolitikken, og også følger opp de ambisjoner som Finland satte på dagsordenen da de hadde formannskapet, «mer nordisk nytte i EU». Og det er vel verdt å anerkjenne at Nordisk ministerråd har fått et nytt arktisk samarbeidsprogram, som er kalt Nordisk partnerskap for Arktis, nettopp for den perioden som vi er inne i nå, fra 2018 og fram til 2021. De nordiske lands ulike tilknytning til NATO og EU setter også visse begrensninger for hvor langt det nordiske samarbeidet kan gå på enkelte områder. Samtidig bidrar det stadig nærmere samarbeidet mellom NATO og EU, Finlands og Sveriges nære samarbeid med NATO og Norges nære samarbeid med EU til at mulighetene for nordisk samarbeid blir større enn tidligere. Nettopp i en situasjon som vi internasjonalt er i nå, er det av stor viktighet og betydning.

Det er nær kontakt, dialog og vilje til tilpassing på tvers av regelverk og landegrenser gjennom 65 år som har lagt grunnlaget for det integrerte Norden, slik som vi opplever det i dag. En viktig forutsetning for oppslutningen og interessen for å videreutvikle det nordiske samarbeidet er at det oppleves som dagsaktuelt, at det og at det tar opp i seg spørsmål som landets innbyggere er opptatt av. Vi skal alle sammen med glede konstatere at oppslutningen om det nordiske samarbeidet i våre folk er økende og veldig tydelig. Det skal vi glede oss over når vi behandler denne saken i Stortinget i dag. Det som vi kaller «den nordiske modellen», med et relativt høyt skattenivå, gode statlige ytelser ved sykdom, gratis utdannelse og en god folkepensjon. Dette er en viktig del av det som kalles den nordiske modellen, og jeg mener at dette er en forutsetning for den sterke folkelige støtten for nordisk samarbeid.

Modellen og samarbeidet bygger også på et sterkt demokrati og folkestyre. Det vil nok kanskje være statsvitere som protesterer på det jeg nå sier, men jeg vil ikke desto mindre si at det at de nordiske landene og den nordiske den nordiske modellen er så sterke og har en så sterk folkelig støtte, henger sammen med at de nordiske landene – mer enn andre land – er sterkt folkelig styrt, at demokratiet er sterkt og styrende. Den sterke rettsstaten følger selvfølgelig i forlengelsen av dette, relativt små forskjeller, en stor offentlig sektor, men først og fremst humanismen – at vi i de nordiske landene er i stand til å se på hverandre som likeverdige borgere, og at vi lever i et menneskelig og humanistisk samfunn. Samarbeidet i Nordisk råd, som jeg nå er en del av, bærer preg av ønsket om å ivareta og bygge videre på dette fine grunnlaget. Norden er sterk i verden fordi vi har disse verdiene, og fordi det er balanse i samfunnet. Vi har på det grunnlaget vunnet fram mer enn mange andre land har klart. Det Det nordiske samfunnet står sterkt og har høy autoritet i den internasjonale sammenhengen. Derfor er det viktig å få sagt at vi reagerer med glede – noen ganger også med forundring – når kollegaer fra andre land kommer hit til oss for å se og lære, som de sier. De spør også noen ganger – jeg har i hvert fall hørt det ganske mange ganger hvordan vi har fått til dette. Det er ofte et spørsmål. Jeg mener at svaret på det spørsmålet er det som jeg for så vidt allerede har sagt, nemlig at vi har et sterkt folkestyre, og at vi ser på hverandre som likeverdige mennesker. Norden og det unike samarbeidet er vellykket for menneskene, men ikke bare for dem. Det er også en vellykket økonomisk modell. Balansen i samfunnet, slik det er beskrevet, skaper gode muligheter for stabil fortjeneste og avkastning. Jeg vil si, med et lite smil om munnen, at det faktisk er blitt en vellykket kapitalisme i de nordiske landene på grunn av disse forholdene. forholdene. Det er en viktig erkjennelse man kommer til i andre land, og derfor søker man seg også hit. De som selvfølgelig er interesserte i å tjene penger på pengene sine, kommer også til Norden nettopp av denne grunnen: Det er stabile samfunn som kan gi stabil avkastning. Dette skaper internasjonal oppmerksomhet og blir omtalt i de internasjonale økonomiske miljøene med stor oppmerksomhet og tyngde. Men – og dette har jeg sagt før, men jeg vil gjenta det – til tross for alt som vi egentlig er veldig enige om i denne salen når vi snakker om det nordiske samarbeidet, er det noe som, mer enn andre ting, ved alle korsveier er meget viktig å få sagt at ikke må utfordres. Jeg har sagt ordene – at vi ser på hverandre som likeverdige. I forlengelsen av det vil jeg si at retten til å søke om asyl i de nordiske landene må være reell. Vi skal selvsagt ha sikre grenser, de som ikke får opphold, skal tilbake, men vi må ikke snakke nedsettende om dem som skal være her. Det har med den nordiske modellens kulturelle og sosiale innhold å gjøre. Vi må for all del heller ikke – innenfor den nordiske sfæren – utfordre disse menneskenes rettssikkerhet. Dette er avgjørende spørsmål. Dette vil avgjøre om den nordiske modellen bærer for framtiden. Norden og Norge er også avhengig av disse menneskene. Det blir sagt altfor sjelden, og derfor har jeg lyst til å legge vekt på det. Vi er faktisk avhengig av disse menneskene. Mange av disse menneskene gjør et arbeid i de nordiske samfunnene som det ellers hadde vært nesten umulig for oss å få gjennomført, hvis de ikke hadde vært til stede i de nordiske samfunnene. Derfor er det også på dette grunnlaget nødvendig å beskytte dem, og det er nødvendig å ønske dem velkommen. Dette utfordres med jevne mellomrom, også i de nordiske parlamentene og i Nordisk råd, og derfor går jeg ikke forbi denne diskusjonen når vi nå diskuterer denne meldingen i Stortinget. Dette er et kjernespørsmål. Det nordiske samarbeidet og Nordisk råds oppgave er derfor å beskytte disse menneskene og avvise alle forsøk på å på å bygge moralske murer rundt det vi kaller den nordiske velferdsstaten. Så til noe helt annet: Europeisk politikk vil det neste året bli preget av en rekke utskiftninger og omrokkeringer: Vi kjenner alle til alt det som knytter seg til brexit. I slutten av mai skal det avholdes valg i Europaparlamentet. Deretter skal også en ny EU-kommisjon utnevnes og godkjennes. Forhandlingene om EUs neste sjuårsbudsjett, for perioden 2021–2027, er allerede i gang. En rekke politiske veivalg skal tas, og nye kabaler skal legges. I slike sammenhenger gir det liten mening å snakke om en nordisk blokk i Europa. Norge og Island er heller ikke EU-medlemmer. Vi skal ikke overvurdere Nordens betydning, men vi skal heller ikke undervurdere betydningen som et nordisk samarbeid potensielt kan spille i det europeiske samarbeidet. Jeg vil særlig trekke fram den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, med trepartssamarbeid og øvrige særtrekk. Som nordiske politikere bør vi arbeide for at den nordiske modellen skal inspirere både europeiske institusjoner og nasjonale myndigheter. Arbeidet for å framheve den nordiske modellen må også innebære å ta på alvor og bekjempe trusselen mot vår nordiske arbeidslivsmodell, f.eks. ulike former for sosial dumping og undergraving av arbeidsfolks vilkår. Her i Norge skal vi kunne ønske europeiske arbeidstakere velkommen, men bare om det skjer basert på norske lønns- og arbeidsvilkår. Til slutt: I disse dager er det nøyaktig 70 år siden forhandlingene om en egen nordisk forsvarsunion kom i gang mellom regjeringene i Stockholm, København og Oslo. Samtalene startet i mai 1948, få måneder etter kuppet i Praha og den kommunistiske maktovertakelsen i Men historien tok som kjent en annen vei. Et snaut år senere, i Washington den 4. april 1949, ble både Danmark, Island og Norge med på å grunnlegge Atlanterhavspakten. Når vi i dag diskuterer videreutviklingen av norsk forsvarssamarbeid, handler det ikke om å skru klokken 70 år tilbake og realisere planene om en egen nordisk forsvarsunion selvsagt gjør det ikke det. Likevel er det fremdeles et betydelig uutnyttet potensial for et tettere nordisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Dette blir et av de viktige områdene som kan videreutvikle den nordiske modellen og det nordiske samarbeidet.

Og som de to foregående har vært inne på: Vi må også se det nordiske samarbeidet inn i et større europeisk samarbeid, slik representanten Kolberg var inne på. Det er omgivelser rundt oss som er skiftende, men i Norden har vi heldigvis hatt relativt stabile forhold og gode nordiske samarbeidet ble etablert i 1952. Derfor vil jeg konsentrere meg aller mest om å tenke framover mot 2050 og 2052, når vi nærmer oss at et nordisk samarbeid forhåpentlig har vart i hundre år. Vi har gjort mye riktig, men hva skal vi gjøre de neste årene for å beholde den kontinuiteten og den velferdsutviklingen vi har i våre nordiske land? Jeg har, i og med at jeg også er medlem av Nordisk råd nå, fått oppleve noen av de samarbeidsinstitusjonene som vi har, og et nordisk samarbeid mellom land og institusjoner må ta litt tid. Noen opplever at det at det går litt på tomgang. Jeg opplever ikke det. Jeg forstår at dette må ta tid, og derfor må vi også ha tålmodighet. Men det er like fullt mulig å gjøre endringer i arbeidet i Nordisk råd, og jeg kunne godt tenke meg en nordisk trontaledebatt der også partilederne er til stede. Nå har også statsministerne begynt å prioritere Nordisk råd høyt, og vi har temabolker i Nordisk råd, men jeg kunne altså også tenke meg at vi hadde hatt en årlig nordisk trontaledebatt der også partilederne er til stede – at vi hadde tatt dette på et høyere nivå. Vi kunne også tenke oss et årlig nordisk tema – forsvar kunne ha vært et tema, og velferd og energi. Det er mye å velge mellom. Det er også et EU som er i endring når brexit trer i kraft og Storbritannia skal ut. Men det er ulike meninger om det i Storbritannia, og Skottland ønsker seg et nært samarbeid med de nordiske landene og vil sågar kanskje til og med inn i Nordisk råd – uten at det er noen diskusjon her i våre land, men i Skottland har jeg opplevd at det er et tema. De er også drøyt fem millioner mennesker, det er olje og gass der, det er fisk, det er et utdanningssystem som er veldig på linje med det norske, og et er et utdanningssystem som er veldig på linje med det norske, og et helsevesen som har tatt litt avstand fra sitt opprinnelige britiske arvegods, og som ser mot Norden. Det er i hvert fall mye å samarbeide om. Baltisk råd har kommet opp og fungerer. Dette er ikke nødvendigvis tida for å inkludere det i et større Nordisk råd, men i hvert fall samarbeidet her oppe i nord seg stadig og er viktig. Og når representanten Kolberg tar opp Nordens posisjon i det nye Europa og det nye EU, kan vi tenke oss et litt smalere, strammere EU, der Norden faktisk kan innta en enda tydeligere posisjon, og der det går en nord–sør-linje i EU hvor Norden har en betydelig innflytelse. innflytelse. Da er nordisk samarbeid kanskje et av de aller viktigste redskapene og vår kanal inn til det internasjonale samarbeidet, noe vi kanskje snakker litt for lite om i Norge i dag: hvor viktig det innarbeidede samarbeidet i Norden er, når alle landene rundt oss er medlemmer i EU, bortsett fra Island. Jeg må si litt om energisamarbeidet, i og med at jeg er leder i energi- og miljøkomiteen. Vi har hatt et svært tett samarbeid innenfor energi i 25 år, vi har sammen utviklet det mest velfungerende energisamarbeidet i Europa. Det har tatt tid. Så er det slik at vi satser litt ulikt i dag: Finland satser mye på atomenergi, Sverige mye på bioenergi; Norge har vannkraften som den store fornybare ressursen, Danmark har vind. Men sammen kan vi forske og gjøre enda mer utviklingsarbeid sammen, og det er viktig når vi nå ser at nye land satser stort på fornybar energi knyttet til særlig sol og vind. Og mer utviklingsarbeid sammen, og det er viktig når vi nå ser at nye land satser stort på fornybar energi knyttet til særlig sol og vind. Og når digitaliseringen samtidig raser av sted, er det viktig at Norden følger med i timen. Hver for oss har vi ikke nødvendigvis musklene og kapasiteten til det, men sammen har vi altså greid å utvikle et verdensledende samarbeid, og det bør vi fortsette å gjøre. Derfor er det veldig viktig at Nordisk råd nå har tatt tak i energisamarbeidet å fortsette å lede an og samarbeide mer knyttet til det. Det er viktig også for Norge at vi følger med på det. Så til demografien, som er felles over store deler av Europa: Vi sliter med en aldrende befolkning, fødselstallene går ned, og det skaper utfordringer knyttet til å opprettholde velferd når andelen skattebetalere går ned. Det er derfor også viktig at vi samarbeider om behovet for arbeidskraft og type arbeidskraft, men også – som representanten Kolberg var inne på – om det å åpne for å ta imot folk fra andre deler av verden hvor det pågår kriser eller er andre grunner til at folk vil flytte på seg.

og hvor det er en større tendens til at unge flytter sørover. Det er veldig viktig. Jeg skal ikke gå så mye inn på helsesamarbeid, men det er klart at vi har en helsesektor som er veldig lik, og vi er nødt til å samarbeide mer for å møte de store utfordringene vi har knyttet til helse. Det å samarbeide om å verifisere utdanninger og jobbe på tvers har vi vært gode på, men ny teknologi, nye utdanningsformer og nye sykdommer gjør at vi må fortsette dette samarbeidet.

Verden er i rask endring. Usikkerheten og uforutsigbarheten er høy. Da blir samarbeidet med våre nærmeste ekstra viktig. For i usikre tider trenger man venner, og i Norden er vi ikke bare venner, vi er familie. Min erfaring er at et sterkt og samlet Norden står godt rustet til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Vi er omstillingsdyktige. Vi har sterke institusjoner. Vi har også et verdifellesskap med tillit, åpenhet og demokrati og også små forskjeller. Vi har et unikt samarbeid som er utviklet gjennom 50 år, et samarbeid som stadig styrkes både i dybde og i bredde, slik det er dokumentert i meldingen vi debatterer i dag. I 2017 hadde Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet. De tre hovedpilarene i formannskapet, Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden, er brukt som tematisk inndeling i meldingen. Jeg mener at denne tilnærmingen også viser sammenhengen mellom det lokale, det regionale og det globale at vi har et ansvar og verktøy for å få utviklingen i riktig retning. Norden i omstilling handler om hvordan vi skal sikre Norden en sentral plass i det globale grønne skiftet. Behovet for omstilling er stort i møte med økt globalisering, strengere klima- og miljøpolitikk, nye forretningsmodeller, digitalisering, ny teknologi og nye forbrukstrender.

Jeg hadde selv ansvaret for den nordisk-baltiske konferansen som endte med at vi vedtok Digital North, som også har hatt stor betydning for EUs arbeid med deres digitale agenda. I dette adhocsamarbeidet som er innledet mellom digitaliseringsministrene i Norden, ser man nå spesielt på eID, 5G og kunstig intelligens. intelligens. Det er ingen tvil om at hvis vi lykkes med å få muligheten til å logge oss inn på offentlige tjenester i andre nordiske land med vårt eget personnummer eller egen eID, vil det ha stor betydning for studenter, for arbeidstakere og for bedrifter. Det vil bringe det nordiske samarbeidet videre og gjøre det enda mer relevant. I meldingen beskrives hvordan vi i Norden skal bruke våre respektive fortrinn til å møte dagens utfordringer i samspill mellom myndigheter, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv på tvers av landegrensene. Sammen skal vi utvikle et enda mer differensiert og konkurransedyktig næringsliv, som skaper fremtidige arbeidsplasser og sikrer et nyskapende og inkluderende Et fungerende og økonomisk sterkt Europa er avgjørende for de nordiske landenes økonomi, velferd og trygghet. Europas utfordringer er Nordens utfordringer. Gjennom satsingen på Norden i Europa understreker vi viktigheten av nordisk samhold og samarbeid i europapolitikken. Med faglig kunnskap, høy tillit og et sterkt omdømme kan Norden fungere som inspirasjon og foregangsregion i den europeiske politikkutformingen. Ikke minst når Europa står i en krevende brytningstid, er det viktig med et tydelig Norden som støtter opp om europeisk samarbeid. Meldingen tar for seg noen av områdene hvor Norden har gode forutsetninger for å ta en ledende rolle, bl.a. energi, arbeidsmarked, klima og Nordisk samarbeid handler også om å bygge trygge rammer. Uforutsigbarheten i verden setter oss på nye prøver. Gjennom satsingen på Norden i verden fokuserer vi på det strategiske nordiske partnerskapet i utenrikspolitikken. Ulik tilknytning til EU og NATO setter imidlertid enkelte begrensninger. Men ulik tilknytning gjør også at vi kan utfylle og støtte hverandre. Og i en tid grunnleggende internasjonale prinsipper utfordres, er det enda viktigere at Norden står sammen og tar en aktiv rolle globalt. De nordiske landene er ikke like. Vi er fem demokratier som tar suverene valg. Men tilliten, samholdet, interessefellesskapet og den folkelige oppslutningen gir oss et unikt utgangspunkt for samarbeid. Det samarbeidet skal vi ivareta og videreutvikle.

I tillegg har et intensivert, altså et styrket, samarbeid stor legitimitet. Over 90 pst. av innbyggerne i Norden mener at nordisk samarbeid er viktig, og to av tre mener at den internasjonale utviklingen taler for et tettere samarbeid. Som representanten Kolberg sa tidligere i dag, er økende oppslutning i folket en stor styrke. For å si litt mer om den globale utviklingen: Den er mer uforutsigbar og mindre ordnet enn vi har vært vant til. Vi bør framover være forberedt på en internasjonal dreining der USA ikke lenger dominerer, slik de har gjort i etterkrigstiden. Det er også et realistisk scenario at velkjente og viktige internasjonale institusjoner svekkes, noe som igjen kan gi Norden et potensial for å fordype og videreutvikle samarbeidet på flere samfunnsområder og med bred støtte i befolkningen. Et viktig område er nettopp det Kolberg var inne på, utenriks- og sikkerhetspolitikk, ved å samarbeide om felles sikkerhetsutfordringer som et supplement til NATO. Allerede nå har vi mye å tjene på å lære av hverandre og samarbeide om felles løsninger, ikke minst når det gjelder de viktige Derfor har jeg lyst til å løfte fram at man som resultat av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 fikk vedtatt en erklæring om digitalt samarbeid. Dette vil kunne styrke den digitale omstillingen og næringslivets konkurranseevne i Norden og fremme et indre marked. Men det er særs viktig at regjeringen følger opp handlingsplanen for digitalt samarbeid på konkrete områder. Dessverre, og det har jeg tatt opp tidligere, har den norske regjeringen så langt satset lite på digitalisering, både i utdanning, i forskning og i arbeidslivet nasjonalt. Det trengs et taktskifte for å ruste oss for den digitale omstillingen i Norge og for å bidra til å dra nytte av et nordisk samarbeid. Til slutt: Et viktig poeng i rapporten fra Ministerrådets eksterne ekspertgruppe som kom med anbefalinger om det framtidige utdanningssamarbeidet i Norden, er at de særlig peker på behovet for engasjement og forankring hos politisk ledelse. Jeg vil derfor avslutte med å oppfordre de ansvarlige statsrådene til å merke seg dette: For at det nordiske samarbeidet skal styrkes, må det bli viktig

Vi som er valgt inn i Nordisk råd, opplever en vitalisering av det nordiske samarbeidet. Interessen for Norden og nordiske løsninger er stor. De nordiske landene skårer høyt på internasjonale rangeringer som måler lykke, velferd, likestilling, demokrati, rettstrygghet og innovasjonsevne. Mange er nysgjerrige på våre velferdsløsninger, på hvordan vi arbeider, og på hvordan vi lever. I Norden er vi små land hver for oss, men med en felles kulturarv og et ganske likt levesett. Verden utenfor oss ser ofte ikke på oss som enkeltland, men som én region. Det ligger et stort potensial og mange muligheter i det å bli mer opptatt av oss selv som en nordisk region. Dette potensialet bør vi bli flinkere til å utnytte. Jeg mener ikke dermed at vi skal viske ut de nordiske landegrensene, men at vi skal fjerne unødvendige grensehindre som har oppstått mellom oss, og styrke mobiliteten på tvers av Dette arbeidet er høyt på agendaen i Nordisk råd. Når de nordiske land ser hverandres fortrinn, utnytter det og bruker potensialet som er der, og samarbeider godt over landegrensene, blir også de enkelte land mer synlige hver for seg, til tross for at vi av mange blir oppfattet som ett stort land eller én region. Det gir økt tilgang til markeder, og det enkelte land kan påvirke mer. I 2017 hadde Norge formannskapet i Nordisk ministerråd, og da var temaet «Norden i omstilling» et av hovedsatsingsområdene. Økonomisk vekst og innovasjonsevne er avgjørende for nordisk velferd, og samarbeidet i Norden skal støtte opp om dette, om de enkelte lands klimamål, det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål. Regjeringen ønsker at det nordiske regjeringssamarbeidet skal være praktisk, nyttig og utgjøre en forskjell for folk. Derfor er samarbeidet forankret i den politiske plattformen Jeløya-erklæringen. Å fjerne grensehindre og øke mobiliteten over landegrensene er en viktig del av dette samarbeidet. En annen praktisk og viktig del av samarbeidet er det statsråden snakket en del om – det digitale samarbeidet. De nordiske ministrene med ansvar for digitalisering vedtok i 2017 en nordisk-baltisk erklæring om digitalt samarbeid. Det skal styrke regionens digitale transformasjon og næringslivets konkurranseevne. Det er også opprettet et eget ministerråd for digitalisering i Norden, og Norge har fått en viktig lederrolle innen digitalt samarbeid, med innføring av en felles eID i Norden, som vi har vært mye opptatt av i Nordisk råd. Dette vil ha stor betydning for folks hverdag, for dem som bor i ett land og arbeider eller studerer i et annet nordisk land. nordisk land. «Nordisk samarbeid for bedre helse 2017–2019» er også et prioritert satsingsområde. Ett av målene er å legge til rette for nordisk helseforskning på helseområder der de aktuelle pasientgruppene i hvert enkelt land er for små. Ser vi Norden under ett, er pasientgrunnlaget mye større, med 25 millioner, og vi har gode helseregistre som vi kan utnytte bedre. Nordisk ministerråd har bidratt med midler til tre delprosjekter innenfor IKT-løsninger, utveksling av helsedata og kliniske studier for utprøving av medisin. Sosial trygghet, forebyggende tiltak og tilrettelegging for innovasjon og forskning er de viktigste satsingsområdene for det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet. Som leder av Velferdsutvalget i Norden de siste to og et halvt årene har jeg fulgt tett med på dette arbeidet, og det skjer mye spennende og mye viktig. Nordisk ministerråd og Nordisk råd følger bl.a. opp anbefalinger i Bo Könberg-rapporten, som anbefalte et tettere nordisk samarbeid, spesielt på legemiddelområdet. Høsten 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på informasjons- og erfaringsutveksling om legemiddelpriser og refusjoner. Her er det mye å hente i et godt nordisk samarbeid. Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag. Hvis vi ikke får ned overforbruket av antibiotika, kan vi om noen år igjen oppleve at folk dør av noe så vanlig som en lungebetennelse. Norge og de nordiske landene er i dag internasjonale pådrivere i kampen mot antimikrobiell resistens. Utfordringene og tiltakene på dette området må ses i en global sammenheng og i et perspektiv der folkehelse, dyrehelse og miljø blir sett i sammenheng Det er etablert en nordisk One Health AMR strategigruppe og en ekspertgruppe for å styrke det nordiske samarbeidet og utvikle felles nordiske posisjoner i dialogen med EU. Her ser vi allerede frukter av det nordiske samarbeidet. Da EUs kommissær for helse og mattrygghet i juni i fjor la frem EUs nye handlingsplan mot antibiotikaresistens i Europaparlamentet, åpnet han med å vise til Norge og de nordiske land – et eksempel på at nordisk samarbeid er viktig.

de nordiske land hver måned. Skal vi beholde og utvikle det samarbeidet i Norden, er vi avhengig av å ha gode og moderne kommunikasjonsmuligheter. Da snakker vi om bane, vi snakker om sjø, og vi snakker om luft. De nordiske statsministrene har deklarert at Norden skal være verdens mest integrerte region, og på en del områder er det også slik. Men vi ser at transportområdet i Norden Jeg ser at under «Samferdsel» på side 11 i meldingen står det at «Samferdselssektoren er ikkje med i det formaliserte nordiske regjeringssamarbeidet». Jeg har lyst til å si at slik kan vi ikke ha det. Dette burde man nå Jeg registrerer også at komiteen i sine merknader har skrevet at det er viktig at Nordisk ministerråd arbeider med samferdsel og kommunikasjon. Det er veldig bra at komiteen skriver det. Jeg kunne ønsket at man hadde gått enda litt lenger, men det er en god inngang. Nordisk råd hadde sesjon på Akureyri for noen uker siden. De tok dette inn over seg, og de gjorde et enstemmig vedtak på transportområdet. Egentlig fattet de 15 ulike vedtak i en bolk. Jeg har bare lyst til å nevne noen få av dem som særs viktige. Det ene er at man betingelsesløst skulle diskutere alternative finansieringsmetoder for å få på plass samfunnsøkonomiske investeringer som krysser riksgrenser. Nordisk råd mente også at man kunne lage et nordisk fond som kunne finansiere utredninger, analyser, planarbeid osv. som berører transportinfrastruktur, og som strekker seg over riksgrensene i Norden. Det var også et vedtak om utredning av flaskehalser og hvordan næringsliv og arbeidsmarked i distriktene kan utvikles gjennom å tenke på parallelle eller alternative transportveier. Så til det siste punktet, som i hvert fall jeg oppfatter som et av de tyngste.

at man ber om at man oppretter et ministerråd for transport. Jeg håper statsråden kan svare positivt på at det ønsker man i hvert fall fra norsk side å bidra til, for skal Norden – og dermed Norge – fortsatt være et av verdens fremste samarbeidsregioner, må altså muligheten til å forflytte gods og mennesker være på plass. Da kreves det et godt overblikk og en god samordning. Der ligger utfordringen til statsråden, og den er altså gitt av et enstemmig Nordisk råd. Det nordiske samarbeidet er råd. Det nordiske samarbeidet er svært viktig. Vi har mange felles verdier i Norden som det organiserte samarbeidet videreutvikler og styrker. Det organiserte samarbeidet mellom nordiske parlamentarikere i Nordisk råd er en av hovedgrunnene til at det nordiske samarbeidet stadig videreutvikles. Norden har for store deler av sine områder et felles forståelig språk, språk, noe som er viktig å videreføre. Derfor er det viktig at de nordiske språkene brukes under samlingene, og at en aktivt tolker der det er nødvendig. De nordiske landene har hatt åpne grenser lenge før Schengen-avtalen ble vedtatt. Verdien av det har vært svært tydelig på Nordkalotten, hvor folk også tradisjonelt har beveget seg fritt, uten hensyn til landegrensene som etter hvert ble trukket. I deler av Nord-Norge lever flere språk ved siden av hverandre, og det er like naturlig å bruke norsk, samisk, kvensk og finsk. Dette eksempelet illustrerer at grensene ikke har stengt for nordisk samkvem. Som finnmarking føler jeg meg hjemmehørende på Nordkalotten, at dette er en region som har tette språklige, Håpet er at det alltid skal være slik. Nordisk råd har tatt opp viktige saker hvor vi kan få utrettet mer gjennom samarbeid enn hvert land alene. Et eksempel på dette er tilstanden i verdens hav, knyttet til forurensing – særlig plast – og forvaltning av fiskebestander. Disse områdene er særdeles Norge har et stort havområde på over 2 mill. km 2 som vi forvalter. Det gir Norge som nasjon tilgang til naturressurser, både fornybare og ikke-fornybare. Våre fiskeressurser har ført til bosetting, sysselsetting, eksportinntekter og økonomisk velstand langs vår lange kyst. Havet er rikt, og vi som nasjon er heldige som har den tilgangen på havet som vi har. Norge forvalter sine fiskebestander i den hensikt at de skal være bærekraftige og gi avkastning hvert år. Bestandene må ikke overfiskes, da kan i verste fall en bestand kollapse. For 2018 er våre fiskekvoter for hvitfisk, altså torsk, hyse og sei, 600 000 tonn. Norske fiskerier eksporterte for over 100 mrd. norske kroner i 2017. Det betyr mat til verdens befolkning og inntekter til fiskerinæringen og nasjonen Norge. Norge arbeider for å eliminere det såkalte UUU-fisket, det fisket som er ulovlig, uregulert og urapportert. Ved å få kontroll over UUU-fisket kan en forvalte fiskebestandene bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Kontroll over UUU-fisket ville ikke vært mulig uten at Norge hadde satset på forskning knyttet til havet. Havforskningsinstituttet i Bergen driver et omfattende vitenskapelig arbeid knyttet til bestandsforskning, overvåkning av bestander, fiskeribiologi og den generelle tilstanden i havet. Vi har mange utdanningsmiljø langs kysten knyttet til maritime næringer, samt oppdrett og fiskeri. Kompetansen på dette området i Norge er høy og kan overføres til andre land. For å høste av havets rikdommer i et generasjonsperspektiv er det viktig at verdenshavene ikke forurenses. Vår forpliktelse er å holde våre havområder rene og ikke forurenset. Det er et arbeid som krever både holdningsendringer hos dem som er brukere av havet, og kraftfull innsats fra våre myndigheter slik at dette området reguleres og kontrolleres. Det må innsats til på flere felt: Vi er alle urolige over plast i havet. Vi fikk en øyeåpner da det strandet en hval som hadde magen full av plast, ikke mat. Vi har øyer av plast som flyter rundt i verdenshavene, vi har mikroplast som tas opp i fisk og andre levende organismer,

Når det gjelder sjøtransport, både av folk og av gods, står vi foran en teknologisk revolusjon, og den maritime næringen går foran med stor innovasjonskraft. I Norge har vi mange fergestrekninger. Den første helelektriske fergestrekningen er i gang på strekningen Anda–Lote. Fergene har batteripakker, og det er utbygd infrastruktur med hensyn til Den første elektriske sjarken er i full drift i Karlsøy kommune i Troms. Utviklingen går i rekordfart, og det er spennende å følge med. Infrastrukturen for batteridrift og elbåter er ikke på plass ennå samt at størrelsen på batteriene også må ned hvis de skal kunne brukes av alle typer båter. På dette området må det handling og innovasjon til. Vi vet at vi kommer til å få autonome, selvkjørende skip i løpet av kort tid.

Norge har gått i bresjen for å forbedre søk og redning i nordområdene. Ved ulykker er det avgjørende at det er tilstrekkelig kapasitet på dette området. En båtulykke med et cruiseskip eller en godsbåt i de nordlige farvannene kan få katastrofale konsekvenser for mannskap og passasjerer og utslipp som rammer fiskebestander og sjøfugl. Vi er så heldige at vi får høste av havets ressurser, vi har derfor forpliktelser knyttet til å forvalte disse ressursene slik at havet fortsatt er rent. Arbeiderpartiet er glad for at Norden står sammen om disse utfordringene. Til slutt vil jeg si at som finnmarking er jeg svært glad for det finske initiativet knyttet til å bygge jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes. Det vil styrke Nordkalotten, det gir oss store muligheter til alternative reise- og godsveier og vil som sagt kunne bidra til ytterligere å styrke denne regionen. Takk, president – forresten fra den ene president til den annen. Vi er regionen. Takk, president – forresten fra den ene president til den annen. Vi er så heldige at vi kan smykke oss med vakre titler også i Nordisk råd. For tiden er jeg president i Nordisk råd, parlamentarikerdelen, og representanten Kolberg er min utmerkede kollega og tjener som visepresident. Det er flotte benevnelser vi har. Det går på rotasjon, så Det er flotte benevnelser vi har. Det går på rotasjon, så man skal ikke legge for mye i det. Allikevel er det et viktig prinsipp at alle deltar, enten det er i disse tillitsvervene eller i delegasjonen som bærer det praktiske arbeidet, enten vi har formannskapet i Ministerrådet, som vi hadde i fjor, eller, som tilfellet er i år, at vi har presidentskapet. På slutten av debatten i en enstemmig innstilling må man ha som ambisjon å kunne si noe nytt. Da vil jeg for det første si at medrepresentanter ikke bør la seg lure av at det er en enstemmig innstilling, for det er mye politikk som diskuteres i Nordisk råd. Men det som er en begrensning i ønsket om å komme videre i fellesbeslutningene i Nordisk råd,

nasjonalforsamlinger. Da må vi jo også se oss selv litt kritisk utenfra. Jeg er helt enig i det som er sagt av saksordføreren og min gode kollega i presidiet når det gjelder det nordiske samarbeidet, men når vi stiller opp visjoner om å bringe samarbeidet videre uten å tilføre det mer overnasjonalitet, vil vi konstatere at det er andre arenaer i Europa som er viktigere for utviklingen av en felles regelhorisont enn Nordisk råd. Det er

Det andre er den konvensjonen vi har om menneskerettighetene. Der har domstolen, også gjennom en dynamisk fortolkning, tilført det europeiske området en rettsdannelse som vi skal være glad for, men jeg konstaterer igjen at når det gjelder de andre rettsdannende og rettsavklarende

har man en budsjettramme på ca. 1 mrd. kr. Det ligger jo litt overnasjonalitet i å kunne bevilge til de nordiske institusjonene og de nordiske prosjektene. Men jeg vil samtidig si at det er en stor oppgave også for oss som deltar på den folkevalgte siden og i tillegg har oppgaver å skjøtte i våre egne nasjonalforsamlinger, å passe på både at den måten vi arbeider på i Nordisk råd, er effektiv at vi ikke bruker for mye tid, for da kan man fort finne ut at et år går utrolig raskt, og så har man ikke kommet særlig mye lenger – og at vi samtidig må holde trykket oppe og evaluere våre prosjekter. Gir de de gevinster som vi innbilte oss da de kom inn på budsjettet? La dem få litt tid, selvfølgelig. Det er viktig. Men kan de forsvare sin plass etter fem, etter ti, etter femten år? Det må vi også stille kritiske spørsmål til. I det hele tatt, samtidig med at vi

rapporteringsperioden som ligger på bordet her, for representantene. Det er nemlig slik at vi har merket oss at Færøyene, Grønland og i og for seg også Åland, som er landskapsområder innenfor sine stater og gjør seg gjeldende i sine nasjonale delegasjoner, i større og større utstrekning markerer behov eller ønske om å bli deltagere i det interstatlige samarbeidet i Norden. Det er noe jeg ikke skal anvise noen løsning på her, men det er en problemstilling som både Stortinget og Stortingets delegasjon vil måtte forholde seg til i tiden som kommer. Det andre som vi arbeider med – og den som har hjulpet oss med det, er og den som har hjulpet oss med det, er Inge Lorange Backer, som har laget en rapport bestilt av Ministerrådet – er det enkle ønsket om å se om vi kan samordne mer av lovgivningsarbeidet i de nordiske lovgivende forsamlingene på en måte som gjør at vi ikke skaper nye grensehindringer. I dag har vi et grensehinderråd som gjør oss oppmerksom på skal vi si mer reaktivt – effekten av forskjellig regelutvikling i de fem land, og så prøver vi å file av kantene og knastene i ettertid. Men det er også en stor oppgave å samarbeide om regelutviklingen slik at vi ikke bevisst går inn i en ny ulikhet som kan gjøre det nordiske samkvemmet vanskeligere. vanskeligere. Da må vi bare innrømme at det er EU som i større grad enn det vi selv makter, er den store regelintegrator, særlig når de kommer med forordninger, for da blir jo reglene innført ord for ord i fem nordiske land samtidig. Men det hadde også vært kjekt hvis vi av eget tiltak kunne utvikle en større grad av Det neste punktet jeg vil gjøre Stortinget oppmerksom på, er et tiltagende problem med at det til slutt bare er de skandinaviske deltagerne som benytter skandinavisk når vi snakker. Det kan stille forsamlingen overfor det ikke ønskverdige valget at man enten må mangedoble tolkeutgiftene eller vurdere å gå over til engelsk som et subsidiært arbeidsspråk. Jeg bare nevner det her at dette kan bli en problemstilling. Vi har gledeligvis i løpet av det nordiske samarbeidets levetid oppdaget at vi har fått nye naboer som er selvstendige land. Jeg tenker på de tre baltiske land, som tidligere var sovjetrepublikker, og som var tjoret fast i i en sentralmakt som ikke tillot spillerom. Vi har gledeligvis siden murens fall sett fremveksten nå i 25 år av selvstendige demokratiske land som har kommet utrolig langt. Jeg mener også at Nordisk råd i tiden som kommer, må utvikle mer systematiske samarbeidsordninger med de nye demokratiske land, slik at Norden-begrepet kanskje også kan, med fordel, utvides til å gjelde alle Østersjø-stater som gledeligvis har gått gjennom en demokratisk utvikling, og som ikke preges av de tilbakeslagene som enkelte andre land nedover i den tidligere sovjetiske innflytelsessfære dessverre kan gi av eksempler. Jeg vil også nevne NORDEFCO, ikke er et operativt forsvarssamarbeid, men kan samarbeide om både planlegging, øvelsesstruktur og anskaffelser. Det kan også være spørsmål om man på et tidspunkt bør reise spørsmål om de baltiske lands medvirkning her. Det siste i denne sammenheng – for ikke å la det føre for langt her – er om vi i Norden også kan integrere våre energiløsninger på en måte som er med på å skape større grad av energiuavhengighet i vår del av verden. Det er store spørsmål, og det er det som nettopp gjør det givende å treffe kolleger fra andre land. Vi er organisert partivis, så de konservative og moderate kreftene er sammen i sin gruppe, og de sosialdemokratiske er sammen i sin gruppe, og midten er i en gruppe, og andre – så vi utvikler også et tverrstatlig politisk samarbeid som er givende, ikke minst når man knytter kontakter på det personlige plan. Dermed vil jeg også avslutte dette innlegget med å takke mine kolleger i den norske delegasjonen, som jeg har hatt gleden av å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

En ser nå nemlig at innretningen på avgiftene fører til en skjevhet i fordelingen av avgiftsbyrden. Det er slik at små fly med få seter har en vesentlig høyere avgift per passasjer enn store fly med mange seter. I tillegg er det en vesentlig forskjell mellom korte og lange ruter. Det er større avgifter på flygninger tur–retur Stokmarknes–Bodø enn Noen av avgiftene baserer seg på vekt og andre avgifter på antall flyseter. Konsekvensene er uansett at billettprisene blir så høye at det svekker konkurranseforholdet til andre transportmidler. Flygningene på kortbanenettet blir i store deler av landet betraktet som kollektivreiser. Avstandene er store, og andre reisemåter blir tungvinte og tar lang tid. tid. Det er derfor viktig at ikke avgiftene fører til at det kuttes utilsiktet i antall flygninger. Mindretallet i komiteen mener at en må endre avgiftene, slik at mindre fly ikke har høyere avgift per passasjer enn store fly – og eventuelt slik at miljøavgifter differensieres etter reiseavstand. Gjennom det vil en da følge prinsippet om at forurenser skal betale. Det er imidlertid også slik at innbyggerne i Nord-Norge ofte er avhengige av å reise langt for å komme kort. Hva mener jeg med det? Det betyr at reiser mellom flyplasser må foretas via Oslo. For eksempel må en reise mellom Kirkenes og Trondheim gjøres via Oslo. En gjennomgang av avgiftene må derfor også ivareta dette forholdet.

for en kommende elflyrevolusjon. Elfly vil i første omgang komme som relativt små fly, med relativt kort rekkevidde. De vil passe utmerket på dette nettet. Derfor er det også viktig at vi får opprettholdt aktiviteten på flyplassene, denne typen flyplasser, de neste ti årene. Når elfly overtar disse flygningene, blir det en løsning på reisemønsteret i store deler av landet. De blir billigere å fly, og de vil ikke forurense i særlig grad. Derfor foreslår Arbeiderpartiet og Senterpartiet at Stortinget ber regjeringen gjennomføre denne gjennomgangen av avgiftene og endre dem på en måte som ivaretar disse utfordringene. Hermed tar jeg på vegne av Arbeiderpartiet opp det forslaget vi har fremmet sammen med Senterpartiet i saken. Representanten Øystein Langholm Hansen har tatt opp det forslaget han refererte til. Kortbanenettet er

Regjeringspartiene har altså, med støtte fra Kristelig Folkeparti, gjennom et anmodningsvedtak i budsjettbehandlingen allerede bedt regjeringen legge fram en sak om en gjennomgang av luftfartsavgiftene. Der heter det: «Stortinget ber regjeringen vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde.» I tillegg har man satt inn et punkt hvor vi skal «vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart». Regjeringspartiene har altså med støtte fra Kristelig Folkeparti dermed allerede erkjent og ivaretatt behovet for en gjennomgang av luftfartsavgiftene. Jeg – og Høyre – er veldig opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i hele landet. Utfordringen for flytilbudet på kortbanenettet er i første rekke svak lønnsomhet og mangel på konkurranse på kommersielle flyvninger, med det materiell og de rammebetingelsene som nå foreligger. Brukerfinansiering til drift av flyplasser og luftfartstjenester er politisk godt forankret gjennom skiftende politisk flertall over tid, gjennom skiftende politisk flertall over tid, gjennom Avinor-modellen. Det er kun noen av de større flyplassene som går med overskudd, bl.a. gjennom innmatingen av passasjerer fra kortbanenettet. Taxfree-salget er også en viktig inntektskilde for driften av alle landets flyplasser. Dersom man tar utgangspunkt i at kortbanenettet er et viktig kollektivtilbud på linje med

så vidt jeg kjenner til, er det heller ingen togstasjoner som går med overskudd. Jeg mener man må tenke litt annerledes framover når det gjelder kortbanenettet, og jeg synes at kortbanenettet i langt større grad må sidestilles med annen kollektivtransport som storsamfunnet tar ansvar for. Vi ser også at det er en rivende teknologisk utvikling i flybransjen. Utviklingen av elektriske fly og bruk av andre vil om kort tid revolusjonere luftfartens miljø- og klimaavtrykk i transportsektoren. Det vil også senke kostnadene til flyoperatørene. Jeg tror også dette i økt grad vil sette luftfarten i fokus som kanskje den mest miljøvennlige transportformen i framtiden, og det vil øke konkurransekraften til flyselskapene. Å legge til rette for denne utviklingen med et framtidsrettet avgiftssystem og helhetlige strategier for luftfarten blir en viktig oppgave for regjeringen framover. I denne saken er vi altså enig med opposisjonen om det meste, men man slår inn åpne dører, og jeg ser fram til at regjeringen skal legge fram en sak om luftfartsavgiften. Regjeringa har gitt store skattelettelser til de aller rikeste i dette landet. Det må finansieres på

luftfartsavgiften. Regjeringa har gitt store skattelettelser til de aller rikeste i dette landet. Det må finansieres på et vis, og løsningen blir ofte nye avgifter. Finansminister Siv Jensen har økt avgiftene

Det er helt forkastelig at folk som trenger kollektivtransporten på kortbanenettet innad i et fylke, må betale mange ganger så høye avgifter som bermudashortsturistene. Næringslivet rammes også hardt, og flyselskapene, som prøver å få kommersielle ruter til å lønne seg, har opplevd en kraftig forverring i forholdene de siste årene.

avgifter per passasjer enn store fly. Avgiftene som er innført av miljøhensyn, må også differensieres, slik at reiseavstanden påvirker størrelsen på avgiften. Slik kan vi ta hensyn til prinsippet om at forurenseren skal betale, og beholde distriktflyplassene og avgangene der det er viktig for framtida. De nye elektriske flyene som er i testfasen, kommer, og flere peker på at det norske kortbanenettet er bra for er bra for en videre utvikling av denne teknologien. Avgiftssystemet bør være i forkant av teknologiutviklingen der mindre, utslippsfrie fly har fordeler i avgiftssystemet. Dette kan bli en ny æra for kortbanenettet, og jeg tror det ville gledet Håkon Kyllingmark, kortbanenettets far. Kyllingmark ble en kjent samferdselspolitiker da han var samferdselsminister i regjeringa Borten fra 1965 til 1971. Hensikten med kortbanenettet var å bedre kommunikasjonen i distriktene som er vanskelig tilgjengelig med andre transportmidler, hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti viser til regjeringsplattformen og budsjettbehandlingen og sier at de skal ha en gjennomgang av flyseteavgiften de har innført, og økt hvert eneste år de tre siste årene. Men om lavere passasjeravgift på mindre fly over kortere strekning er et viktig mål for dem, hvorfor ligger det ikke noe inne i forslaget til revidert Hvorfor sier departementet at det ikke finnes noen utredning av endring av luftfartsavgiftene? Norge er et av de få landene som har valgt en flat flypassasjeravgift. Både Sverige, Tyskland og England har differensiering på avgiftene; lange flyturer har høyere avgifter enn kortere flyturer. I tillegg er det verdt å nevne at regjeringa har økt merverdiavgiften på transport, fra 8 pst. til 10 pst. i 2016, og fra 10 pst. til 12 pst. i 2018. Forslaget vårt handler ikke kun om flypassasjeravgiften. Vi ønsker en samlet gjennomgang og endringer av luftfartsavgiften for å styrke tilbudet på kortbanenettet, og vi finner det merkelig at ikke regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti vil støtte dette. Konsekvensene er høyere billettpriser, som gjør det vanskelig for folk å leve og skape verdier ute i distriktene. Representanten Finstad sa at de allerede har erkjent at de har behandlet kortbanenettet urettferdig.

når lokalbefolkningen ikke har mange alternativer for å komme til destinasjonen i rimelig tid. Det er riktig å si at flytilbudet i Nord-Norge og Midt-Norge er å regne som et kollektivtilbud av nærmest ordinær art. SV er enig i at systemet har en skjev innretning når en sammenligner reiseavstand og avgift. Det tydeligste problemet med dagens system er at korte ruter med små fly i sum har en høyere avgift enn både korte og lengre ruter med store fly. Dette er ut fra et rettferdighetssynspunkt ikke bra, og det er heller ikke bra for et SV-hjerte å registrere. Det er greit å dreie konkurransefortrinn i en eller annen retning og forfordele hvis en har en hensikt med det, f.eks. av klimahensyn. Derfor er SV enig med forslagsstillerne når de skriver: «Dette kunne vore eit bra klimatiltak der andre transportformer var konkurransedyktige på reisetid, men slik er ikkje tilhøva i store delar av landet.» Vi er også enig med dem i at det er urimelig at det er høyere avgifter per passasjer tur–retur Stokmarknes–Bodø enn tur–retur Oslo–London, når de peker på prinsippet om at forurenser skal betale. Begge disse to tingene er vi selvfølgelig enig i, og det er viktig å påpeke det. Men hva så? Forslaget tar jo ikke opp i seg vurderinger av miljøhensyn og hensynet til klimagassutslippene. Sånn sett peker altså dette forslaget bare på ett felt innen avgiftssystemet med hensyn til hva man ønsker å endre på – ett eneste felt. Det er synd at ikke forslaget tar opp i seg en litt større bredde, som også innbefatter SV vil ha et avgiftssystem for flytrafikk som i tillegg til de poenger som Senterpartiet og Arbeiderpartiet argumenterer godt for, gir incentiver til mest mulig miljøvennlig atferd. Det kan som kjent veldig greit gjøres med avgifter. Vi har sett mange eksempler på at det funker. Det er en kjent sak at noen av Europas mest trafikkerte flystrekninger er innad i Norge, og at flytrafikk utgjør en betydelig andel av utslippene fra transportsektoren. Da må SV igjen poengtere at det å redusere flytrafikk generelt er et viktig bidrag til å nå klimamålene våre – som altså alle her i salen mer eller mindre er enige om. Derfor må enhver avgiftsendring i flytrafikken også vektlegge klimaeffektene, sånn at endring vil sikre innfasing av mer energieffektive fly, lavutslippsfly og etter hvert nullutslippsfly. SV kjenner til utviklingen med elektriske fly. Vi var nok av de første som fikk kunnskap om disse mulighetene. Og etter at vi nylig har avsluttet en komitéreise nord i landet, dvs. til Nordland, med Avinor-sjefen som godt reisefølge, kan vel ingen i komiteen i hvert fall ha unngått å høre om Avinors optimisme rundt dette – og godt er det. Men for de lengre strekningene, og ikke minst lange utenlandsruter, vil det ta mange år før nullutslippsløsninger er på plass – hvis det overhodet kommer. Såpass optimistiske må vi være, men det kan altså ta lang tid. Det tror jeg nok også komiteen er ganske enig om: Det vil ta tid. SV er derfor skeptisk til å be regjeringen gjennomføre en endring som foreslått, uten å vite hvilke avgifter som skal endres, og på hvilken måte, og uten utredning av hvilke effekter disse endringene vil ha. SV mener en fornuftig framgangsmåte er å utrede endringer i flyavgiftene, som både tar hensyn til prisene på kortbanenettet og ser på hvordan avgiftssystemet kan forbedres for å redusere miljøfiendtlig flytrafikk. Flytrafikken mellom Norge og utlandet er i vekst, det vet vi godt. Vi mener derfor at det i denne sammenheng også er naturlig å se på mulighetene for å miljødifferensiere flypassasjeravgiften, inkludert flyturer til utlandet, sånn Med andre ord: Senterpartiet og Arbeiderpartiets forslag er bra, men bare halvveis. SV er et distriktsparti og et miljøparti. Derfor har SV et eget forslag som avspeiler dette, og som jeg har argumentert for, og jeg tar opp det forslaget SV står bak i innstillingen. Representanten Arne Nævra har tatt opp det forslaget han refererte til. Innenfor flytrafikken må vi behandle saker ulikt for å oppnå et likt tilbud. Det er klart forankret innenfor flytrafikken i Norge, og Venstre mener det er til. Innenfor flytrafikken må vi behandle saker ulikt for å oppnå et likt tilbud. Det er klart forankret innenfor flytrafikken i Norge, og Venstre mener det er en god grunn til at staten kjøper flyruter for ca. 750 mill. kr for å legge til rette for dette. Representanten Finstad nevnte særlig dette om kollektivtilbudet, og han kjenner veldig godt til det, som selv bor i Lofoten og bruker flytilbudet. Det er helt klart at når man i Lofoten snakker om fly, er det det samme som når vi fra Trondheim eller Oslo snakker om buss, bane eller taxi. I flere distrikter i Norge er fly faktisk det eneste tilbudet for å bli fraktet til et annet område. Det er

Vi mener i Venstre det bra at Avinor har hånd om avgiftssystemet. De gjør det på en god måte, og ikke minst er de veldig lydhøre overfor utfordringer som eventuelt kan oppstå når det gjelder skjevheter. Så litt om framtiden for luftfarten i Norge. Venstre er helt klart skeptisk til at vi flyr så mye som vi gjør, på grunn av klimagassutslippene og de miljøutfordringene som vi har med fly. Nå har flere nevnt at vi var på komitéreise i forrige uke. Vi ble oppløftet når Avinor har så positiv innstilling til nye tiltak – ikke minst til elfly. Men det kanskje viktigste er at

fortsatt batteriteknologien som er utfordringen, men den vet vi er under rivende utvikling. Vi i Venstre vil gjerne være så offensive at vi begynner å sette dato eller årstall, på 2020-tallet – ikke vente til 2030 og utover det – men kanskje allerede i 2025 ha en klar en klar prioritering om at vi bør erstatte mange av de forurensende flyene som vi har i dag, med elfly. Vi ser fram til det. Så hører jeg representanten Mossleth blande inn flypassasjeravgiften. Den vet vi at Venstre også gjerne vil ha miljøtilpasset – flere land har gjort det.

slik at den får en miljøprofil, f.eks. differensiert etter flyreisens lengde. Altså vil vi at både miljø- og distriktsfaktoren skal veie tyngre ved fastsettelse av avgift, slik at miljø- og distriktsprofilen styrkes. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV stemte av en eller annen grunn imot forslaget, mens Rødt og Miljøpartiet De Grønne stemte for – og det, får en vel si, er en trøst.

og vi ber selvsagt ikke om en vurdering dersom vi ikke samtidig ønsker en endring. Vi mener det er behov for å se på justeringer. Vi ser at flypassasjeravgiften slik den er utformet i dag, kan ha noen uheldige konsekvenser, spesielt for distriktene. Da må vi justere for det. Det er ingen tvil om at luftfarten spiller en viktig rolle i landet vårt, og flytrafikken er en sentral del av kollektivtransporten i Norge. Luftfarten skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem med god tilkomst for alle. I tillegg skal transportsystemet dekke samfunnets behov for transport og fremme nasjonal og regional utvikling. Norge er et langstrakt land, og folk i Norge er avhengige av fly for å komme seg raskt og effektivt rundt i dette landet. Kristelig Folkeparti ser derfor på flyrutene som en viktig del av kollektivtilbudet, ikke minst i Distrikts-Norge. Derfor bør avgiftene ta mer hensyn til flyreisens lengde enn slik de er lagt opp i dag. Mange i Distrikts-Norge har fly på kortbanenettet som eneste alternative kollektivtilbud. Også på lengre innenlands flyreiser oppleves flyet som et viktig tilbud innenfor kollektiv. Derfor må vi nå som grunnlag for et nytt vedtak i Stortinget, som sikrer at flyavgiftene i større grad kan ta hensyn til flyreisens lengde, og oppnå den effekten med en styrket distrikts- og miljøprofil. Det regner jeg med at vi vil komme tilbake til, men da som en del av et opplegg basert på det arbeidet som nå pågår i regjeringen, og som har sitt grunnlag i budsjettforliket og Stortingets vedtak. Jeg er at vi vil komme tilbake til, men da som en del av et opplegg basert på det arbeidet som nå pågår i regjeringen, og som har sitt grunnlag i budsjettforliket og Stortingets vedtak. Jeg er glad for at vi diskuterer luftfarten på en positiv måte, der vi ønsker å gi et bedre tilbud, slik at flere kan reise med det. Ofte blir jeg møtt med kritikk fra deler av opposisjonen fordi det er for mange som flyr, Det viser litt den selvmotsigende argumentasjonen i kritikken mot regjeringen. Jeg mener vi skal legge til rette for å ha et godt luftfartstilbud. Det er viktig som en del av det lokale kollektivtilbudet – som det jo unektelig er mange steder i Nord-Norge, men også i Sogn og Fjordane – men det er også en viktig del av det å ha internasjonal ferdsel. Så det å bare snakke negativt om at vi har internasjonale flyruter, flyruter, vil i hvert fall ikke jeg støtte opp om, for det er en viktig del for norsk næringsliv og ikke minst for norsk eksport. Vi må både kunne se på hvordan vi investerer bedre i våre flyplasser – der har vi gjort mye de siste årene – og sørge for at det er attraktivt for flyselskapene å investere i nytt materiell og bruke mer miljøvennlig drivstoff. Der har Avinor gått foran på en god måte ved at Norge er et av de første landene som tar i bruk biodrivstoff i luftfarten, og Norge er et av de landene som absolutt ligger lengst fremme når det gjelder muligheten til å bruke batteri og elektrisitet som en del av flytilbudet. Det å kunne være til stede på en av Avinors konferanser her i Oslo for bare et par måneder siden og se hvordan aktører, både flyplassaktører og flyprodusentaktører, fra hele verden kommer til Norge fordi vi tar lederskap, synes jeg er oppløftende. Derfor er det ingen tvil i mitt sinn om at i løpet av noen tiår

har, der de tjener penger, som noe en skal prøve å bli kvitt! Da klarer en ikke å akkumulere nok kapital i flyselskapene til å kjøpe de nye flyene som alle ønsker skal tas i bruk. Derfor er det også noe selvmotsigende i den argumentasjonen som er blitt fremmet i denne debatten, om at det er veldig bra at folk flyr korte distanser, men at det nesten er grusomt om folk flyr lange distanser, det skal vi helst bli kvitt. Det er faktisk slik at begge deler henger sammen og gjør luftfarten både attraktiv og lønnsom. Jeg opplever at opposisjonen her slår inn åpne dører når det gjelder å gjøre justeringer i avgiftssystemet, både fordi Stortinget allerede har vedtatt at vi skal gjøre den jobben i regjering – og vi er i gang – og fordi regjeringen selv ser på det som viktig. Det står også i Jeløya-erklæringen. Vi skal se på endringer i luftfartsavgiften som gjør at en får bedre økonomi på korte distanser,

Den type arbeid er vi som sagt i gang med. Det vil jeg tro, og mene, er en mye bedre tilnærming enn det som Senterpartiet og Arbeiderpartiet her foreslår. Derfor er jeg glad for at flertallet i salen heller ser ut til å støtte opp om det arbeidet regjeringen er i gang med, enn å prøve å avspore det til å lage noe som er dårligere. Jeg bare minner om at det allerede i dag er 30 pst. rabatt på startavgiften på distriktsflyplassene. Det kommer altså de små flyene til gode. Det er store subsidier for å opprettholde flytilbudet i distriktene, 700–800 mill. kr i året. La meg derfor avslutningsvis få lov til å replisere litt til den urimelige kritikken som Senterpartiet kommer med, for er det noe parti i denne salen som har ønsket å øke skatte- og avgiftsnivået, så er det bl.a. Senterpartiet. I samtlige alternative budsjetter de siste fire–fem årene er skatte- og avgiftstrykket totalt sett enn det regjeringen har endt opp med i budsjettforlikene i Stortinget – mellom 6 mrd. kr–8 mrd. kr høyere bare i de to siste budsjettene. Det gir ingen mening å kritisere andre for at avgiftene angivelig er for høye, når en selv ønsker å øke dem – og mer enn doble dem, totalt sett. sett. I tillegg har jeg registrert at Senterpartiet også ønsker å beholde flypassasjeravgiften og lignende, som de likevel står på talerstolen og kritiserer. Det gir ingen mening i en saklig debatt. Det blir replikkordskifte. Det er

ser jo nå at den store aktøren på kortbanenettet legger ned flere ruter i høst. På bakgrunn av det og for å gi et signal til bransjen vil jeg spørre ministeren om han vil legge opp til å endre avgiftene, sånn at små fly med få seter og mange landinger får en rimeligere andel av avgiftene.

innbyggere i Lofoten. Men vi hører fra opposisjonens side at det er sendt noen signaler fra regjeringen om endring, og da er det enkle og greie spørsmålet igjen: Vil regjeringen fremme forslag i henhold til det forrige spørsmålet, og vil det eventuelt skje snarlig, f.eks. i forbindelse med statsbudsjettet? Når vil en sånn utredning eventuelt bli ferdigstilt?

Faktum er at arbeidet allerede er i gang. Det å skulle stoppe opp hele veien fordi Senterpartiet og Arbeiderpartiet plutselig opplever et problem og så skal gripe fatt i det, vil hele veien altså heller bremse regjeringen i dens arbeid framfor å speede det opp. Der vi gjerne kan være veldig uenige om hvor vi skal, er det spennende å få vedtak som kanskje korrigerer kursen. Men når vi faktisk er enige om hva vi vil, og regjeringen allerede er i gang, så er det å komme med forslag i Stortinget som skal korrigere den kursen, med på å bremse det, som sagt, ikke speede det opp. Regjeringspartiene skriver at de har foreslått en gjennomgang av flyseteavgiften, og at de etter Jeløya-plattformen skal ha en gjennomgang av avgiftene. Dersom forslaget om å gjennomgå flyseteavgiften er oppfølging av regjeringsplattformen, mener Senterpartiet at dette er altfor snevert. Om en ønsker en samlet gjennomgang, er er flyseteavgiften en naturlig del av det, men det holder ikke bare å endre den. Det er systemet som må endres. Derfor er jeg overrasket over at ikke flertallet støtter Senterpartiets forslag, i og med at det er en del av regjeringsplattformen. Er det riktig oppfattet at regjeringa kun vil vurdere endringer i flyseteavgiften, og at det er oppfølgingen av regjeringsplattformen?

er egentlig ikke med og tar saken videre. Derfor mener jeg at det stortingsflertallet gjør ved å støtte regjeringens pågående arbeid, er den beste tilnærmingen i denne saken. Statsråden nevnte i innlegget sitt at vi vil kvitte oss med de lange flyrutene. Det skal vi ikke, vi skal bare prøve å endre urettferdigheten. Det er det vi ønsker. Nå vil regjeringa ikke støtte oss i en samlet gjennomgang av luftfartsavgiftene. Jeg må si at i det som vises til av flertallet, er ikke kortbanenettet nevnt. Den urettferdigheten som små fly med utsettes for, er ikke nevnt. Vi må huske på at også luftfartsavgiftene til Avinor må tilpasses, de er over 30 pst. høyere per solgte sete for små fly kontra store fly. Er regjeringa komfortabel med at folk og næringsliv, spesielt i distriktene, får et dårligere flytilbud? Det var mange påstander før spørsmålet som ikke er riktig, og det hjelper ikke å gjenta dem gang på gang og tro at det plutselig endrer faktum. Hvis en Hvis en leser det som står i Jeløya-erklæringen, står det altså at en skal se på luftfartsavgiftene – ikke bare én, men i flertall. Dermed har vi en bred tilnærming, og dermed blir hele resonnementet fra Senterpartiet egentlig fullstendig meningsløst ut fra den debatten og ut fra den saksbehandling som nå pågår. Vi har en bred tilnærming. Vi ønsker å gjøre det mer attraktivt å drive luftfart i Norge, vi ønsker å gi et godt tilbud i hele landet. Vi ser på avgiftene for å se på hvordan vi kan stimulere dette. Avinor investerer store penger i flyplassene, ofte investeringer som møter kritikk fra opposisjonspartiene fordi de gjør det attraktivt å fly, mens nå plutselig står en og prøver å ha det motsatt. Den type sprik i den politiske argumentasjonen fra opposisjonen forklarer bare hvorfor det skjedde så lite på det området mens en selv hadde sjansen til å styre, for det er åpenbart at en ikke blir enige om hva en egentlig vil med luftfarten. Jeg er glad for at det er et flertall som vil utvikle norsk luftfart, og det er vi i gang med. Replikkordskiftet er avsluttet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Norsk innenlands lufttransport er en særdeles viktig del av kollektivtilbudet i Norge, ikke minst i Nord-Norge med de store avstandene som er

flytrafikken. Men da er det også grunn til å minne om at det er det samme flertallet som har sørget for særdeles uforutsigbare rammevilkår for norsk lufttransport, som har sørget for stadig økte avgifter. En har fått økt moms i flere runder, en har fått økt CO2-avgift, en har fått innført en flypassasjeravgift. I sum har altså avgiftsbelastningen på innenlands lufttransport økt med 2 mrd. kr under regjeringen. I løpet av tre år har avgiften på kommersielle flygninger på kortbanenettet økt med mellom 50 og 60 pst. Dette er resultatet av den politikken som bl.a. statsråd Solvik-Olsen sitter med ansvaret for. Han viser til at det har vært skatte- og avgiftslettelser totalt sett,

Det blir lagt ned flyruter. Det blir et dyrere og dårligere tilbud mange steder. Og det blir også en svært krevende situasjon for flybransjen selv. Senterpartiet har foreslått endret innretning av flypassasjeravgiften tidligere. Jeg registrerer nå at regjeringen sier at dette skal en utrede videre. Vel, nye avgifter kan en tydeligvis innføre over natta, men når det er snakk om å forsøke å endre innretningen på dem, slik at de blir bedre og mer levelige, skyver en det ut i tid. Det er også behov for å endre innretningen på lufthavnavgiftene. Det er også fullstendig høl i når det er høyere avgift per passasjer fra Stokmarknes til Bodø enn f.eks. fra Oslo til London. Senterpartiet har tidligere kommet med konkrete forslag også til endring i lufthavnavgiftene, og vi mener nå at det haster – det haster for norsk næringsliv, det haster for folk som skal dra med fly rundt om i Norge. Vi må få endringer nå, og det er synd at flertallet ikke er med på å støtte vårt forslag i salen i dag.
i hue» gjør presidenten oppmerksom på at er å anse som å være uparlamentarisk ordbruk, og vi prøver å unngå det framover. I Nord-Norge er fly offentlig kommunikasjon, og flyseteavgiften er direkte distriktsfiendtlig. Den rammer de korte rutene før de lange.

stemmer ned dette forslaget. Det er nemlig nødvendig med en gjennomgang, sånn at alle passasjerer i dette landet hensyntas, ikke bare bilister og de som bruker jernbanen. Nå er det kanskje på tide at man ser på også dem som er avhengig av fly. Vi ser fram til at flertallet realitetsorienterer seg og kommer tilbake til Stortinget med et forbedret opplegg, og jeg vil si: et kraftig forbedret opplegg.

en offentlig kommunikasjon i dette landet hvor man bare kan reise med fly mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Sola, hvis man bare skulle reise på dem som var lønnsomme. Da var de kanskje ikke lønnsomme lenger. Jeg registrerer at ministeren hver gang han får et spørsmål eller en kommentar han ikke liker, har for vane å angripe de rød-grønne og skylde på de

med. Statsråden snakket om store subsidier på flyruter. Jeg vil be statsråden om å se litt annerledes på dette. Jeg ser på dette som investering for å oppnå og ta ut den store verdiskapingen som skjer nord. Statsråden bruker også ordet «meningsløst» om forslaget vårt. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti sier at vi slår inn åpne dører. Nei, vi gjør ikke det. Vi prøver å endre den meningsløse urettferdigheten som er innført de gjerne i en sen nattetime, for å få budsjettet til å gå i hop. Jeg mener at det er vi som står for mening i denne saken. Jeg hadde ønsket, så fint som mange i dag har snakket om vår intensjon med forslaget, at vi kunne samlet oss om det. det. Meningsløsheten er det ikke vi som står for. Det er de som har innført avgiften, og har sittet og sett på at det har endret seg til det verre for kortbanenettet og til det verre for de små

ikke anerkjenner den jobben som regjeringspartiene sammen med Kristelig Folkeparti allerede har gjort i denne saken. Så hevder Senterpartiet at man har foreslått endringer i flypassasjeravgiften. Likevel salderer man budsjettene med flypassasjeravgiften, og man stemmer imot forslag i budsjettbehandlingen som inkluderer en gjennomgang av flypassasjeravgiften. Så jeg gjentar gjerne det jeg sa i stad: Opposisjonen slår inn åpne dører. Jeg skulle for så vidt ha ønsket at vi ikke trengte å stemme ned forslaget, men at vi, sånn som det var mulig å gjøre tidligere, kunne legge forslaget ved protokollen. Men sånn er ikke ordningen i Stortinget lenger. Det jeg imidlertid synes er kjempepositivt, er at vi i denne salen i dag har diskutert flypassasjeravgift, vi har diskutert framtidens luftfart og hva slags rammebetingelser det skal være for avgiftssystemet i luftfarten totalt sett i framtiden. Som statsråden har vært inne på, regjeringen jobber med saken, og da framstår det noe spesielt å få kritikk for noe man faktisk er i gang

med. Det er spesielt å høre en slik debatt om noe man egentlig er ganske enig i, og det er at man skal ha en gjennomgang av luftfartsavgiftene. Men når regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti blir kritisert fordi var for snevert det de ville gjøre, vil jeg minne om at når Siv Mossleth snakker mye om flypassasjeravgiften, er i hvert fall regjeringspartiene veldig enige om én ting, at man skal – og jeg siterer fra Jeløya-plattformen – «vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart». Og det er nettopp fordi vi tar en helhetlig gjennomgang, fordi vi tar en helhetlig gjennomgang, fordi det er mer sammensatt enn bare å snakke om én type avgift. Jeg merker meg at det er flere som har omtanke for luftfarten, kortbanenettet, og det har også regjeringspartiene. Men jeg vil også minne om at i denne sal har det vært debatter tidligere, for under ett år siden, hvor noen ville avvikle Det står for en drøy fjerdedel av inntektsgrunnlaget for luftfarten, og jeg vil sterkt advare mot å gjøre noen endringer der. For Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ellers er det ikke noen tvil om at luftfarten og kortbanenettet er særs viktig – det er kollektivtransporten i distriktene. Derfor vil regjeringspartiene sammen med Kristelig Folkeparti ha en helhetlig, skikkelig gjennomgang, nettopp for å øke viktig. I tillegg må man se framover i tid, og det er ikke langt fram i tid før man snakker om elektriske fly. Da er ikke det et problem, men det er en løsning på et problem. Da skal vi ta en helhetlig gjennomgang, ikke bare tenke et Dokument 8-forslag her i denne sal for å hurtigbehandle noe som allerede er i gang. Så det er litt merkelig at vi driver og debatterer en sak hvor man i det store og hele er ganske enige, at vi ønsker det beste for luftfarten, men så fort det begynner å nærme seg noe, kommer opposisjonen med forslag, og så kritiserer man regjeringen, som er i gang. Det er veldig spesielt, og der synes jeg kanskje vi burde tenke oss litt om i debatten framover. Jeg synes i hvert fall at opposisjonen bør tenke seg litt om, og særlig Senterpartiet, som kjører så hardt på.

gang. Fly er viktig i nord, fly er viktig i distriktene – det er vår jernbane, det er vår ringbuss, det er vårt kollektivtilbud. Da vil lufthavnavgiftene ha stor betydning for utviklingen og for mobiliteten til også i distriktene. Men jeg vil henvise til representanten Grøvans innlegg. Dette Dokument 8-forslaget er å slå inn åpne dører. Allerede ved budsjettbehandlingen for 2018 har stortingsflertallet bedt regjeringen om å vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at og f.eks. differensiering etter flyreisens lengde. Det er å slå inn åpne dører å fremme et forslag i en sak som regjeringen allerede er i gang med. Det er litt spesielt å bli kritisert for en sak som allerede er i gang med å utredes av regjeringsapparatet, på bestilling fra flertallet i Stortinget. Men det har dukket opp et nytt ord i denne perioden som ikke har vært brukt tidligere: stortingsregjereri – at man ikke er helt fornøyd med de sakene som regjeringen kommer med, og enten prøver å ta æren for dem i stortingssalen eller å endre på dem. Det gjenspeiles også av antall Dokument 8-forslag som dukker opp i Stortinget. Jeg vil heller anbefale representanter å bruke tiden på Dokument 8-forslag til saker som ikke er igangsatt, og heller prøve en konstruktiv tilnærming ved kanskje å bidra til å belyse andre saker enn de sakene som regjeringen allerede jobber med. Jeg oppfatter at det er ganske mange ømme tær i denne sal. Det er visst strengt forbudt å

Nei, takk og pris, det skal vi helst ikke gjøre, opplever jeg at de rød-grønne sier. Likevel synes jeg det er vesentlig, for skal vi diskutere om vi har et problem som er voksende eller avtagende, er det greit å se på den historiske situasjonen, hvordan ting er i dag, og hvor vi går videre. Jeg registrerer at det er flere flyreisende i Norge i dag enn det var før. Det er flere flyavganger nå enn før. Så er det variasjoner fra flyplass til flyplass, men nå sist måned har vi sett en kraftig økning i flytrafikken på mange av distriktsflyplassene. Mye av dette har gjerne også en sammenheng med hvordan aktiviteten har vært i oljenæringen, der en reduksjon i oljeinvesteringer og lignende har gjort at aktiviteten på en del baseområder har gått ned. Nå ser vi at aktiviteten er på vei opp, og antall flyreisende er på vei har vi nevnt at vi bruker store penger i dag på å subsidiere flytilbudet. Det ble plutselig tolket negativt av Senterpartiet. Hvis jeg hadde sagt at vi ønsket å bli kvitt de subsidiene og legge ned rutene, hadde jeg forstått kritikken, men nå framstår det bare som et forsøk på å se alt i negativt lys for å skape en negativ stemning. Det er det siste Distrikts-Norge trenger – vi trenger ikke våpendragere som gir inntrykk av at alt går dårlig utenfor Oslo. Vi trenger våpendragere som peker på at her skjer det investeringer. Det er forbedringer i bredbånds- og mobiltilbudet, det er forbedringer i flytilbudet, det er forbedringer i infrastruktur som gjør det attraktivt å investere utenfor de største byene – ikke det motsatte. Men fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har det dessverre gått litt sport i å prøve å kritisere ting som de selv ikke har til hensikt å endre på, bare for å skape et negativt bilde. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke selv foreslått å fjerne flypassasjeravgiften, de har ikke foreslått å redusere avgiftsnivået på norske flyplasser. Likevel mener de at regjeringen ikke har gjort nok for å kutte de avgiftene. Det blir litt meningsløst. På samme måte ser jeg i innstillingen at Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at vi skal gjøre noe med avgiftene på kortrutene. Samtidig står det at en ikke skal gjøre noe som gjør at avgiftene slår uheldig ut for Så ikke skal det bety noe for avgiftene når en flyr kort, men ei heller når en flyr langt i Norge. Da er det kun utenriksflygningene igjen, som skal ta belastningen. Da er det greit å kikke tilbake på den debatten vi hadde om Rygge flyplass, da Ryanair valgte å fly ut. Det handlet om avgiftene. Så det som var problemet på Rygge, skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha mye mer av, og vi kan bare tenke oss hva det betyr for Torp. Det vil jeg sterkt advare mot. Representanten Siv Mossleth

Jeg beklager at jeg må ta ordet en gang til, men det er hakk i plata til regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. Vi slår ikke inn åpne dører. Vi ser at det haster å endre den urettferdigheten som regjeringa og støttepartiene har innført. innført. Det er ikke vi som har sørget for at flyplassavgiftene slo inn for fullt i 2016 og er blitt plusset på hvert år siden. Til representanten fra Fremskrittspartiet: Senterpartiet har fremmet et forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen, ikke å legge ned taxfree-ordningen. Vi mener at Avinors inntekter ikke skal reduseres, heller ikke gjennom avgiftene, men at de skal endres, for vi er et av de få landene som ikke differensierer.

avgiftsnivået som skal vurderes og endres. Det som er den store utfordringen, er at Widerøe legger ned 44 ruter i august. Det krever handling. Det krever at vi går skikkelig. Men jeg hører nå at statsråden sier at dette er å slå inn åpne dører. Det betyr at det som nå gjøres i departementet, skal ta inn alle avgiftene i tråd med dette forslaget. Da ser jeg fram til en snarlig tilbakemelding fra området. Så må jeg i tillegg si meg enig med representanten Mossleth. Meg bekjent er det ingen som har foreslått å legge ned taxfree-salget på flyplassene. Til det er det for viktig

enten av posisjon eller opposisjon. Vi får se når forslagene fra statsråden og regjeringen kommer. Så positiv skal jeg absolutt være om den delen. Så til den andre delen – miljø- og klimadelen. Jeg har nesten ikke registrert at de ordene er brukt om avgiftene her i dag, kanskje med unntak av representanten Venstre. Jeg må si: Akk, så forskjellig ståsted statsråden og jeg har. Han skryter, så vidt jeg har kunnet registrere, av at veksten i den innenlandske flytrafikken har vært stor, og at det er regjeringen som står bak den innenlandske flytrafikkens vekst. Jeg vet ikke om han også nevnte veksten i utenlandstrafikken – jeg tror ikke det ble nevnt i farten. Men det har altså vært en stor vekst i flytrafikken. flytrafikken. Så vidt jeg vet, er det altså ingen elektriske fly ennå, hvilket betyr at vi har et betydelig problem med den store flytrafikken med hensyn til klimaansvaret vårt. Jeg synes det er underlig at en statsråd i en regjering i 2018 ikke tar dette inn over seg. Det er alvorlige problemer som hele verden snakker om, om. Når vi vet at det er transport som står for rundt en tredel av klimagassutslippene – og at flyene kanskje er en av de viktigste bidragsyterne i den tredelen, som vi kan gjøre noe med ved å innrette avgiftene våre slik eller slik, er det veldig underlig. Jeg vil håpe, hvis det gjenstår noe taletid for enkelte personer her i salen,

og ikke minst ved å innføre noe differensierte avgifter, slik at de miljøvennlige valgene er førsteprioritet. Det jeg egentlig tok ordet for, var Øystein Langholm Hansens bekymring for at Widerøe nå legger ned ruter. Jeg håper at stortingssalen er fullstendig klar over at ingen Widerøe-ruter legges ned av dem som kjøpes med subsidiering av staten. Dette er rent kommersielle ruter, og det er selvfølgelig på grunn av passasjersvikt. Det kan hende at det er andre flyselskap som velger å sette opp et tilbud på disse rutene – det er fritt fram. Og i landet, slik at de faktisk får til å håndtere dette. Mitt inntrykk av Widerøe er at det er meget god kvalitet på det de leverer, samtidig

vi faktisk skulle hatt et høyere avgiftsnivå og alternativer, slik at vi kunne fått ned den bruken.

Ren matematikk tilsier at man må legge på avgiftene på lengre reiser. Det er ikke så mange måneder siden vi diskuterte Rygge og var opptatt av avgiftene. Ja, Rygge var vel en typisk flyplass for flyvninger ut av landet – da ville jo høyere avgifter kanskje gjort det enda vanskeligere. Eller er det Torp flyplass, min egen flyplass, man skal ta nå – for derfra går det lange flyreiser? Hvilken flyplass ønsker man å legge ned? Hvis man ikke skal endre og redusere Avinors samlede inntekter, hvor skal man da ta det fra? Det er det store spørsmålet, og det kommer det ikke noe svar på. Jeg hørte Senterpartiet spesielt var opptatt av

og da bare håper jeg at vi fra nå av kan begynne å lytte mer til hverandres innlegg, for jeg nevnte klima ganske mye i mitt innlegg. Jeg nevnte bl.a. at Norge er langt framme når det gjelder å ta i bruk biodrivstoff. Gardermoen var den første flyplassen i verden som hadde tilbud om dette, før Los Angeles. Det var de Jeg nevnte også elfly i den forbindelsen, nettopp for å peke i retning av at det er smart å ha en luftfartsnæring som har kapital til å kunne kjøpe de nye, moderne og miljøvennlige flyene som kommer, og ikke tro at de kan leve på underskudd og små ruter, men at de faktisk også må kunne tjene penger. Derfor er igjen avgiftspolitikken viktig her, ikke bare for å sikre et godt distriktstilbud, men også for å sikre bærekraftige flyplasser. men også for å sikre bærekraftige flyplasser. Når man fra SV gang på gang gir inntrykk av at dagens regjering ikke bryr seg om miljø og klima, mens man angivelig gjorde det under forrige regjering, er det verdt å minne om at på stort sett alle samferdselsområdene er bevilgningene til kollektivreisende mer enn doblet. Jeg vet at SV misliker å høre det, men det er likevel et faktum at selv før Venstre kom inn i regjering, oppnådde de langt mer på dette området enn SV noen gang klarte i regjering. men det er likevel et faktum at selv før Venstre kom inn i regjering, oppnådde de langt mer på dette området enn SV noen gang klarte i regjering. Det er fordi både Høyre og Fremskrittspartiet synes dette er viktige områder, der vi ikke stritter imot. Man kan lure på hvem som satt på bremsen i forrige regjering, for jeg tror representanten Nævra på at han er opptatt av dette. Men da er det åpenbart noen andre som ikke har vært opptatt av at resultatene skulle komme. Da er det veldig hyggelig å kunne kikke på representanten Gunnes og vite at vi kjemper samme

Widerøe legger ned. Nei, Widerøe sier selv at kommersielle kortbaneruter ikke er lønnsomme etter avgiftsøkningen. Det betyr at de ikke kan opprettholde et like godt tilbud på grunn av avgiftsøkningen som kom med den trippelblå regjeringen. Representanten Arne Nævra har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.

og det er det åpenbart også i denne regjeringen. Såpass mye klarer vi å følge med. Spørsmålet er mer, når Solvik-Olsen framhever sin miljøprofil i regjeringen, om det skjer en utvikling på tross av Fremskrittspartiet eller på grunn av Fremskrittspartiet. Hvem som eventuelt er en bremsekloss i den nåværende regjering når det gjelder miljø, har jeg nok mine meninger om. Jeg tror det partiet begynner med en f og slutter med en p, hvis vi ser på f og slutter med en p, hvis vi ser på forkortelsen. Så får vi se hvor mye de gir etter, etter hvert. Men vi skal huske på én ting i ærlighetens navn: Her skjer en utvikling, det skulle bare mangle! Man kan ikke sammenligne med situasjonen for åtte eller ti år tilbake. tilbake. Statsråd Solvik-Olsen og regjeringspartiene viser flere ganger til avgiftsnivået og hva Senterpartiet har gjort i denne sammenhengen. Nå må snart Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti selv ta ansvaret for den avgiftspolitikken de står for og de avgiftene de har innført. Det var disse fire partiene som innførte flypassasjeravgiften. Senterpartiet stemte imot. Senterpartiet stemte imot. Senterpartiet har i ettertid foreslått å redusere flyavgiftene igjen. Fremskrittspartiet har stemt imot. Vi har også foreslått å redusere drivstoffavgiften igjen, også der har Fremskrittspartiet stemt imot. Statsråd Solvik-Olsen er opptatt av å sammenligne hva som skjedde i 2013, med hva som er i 2018. Vel, i løpet av disse fem årene har altså avgiftsnivået i Norge totalt sett økt med

lavere avgifter enn det som er vedtatt for inneværende år. Vårt alternative statsbudsjett for inneværende år har lavere avgifter enn det som er vedtatt fra flertallets side. Vi har også inne i vårt budsjett lavere skatt for alle som har 750 000 kr eller mindre i inntekt. Det er riktig at vårt alternative budsjett innebærer at noen i det norske samfunnet som har god rygg til å bære det, må bidra noe mer. Det tror jeg er en fornuftig politikk.

interessant debatt. Bare å kritisere at andre har økt noe, men selv vil en opprettholde det, gir ingen mening. Hvis en ser i de alternative budsjettene til Senterpartiet, ser en at Senterpartiet opprettholder flypassasjeravgiften. En opprettholder alle de avgiftene som en nå har stått i salen og kritisert. Det gir ingen mening. Da har en kun ett formål, og det er å forvirre velgerne. Det pleier som regel ikke å gi en god samfunnsdebatt. Jeg minner om at Senterpartiet også har kritisert regjeringen for nivået på bompenger, selv om Senterpartiet la opp til et enda høyere bompengenivå da de selv styrte, og selv om Senterpartiet i Stortinget stemte imot tilskuddsordningen for å redusere bompengene. Senterpartiet har kritisert nivået på bilavgifter, men har i sine alternative statsbudsjetter som regel ønsket å øke det totale avgiftstrykket for bilistene. Senterpartiet nivået på grensehandelen, men i sine alternative statsbudsjetter foreslår de økte alkoholavgifter, økte tobakkavgifter, økte avgifter på snus og økte matpriser i Norge – som nettopp bidrar til å øke grensehandelen. Når vi skal ha en god og interessant debatt om politiske tema, bør vi diskutere det vi er uenige om, for å teste argumentene og teste fakta – og ikke slik som Senterpartiet og Arbeiderpartiet her hele tiden holder på med,

Gjelsvik har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt. Det faller statsråden tydeligvis tungt for brystet at noen påpeker nivået på bompengene i Norge. Det er ikke Senterpartiet som har gått til valg på å fjerne bompenger i Norge, det er det representanter fra Fremskrittspartiet som har gjort. Nå styrer de Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, og bompengenivået har aldri vært så høyt som Til avgiftene: Senterpartiet stemte imot flypassasjeravgiften da den ble innført. Vi har foreslått i ettertid – og dessverre ikke fått gjennomslag for – å redusere igjen. Når vi erkjenner at flertallet, bl.a. Fremskrittspartiet, ikke er villig til å redusere avgiften igjen, må vi i det miste forsøke å få til en endring i at vi i hvert fall skjermer innenlands flytransport i større grad enn i dag. Så kan en heller ha noe høyere avgift på lange utenlandsreiser. Vi har foreslått en annen avgifts- og skattepolitikk enn flertallet. Vi foreslår noe høyere skatt for dem som har rygg til å bære det. Vi foreslår å fjerne den helt urimelige 350-kronersgrensen, som er ren subsidiering av utenlandske aktører som importerer til Norge. Vi har et annet alternativ enn flertallet, og det er et godt alternativ.

ute. Her på huset har vi noen kjøreregler og noen spilleregler, der vi respekterer hverandre for hverandres synspunkter og respekterer hverandre når vi er uenige i politiske saker. Vi har noen skrevne og De skrevne reglene er først og fremst nedfelt i Stortingets forretningsorden. Der framgår det bl.a. at i debatter som dette har saksordfører og statsråd et ubegrenset antall innlegg. Øvrige stortingsrepresentanter har to innlegg i hver sak, regulert i forretningsordenen. I tillegg er det mulig å få ordet til en kort merknad. I de sakene der regjeringspartiene har saksordføreren, slik som tilfellet er i denne saken, har altså statsråden og en annen fra regjeringspartiene et ubegrenset antall innlegg. Da er det en uskreven regel i denne salen at når de andre talerne ikke har mer taletid, begrenser også statsråden seg fra Stortingets talerstol. Det er en uskreven regel som respekteres av alle regjeringer, alle statsråder – nesten – gjennom skiftende regjeringer og skiftende tider, rett og slett fordi vi har respekt for hverandre, debattmåten og debattformen i Stortinget. Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen respekterer ikke det. Nå har ikke Senterpartiets talsperson flere innlegg, nå har ikke Arbeiderpartiets talsperson flere innlegg, og nå har ikke SVs representant flere innlegg i salen. Men samferdselsministeren kliner til og holder noen innlegg som ikke har noen ting med saken å gjøre. Det dreier seg om grensehandel, alkoholavgifter og hva det måtte være, i vanlig Ketil Solvik-Olsen-stil. Null respekt for Stortinget, null respekt for de reglene som alle andre, også hans regjeringskolleger, holder seg til og respekterer, for at vi skal ha en ordentlig og seriøs omgangsform i Stortinget. Skal statsråden ... Presidenten må minna representanten Myrli om at det er Øystein Langholm Hansen som er saksordførar i denne saka. Da beklager jeg. Da beklager jeg i akkurat denne saken, men vi er nødt til å få en debattform også fra samferdselsministerens side som gjør at vi at vi har et debattklima i sakene vi behandler i Stortinget som bygger opp under et seriøst debattklima. Nå bør samferdselsministeren begrense seg til å kommentere det saken dreier seg om. Representanten Morten Stordalen har hatt ordet

Det har ikke Fremskrittspartiet gjort. Jeg stilte et spørsmål, og det har ikke Senterpartiet besvart, og det handlet om totalregnestykket når det ikke skal gå ut over Avinors samlede inntekter – man skal redusere avgiftene på kortbanenettet, men man skal ikke endre på Avinors inntekter. Jeg spurte hvilke reiser som skal betales for, og hvilken flyplass går det ut over denne gangen, er det da Torp? Det spurte jeg om. Det svarte man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

som gjennomfører en skandinavisk jernbanestudie for strekningen helt til København, altså Oslo–Göteborg–København, så der blir den ivaretatt. Det er derfor flertallet i komiteen vil at forslaget avvises. Så må jeg si at den ivaretatt. Det er derfor flertallet i komiteen vil at forslaget avvises. Så må jeg si at det har vært et spennende arbeid å behandle denne saken, for vi hadde en meget god høring. Jeg har ikke så lang fartstid i Stortinget, men jeg kaller den meget god, for av de høringene som jeg har vært på, er det en av de bedre. For det var veldig engasjerte folk, som representerte interesseorganisasjoner, det være seg fylkeskommune eller andre selskaper, som helt klart var veldig ivrige på både jernbanens framtid eller ikke minst de grenseoverskridende trafikkløsningene som man ser for seg i nærområdet fra Oslo – da Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg. Det var en veldig interessant høring, og det var mange som gjerne ville bli hørt. Så dette arbeidet tror jeg verken stopper opp eller ikke kommer på dagsordenen igjen i Stortinget i den nærmeste framtid. For her er det faktisk et stort engasjement. Jeg kan bare nevne det private selskapet som vurderer en reisetid mellom Oslo og Stockholm på to

og ikke minst det andre arbeidet som foregår mellom statsråder og regjeringer i Skandinavia. Så vil jeg også nevne det nordiske samarbeidet. Den første saken i dag var jo om Nordisk råd og nordisk samarbeid, og der ble dette transportutspillet nevnt, som også peker klart mot at dette som også peker klart mot at dette blir en ny sak som kommer til å berøre dette, og ikke minst at det skal opprettes et ministerråd for transport. Jeg må si at jeg hadde forståelse for forslaget da det kom, men gjennom høringen, regjeringens allerede iverksatte tiltak, samtaler og ikke minst Nordisk råds vedtak, som også innebærer at Ministerrådet får denne transportdelen, vil jeg si at vi er godt i gang med å vurdere disse tiltakene, og jeg håper at Stortinget kan slutte seg til at vi avviser

som pratet om hvor viktig det var med nordisk samarbeid innenfor transport og samferdsel. Jeg bet meg merke i at Høyres Ingjerd Schou f.eks. pratet om jernbaneinfrastruktur på tvers av landegrensene. Dette er bra. Men da må vi starte – da må vi komme i gang. Og så positiv som saksordfører Gunnes – iallfall her nå fra talerstolen uttrykte at han var til sterkere jernbanesamarbeid mellom Norge og Sverige, er det for meg en gåte hvorfor han og stortingsflertallet stemmer ned forslagene om å utarbeide konsekvensutredninger for jernbanen mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg. Vi må komme i gang, vi må starte dette arbeidet, og jeg minner om at det er snakk om å utarbeide utredninger i første omgang. omgang. Jeg må også si at jeg er litt i stuss etter å ha lest uttalelsene fra Kristelig Folkepartis Grøvan i Dagsavisen i dag. Han er jo en mann som vanligvis har god oversikt, men jeg er rett og slett litt usikker på om han har skjønt hva forslagsstillerne og mindretallet i transportkomiteen legger fram til behandling her i dag. Det har ingenting med de nåværende prioriteringene i Nasjonal transportplan å gjøre. Det kommer senere, selvfølgelig må prosjekter prioriteres, men det er langt fram i tid til vi ser for oss noen utbygging mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg. Så vi må starte med utredninger, og vi må komme i gang. Jeg er også litt usikker på om Grøvan har pratet med partifellene sine i Akershus og Østfold om dette, for de lokale Kristelig Folkeparti-representantene er av de mest ivrige i arbeidet med å komme i gang med å utarbeide disse KVU-ene. La oss innrømme at i mange år er det pratet om å styrke grensebanene, Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg. Litt er gjort, men den store La oss være ærlige på det. Når vi alle gjennom skiftende flertall og skiftende regjeringer har sittet og foretatt prioriteringer i Nasjonal transportplan og skal velge mellom jernbanetilbudet til de reisende i Lillestrøm og på Kolbotn eller på Skoppum eller på Råde – opp mot grensebanene – ja, så er det de hjemlige jernbanestrekningene som har vunnet fram i Nasjonal transportplan. Derfor er det interessant at det nå faktisk også er lansert forslag der grensekryssende baneutbygging kan finansieres gjennom billettpriser. Om det er mulig, klarer ikke jeg å svare på, og sikkert ingen andre her i salen heller, men la oss i alle fall se nærmere på det og utrede om det er mulig.

alternativene som er best, kan ikke jeg svare på, men det skulle ikke være farlig å utrede og se nærmere på det. Det samme er tilfellet når det gjelder jernbanen mellom Oslo og Göteborg. Der er det lansert to mulige hovedalternativer, et gjennom Tistedalen og

og utrede nærmere et økt jernbanetilbud mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg. Var det bare festtaler? Etter at vi reiste hjem igjen til Oslo og Stortinget, er man plutselig – iallfall flertallet – ikke så interessert i å starte utredninger for å gjøre dette. Det er trist at vi i dag ikke får flertall for at det skal gjennomføres konseptvalgutredninger – hvis det er slik at Kristelig Folkeparti kommer til å stemme imot.

Her beveger vi oss i en velkjent konflikt mellom innenlandske behov og behov for grensekryssende transport for passasjerer og gods. Jeg har registrert at i gjeldende NTP er det skissert sju utenlandskorridorer som man vil komme tilbake til ved senere rulleringer. Det store kompromisset har vært å bygge ut InterCity-prosjektet først og så bygge videre på dette. Sånn sett er Kongsvingerbanen et ledd i denne strategien, uten å være definert som en del av InterCity, men i kraft av sin store betydning som godsbane både for tømmertransporten og for togforbindelsen til Nord-Norge. Det er to forslag: Det ene går på å be om en KVU for den norske delen av togstrekningen mellom Oslo og Stockholm. Den skal ses i sammenheng med den svenske Jeg har vært med lenge, og i 2007 var jeg i fylkestinget i Akershus med på å vedta tilvekstkorridoren, som nettopp var en utredning av hva man kunne få ut av samarbeidet mellom de to fylkene. Med respekt for å skryte av denne regjeringen, har jeg konstatert at det som har skjedd, var at etter et årelangt finansieringstilskudd fra Hedmark fylke og Akershus fylke for å drifte Stockholms-toget, til tross for dårlig økonomi,

Jeg var ordfører i Vestby i 1988, og en av de første sakene jeg fikk på bordet, var å bidra med penger til en utredning av Oslo–Göteborg for vei og bane med tanke på at man skulle åpne dette i 2000, altså tolv år etter. Det som har skjedd, er at man greide å bygge veien – man åpnet Svinesundsbrua i 2005, som en del av hundreårsmarkeringen. Jernbanen har man ikke kommet så langt med, men det har tross alt vært en utvikling, mellom Oslo og Ski, eller Ski–Moss, rettere sagt – nå er det Oslo–Ski med tunell. Men man har altså ikke kommet dit man egentlig ønsket. Men det ble gjort utredninger, og det har vært løftet fram på regjeringsnivå av tidligere regjeringer og denne regjeringen. Det det har strandet på, er at man ser ikke at dette vil kunne realiseres gitt de økonomiske uttellinger man har innenlands. Det som er nytt og viktig med begge disse prosjektene, er at vi får et privat initiativ på Stockholms-linjen som gjør at man kanskje kan få annen kapital inn, og det ligger også en mulighet til mer alternativ finansiering på Oslo–Göteborg. Det er noe av det vi ber om at man skal se nærmere på. Det må noen samtaler til med de andre I Nasjonal transportplan har man altså lagt til grunn at InterCity skal være grunnlaget og utgangspunktet for høyhastighetsbane – eller la oss kalle det bane med høy hastighet, det er jo ikke helt høyhastighet. Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm og Göteborg og videre ut i Europa skal ha utgangspunkt i ytterpunktene på InterCity, pluss at man gjør noe med Kongsvingerbanen, uansett, for det er en viktig transportåre for gods. Det er også det som har vært i fokus i Göteborg i det senere, men det er klart: Det viktige er egentlig ikke å redusere flytrafikken. Det viktige er å utvikle disse store arbeids- og bomarkedene som ligger mellom Oslo og Göteborg, og mellom Oslo

viktige banestrekningar, og eg vil takka saksordføraren og forslagsstillarene for å ta opp denne viktige saka. Jernbanestrekningane våre ut og inn av landet er særleg viktige for å få meir gods over på bane, men òg for at fleire reisande kan velja tog framfor fly ved reise til På komitéhøyringa til dette representantforslaget kom det fram mange synspunkt og forventningar til konseptvalutgreiingar for nye jernbanestrekningar på norsk side for både strekninga Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg. Både næringsliv og offentlege aktørar som kommune og fylkeskommune gav klare forventningar til utbetring av togsambandet for både person- og godstrafikk over landegrensa mellom Noreg og Sverige. Senterpartiet er òg oppteke av at ein skal ha raskare persontrafikk med tog for å erstatta flytrafikken mellom endepunkta. Ved å utvikla jernbanetilbodet vil ein òg kunna gje eit betre tilbod for reisande som har sitt utgangspunkt eller reisemål på strekninga mellom endestasjonane. Dette er noko som ikkje flytilbodet kan levera på.

og Solørbanen og elektrifisering av Hamar, Elverum og Kongsvinger. Tilsvingar i Elverum og Kongsvinger vil òg kunna opna for raskare og meir miljøvenleg transport av gods på bane, men då må ikkje jernbanestrekninga over grensa til Sverige verta flaskehalsen som hindrar ein slik vekst. Ei viktig utbygging som no er i gang, og som vil gjera dette endå meir aktuelt, er bygginga av slik vekst. Ei viktig utbygging som no er i gang, og som vil gjera dette endå meir aktuelt, er bygginga av Femern Bælt, som er eit kombinert jernbane- og bilsamband mellom Lolland i Danmark og Fehmarn i Nord-Tyskland. Dette sambandet skal stå ferdig på midten av 2020-talet og vil redusera reisetida vesentleg og auka kapasiteten på gods- og persontransporten mellom dei skandinaviske landa og Senterpartiet og SV, om å få på plass ei KVU både for Oslo–Stockholm og for Oslo–Göteborg. Stortinget skal seinare i dag behandla ein revisjonsrapport frå Riksrevisjonen om at vi ikkje er i nærleiken av å nå målet om meir godstransport på bane. Å få utarbeidd KVU-ar med tanke på ei utvikling av desse banestrekningane vil vera viktige grep for å kunna realisera Stortingets mål om auka godstransport på bane. Alternativet vil vera at vi vil mista endå meir gods som i dag går på bane, på grunn av dårlege framkomstmoglegheiter og dermed stor usikkerheit for kundane som skal ha godset fram til avtalt tid.

Av klimahensyn må det være et mål å få flest mulig av disse passasjerene over på tog. Så enkelt er det vel! Hvordan skal vi få til det? Nye utredninger og initiativer i Sverige setter saken i et helt nytt lys. Det andre forslaget går ut på å få laget en KVU for strekningen Oslo–Göteborg. Akkurat Göteborg har blitt kalt Norges største havn. Godt over 90 pst. av godset som skal derfra til Oslo-området, går på gummihjul, altså på trailere dundrende oppover vestkysten av Sverige og gjennom Østfold, dette fordi jernbanen, spesielt på norsk side, ikke er i stand til å ta denne oppgaven. Så man vil med forslaget prøve å få til en ny giv i planleggingen av jernbaneløsninger mellom Oslo og de største byene i Sverige. Det er viktig å få på plass bedre togtilbud for både gods og passasjerer på disse strekningene på kort og mellomlang sikt, som det heter. Konseptvalgutredningene må med andre ord se på langsiktig utbygging, men også på utbedringer og delutbygginger på kort og mellomlang sikt som passer inn som del av en helhetlig plan for jernbanen på disse strekningene. Først Oslo–Stockholm: For denne strekningen er reisetiden med tog i dag rundt fem timer. Det er altfor lang tid å kunne være konkurransedyktig med fly – det er åpenbart. Svenske SJ har signalisert storsatsing med åtte daglige avganger mellom Oslo og Stockholm fra 2022. Det er viktig at en KVU ser på tiltak som støtter opp om dette på kort sikt, og bidrar til å videreutvikle det tilbudet. Som det ble nevnt av saksordføreren, var det over 20 instanser som uttalte seg i høringen, og alle var med ulik vinkling positive til intensjonen om å øke trafikken på jernbanen mellom Oslo og Sveriges to største byer. Det tror jeg alle komitémedlemmene kan bekrefte. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser et åpenbart behov for å se den svenske åtgärdsvalsstudien og den planlagte KVU-en på norsk side for Kongsvingerbanen Da er altså en ny KVU for hele strekningen som vurderer alle traséalternativer, som bl.a. representanten Myrli ramset opp, mest hensiktsmessig. På strekningen Oslo–Göteborg er det en litt annen situasjon. Riktignok konkurrerer persontrafikken på tog der med privatbilen – den tar det aller meste men her har vi hensynet til godset, som jeg nevnte. Det har vært mange utredninger og initiativ, som bl.a. representanten Jegstad nevnte. Det har skjedd i både offentlig og privat regi. Men jeg kan ikke se at det foreligger noen konkrete planer for den grensekryssende trafikken mellom Oslo og Göteborg, eller København for den saks skyld, i den hensikt å forbedre togtilbudet nå. Noen forbedringer kan gjøres på det eksisterende linjesystemet, men verken persontransport eller spesielt godstransport på strekningen Oslo–Göteborg kan være konkurransedyktig med henholdsvis personbil og lastebil før helt nye jernbanestrekninger blir bygd. En eventuell KVU må vurdere alle hittil foreslåtte traséalternativer, og representanten Myrli nevnte jo to alternativer, som er skissert tidligere. Statsråden henviser i sitt brev til komiteen – det nevnte også saksordføreren – til den overordnede strategiske utredningen som skal gjøres i regi av regjeringen for eventuelt å finne videre utredningsbehov på hele strekningen fra Oslo ned til København. Det er vel og bra, synes SV, det skal vi gjerne støtte. Men en KVU er litt mer detaljert og vil være mer førende for konkrete grep og for avgjørelser i Stortinget, sånn som vi ser det. Jeg vil komme tilbake til en del vurderinger rundt det nordiske aspektet i et senere innlegg. Vi står fast ved forslaget vårt, som vi er en del av, sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. La meg starte med å gi forslagsstillerne honnør for å ta opp et spennende og viktig prosjekt. Jeg vil også anerkjenne det engasjementet som særlig SV har vist for jernbanen, og for den genuine vilje de viser til å satse på toget. Det kan for øvrig se ut til at arven etter Hallgeir Langeland nå tas opp og videreføres av representanten Nævra. Det er en god arv å videreføre. Så er det jo gledelig at jernbanen får mye oppmerksomhet, i den forstand at det ikke er noen tvil lenger om at toget er et framtidsrettet og viktig transportmiddel – for alle politiske partier. Etter som årene har gått, er det ikke lenger bare SV, Venstre og Nå er det tverrpolitisk enighet om å styrke jernbanen. Vi ser også at Fremskrittspartiet, som på 1990-tallet mente at toget var dårlig egnet for persontransport, nå er med på store satsinger. Kristelig Folkeparti og SV er nok langt på vei enige om målsettingene, men vi har svært ulikt syn på virkemidlene, bl.a. hvordan vi best skal organisere jernbanen i Norge. Men det er en Nå handler det om KVU på norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg. Det vil ikke forundre meg om forslagsstillerne nå lurer på hvorfor Kristelig Folkeparti ikke støtter forslagene – nå som jeg nettopp har gitt dem honnør for å ta opp et spennende og viktig prosjekt. Det skal jeg forsøke å forklare, for det er altså slik at vi ikke stemmer for forslagene som foreligger her i dag fra mindretallet i komiteen. Som sagt er Kristelig Folkeparti enig i målet om å få flere reisende over fra fly til tog. Vi er også enige i at mer av godstransporten bør gå på skinner. Nettopp derfor – og fordi vi er ambisiøse på vegne av hele jernbanesektoren, og fordi vi vil gi kundene et så godt tilbud som mulig – støtter vi opp om den massive satsingen vi nå har på Det investeres altså mer enn noen gang tidligere for å styrke togets konkurransekraft. Folk skal merke at togtilbudet blir bedre. Forslaget fra SV er interessant, men SV har ikke foretatt reelle prioriteringer mellom kostbare prosjekter. I Nasjonal transportplan har Kristelig Folkeparti gjort den slags prioriteringer. Sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er vi med på å sikre en målrettet satsing på jernbanen. Særlig i InterCity-området på Østlandet er det satsinger som skal prioriteres nå, men også i Bergen, Trondheim og Stavanger har vi viktige prosjekter på gang. Dobbeltspor på strekningene mellom Oslo og Skien, Halden og Lillehammer vil kreve mye ressurser. Det gjelder også sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Kristelig Folkeparti er opptatt av at denne tidsplanen skal følges. Milepælene som Stortinget har vedtatt, skal holdes. Det har vi gitt helt klart og tydelig uttrykk for hele veien, også fra denne talerstolen så sent som 10. april i år. En ny KVU på de nye strekningene er spennende. Men det vil igjen skape nye forventninger, som vi er redd vil kunne føre til å presse ut allerede vedtatte prosjekter. Det mener vi ikke er en riktig prioritering. Gjennom godspakken har vi prioritert betydelige investeringer i infrastruktur for å styrke godstransporten på jernbanen. Ringeriksbanen inngår også i InterCity-området, som en del av helhetstenkningen. Vi mener det er viktig å gjennomføre de prosjektene som er vedtatt. Det vil vi gjøre så raskt og sikkert som mulig. Nå må vi konsentrere ressursene. Vi må holde fokus og sikre gjennomføring av viktige prosjekter som allerede er vedtatt. vedtatt. Jeg har tatt runden som representanten Myrli etterlyste når det gjelder hva våre partifeller i Akershus mener. De er enig i denne prioriteringen, at vi skal holde stø kurs i forhold til det som ligger i NTP i denne runden. Derfor støtter vi ikke forslaget om en KVU for Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg nå. Men jeg vil likevel understreke at prosjektet er svært interessant, at dette derfor er noe vi vil vurdere ved senere rulleringer av

år. Det arbeidet har jeg tenkt å fortsette med, uavhengig av om opposisjonen nå våkner og fremmer forslag om å gjøre det vi allerede holder på med. Det har vært en kraftig vekst i infrastrukturinvesteringene i jernbane, både i de årene som vi har hatt dagens regjering, og planlagt videre. I Nasjonal transportplan ligger jernbanen an til å få rundt 45 pst. av de investeringsmidlene som er satt av. Når jeg leser de to forslagene som foreligger fra opposisjonen, tenker jeg i mitt stille sinn: Men dette er jo ting vi allerede holder på med. Det skrev jeg også i brevet til komiteen. Vi har allerede varslet at vi skal gjennomføre en KVU for Kongsvingerbanen, som skal ta hensyn til den utredningen som allerede er gjort fra svensk side for strekningen Oslo–Stockholm, og som skal se dette i sammenheng. En slår inn åpne dører – regjeringen er allerede i gang. Tilsvarende tenker jeg når en peker i retning Göteborg. Her ble det gjennomført en KVU under forrige regjering. Jeg trodde de skulle være kjent med den. Basert på det er det igangsatt investeringstiltak allerede. Helt til Halden skal vi bygge, og vi skal selvsagt også bygge videre til Kornsjø. Ergo er også den jernbanestrekningen ikke bare noe en utreder, men faktisk er i gang med å bygge. Da gir det litt liten mening å komme med en ny utredning den samme strekningen. Så bare minner jeg om at det ble gjennomført en norsk-svensk studie, som ble framlagt i mai 2016, for å se på både kortsiktige, mellomlangsiktige og langsiktige tiltak. Når opposisjonen etterlyser at en må se på dette, ble det altså igangsatt allerede et par måneder etter regjeringsskiftet i 2013. Det er bra at opposisjonen engasjerer seg, og på denne måten markerer sine ønsker. ønsker. Jeg er egentlig også veldig glad for at opposisjonen og posisjonen her er enige om at dette er måten å jobbe på – gjøre utredninger for strekningen rundt Kongsvinger. Men jeg er ikke enig i at vi trenger nye utredninger for strekningen til Göteborg. Der handler det om å gjennomføre den byggingen som vi allerede er i gang med. Det å ta en kunstpause der for å gå tilbake til utredningsstadiet – når vi allerede er i gang med reguleringsplaner, byggeplaner, kontrakter og lignende – synes jeg blir litt Det er altså ikke uenighet om intensjonene her. Når Dagsavisen i dag har laget oppslag som gir inntrykk av at nå går en glipp av muligheten til å bygge bedre togforbindelser til Stockholm og Göteborg, er det fullstendig feil. Vi er allerede i gang med dette. For bare få dager siden snakket jeg om tematikken med min svenske kollega. Vi møttes i Leipzig. Jeg møtte hans statssekretær i Brussel få uker før det. det. Om en måned skal jeg til Helsingfors og treffe mine nordiske kollegaer for å diskutere ytterligere arbeid både når det gjelder hvordan vi kan se på muligheter for finansiering av infrastruktur med nye metoder, hvordan vi skal jobbe for samarbeid på tvers av landegrensene, og gjerne i et nordisk perspektiv på infrastruktur. Vi har f.eks. sammen med Finland sørget for at en nå begynner å diskutere jernbane til Kirkenes, noe som en har drømt om i mange år, men som nå blir mer konkretisert under dagens regjering. Vi ser allerede utenfor landets grenser, men det er ikke vits i å utrede bare for utredningens del. Når vi allerede har varslet en KVU for strekningen, gir det ikke mening at en skal ha enda en KVU for den samme strekningen. Slik sett er forslaget overflødig. Det som også gjør meg litt bekymret når opposisjonen fremmer dette, er at SV argumenter for – og ønsker – å bygge mer jernbane ved å kansellere veiprosjekter i Norge. Samtidig vet vi at Senterpartiet har sterke krefter som vil kansellere jernbaneprosjekter på Østlandet, for heller å bruke infrastrukturpenger på Vestlandet. Da tenker jeg at det tryggeste her er å holde på den kursen regjeringen har lagt til grunn. Dette forslaget bringer ingenting raskere til torgs, tvert imot, men det skaper større usikkerhet om hva som er den langsiktige strategien, og ikke minst om gjennomføringsevnen. Jeg synes likevel at opposisjonen skal få honnør for at de nå i hvert fall ser på muligheten til å se på organisatoriske grep, for å bygge infrastruktur på en bedre måte. Det at opposisjonen nå løfter fram muligheten til å se på et statlig selskap på veisiden, som de i Stortinget har argumentert kraftig imot, imot, viser at det likevel har vært mulig å bevege opposisjonen lite grann gjennom fire og et halvt år med borgerlig regjering. Det vert replikkordskifte.

den planlagte KVU-en for Kongsvingerbanen. Det er veldig bra, men det er jo et litt bredere perspektiv Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har lagt an i denne saken. Vi ønsker at hele jernbanekorridoren Oslo–Stockholm skal ses på, og de tre alternativene med linjeføring via Kongsvinger, Bjørkelangen og Spørsmålet mitt er: Vil den planlagte konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen se på de tre ulike traseene? I forslaget fra opposisjonen står det at en ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning for den norske delen, og at en skal se dette opp mot den svenske. Da er det jo ikke noen vits i å se på hele strekningen Oslo–Stockholm fra norsk side. Vi jobber nå med det som skal bli en konseptvalgutredning, og da er det naturlig at vi ser på de relevante strekningene, og at vi jobber med de jernbanefaglige aktørene våre for å få et best mulig utredningskonsept. Det er mulig jeg formulerer meg uforståelig, så jeg prøver igjen. Jeg skjønner at samferdselsministeren skal gjennomføre en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen. Det er veldig bra. Men det er også lansert også lansert to andre alternativer for linjeføring, bl.a. selskapet som heter Oslo–Stockholm 2:55, som har lansert en jernbaneforbindelse via Lillestrøm, Bjørkelangen og Karlstad. Det har lite med dagens Kongsvingerbane å gjøre, dvs. det toucher jo nedre deler av Kongsvingerbanen. Spørsmålet mitt er rett og slett: Vil den konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen som samferdselsministeren viser til, bare dreie seg om Kongsvingerbanen, eller vil en også kunne se på de alternativene som er lansert via Bjørkelangen og Askim? Jeg tror det skulle være ganske enkelt.

I mine ører høres det ut som det Arbeiderpartiet normalt ville sagt, at en legger opp til å privatisere jernbanen, og at en skal bruke offentlige midler til å utrede alternativer. Det er i så fall et veldig interessant signal Arbeiderpartiet kommer med, og jeg tar med meg det i vårt videre arbeid. arbeid. Det er jo bra å høyra at statsråden er på og jobbar med saka. Han kritiserer opposisjonen for at vi ikkje har oppfatta at eit arbeid er i gang, og for at vi slår inn opne dører, men det er eit tjuetals høyringspartar som har oppfatta det same, og som etterlyser ei KVU nettopp på desse banestrekningane.

nærmeste årene enn svenskene. Når Sverige kommuniserer med oss, er de mest opptatt av strekningen Stockholm–Göteborg–Malmö. Det er lite diskusjon om å bruke mye penger på koblingene til Norge. Det er vesentlig for meg, for hvis vi skal få suksess når det gjelder dette, hjelper det ikke om bare Norge bygger til grensen. Vi må sørge for at Sverige gjør det samme. Når de har mindre penger enn oss, trenger vi å bruke enda mer energi på å sørge for at de ser behovet. Dessverre er ikke strekningene til Norge hovedveiene for dem, men strekningene til Norge hovedveiene for dem, men det er hovedveiene våre til Europa. Det er

forslagsstillerne, ønsker jo at flere alternative traseer for denne banen til Stockholm enn Kongsvinger-forslaget skal utredes. Vil statsråden utrede flere forslag østover? Det er godt mulig at opposisjonen er lei av å høre at de slår inn åpne dører, men når de fremmer forslag om noe som regjeringen allerede har varslet at den holder på å jobbe med, er det allikevel det mest dekkende Når det gjelder hva som skal utredes i KVU-en, vil vi komme tilbake til det. Men i KVU-er skal det alltid være en del ulike konsepter. Det betyr at hvis man kun skal se på Kongsvingerbanen der den ligger i dag, er det ikke behov for en KVU. Vi har fjernet mange KVU-er som den rød-grønne regjeringen planla i sin tid, fordi vi har sagt at veien ikke skal gå noen andre steder enn der den går nå. Da skal man ikke holde på med KVU-er, men kommunedelplaner og reguleringsplaner. Konseptvalgutredninger handler om å se på mange ulike løsninger på det der den går nå. Da skal man ikke holde på med KVU-er, men kommunedelplaner og reguleringsplaner. Konseptvalgutredninger handler om å se på mange ulike løsninger på det samme området. Derfor ligger det egentlig i formatets natur at man må se bredere på det. Men nøyaktig hvilke er det for tidlig å si noe om. Om det er statens oppgave å gjøre en utredning på vegne av et privat selskap som driver med kommersiell drift, kan vi også komme tilbake til – også spørsmålet om opposisjonen mener det er riktig bruk av

over Bjørkelangen, har ingenting med Kongsvingerbanen å gjøre, den går mye lengre sør. Det sydligste alternativet, som går via Ski og Askim – i alle fall omtrent slik – går langt unna Kongsvingerbanen. Da skjønner ikke jeg at det skal være så vanskelig å svare på om den konseptvalgutredningen også vil dreie seg om de to sydligste korridorene, når samferdselsministeren sier at dette er noe de holder på med. Forslaget går ut på å se alle de tre alternativene i sammenheng. Vil samferdselsministeren gjøre det? Jeg synes jeg har svart utfyllende på det allerede. Når en jobber med dette, ser en det jo selvsagt i et bredt perspektiv, men vi vil også jobbe sammen med de jernbanefaglige aktørene vi har, og se på hva som er relevant å diskutere, både når det gjelder hva Sverige kan synes er interessant, og når det gjelder hva vi skal bruke våre ressurser på. I og med at noen av disse alternativene er tenkt bygd med privat kapital, er det for meg ganske oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet nå mener at privat kapital skal bygge jernbane i Norge, når en er imot at private aktører for øvrig er med og vedlikeholder jernbanen i Norge. Igjen: Jeg mener det ikke er noe forunderlig over å se hva som er bak dører som allerede er åpne. Da handler det heller om å vise nysgjerrighet og stikke hodet inn. Jeg føler at det heller er det som har vært mangelen hos spesielt Arbeiderpartiet. Når vi har snakket om det som denne regjeringen holder på med, det som vi har fått flertall for sammen med Kristelig Folkeparti, er det veldig omfattende på dette området. Da er det egentlig bare å stille skriftlige spørsmål eller treffe meg i korridorene, så skal jeg mer enn gjerne fortelle hva regjeringen holder på med. Det er langt mer enn det representanten Myrli pleier å gi inntrykk av i
rekke replikker fra representanter her, bl.a. Nævra, svarer ikke statsråden på det som er det konkrete spørsmålet. Når en snakker om en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen, er det naturlig å tenke det er en bane som går gjennom Kongsvinger, eller i alle fall i nærheten av Kongsvinger. En spør konkret om man i den konseptvalgutredningen skal vurdere alternativene som går via Bjørkelangen og Askim, som ikke berører Kongsvingerbanen i det hele tatt. Jeg oppfatter det som en konstatering, ikke som et spørsmål. Jeg bare står ved det jeg har sagt før: Vi ser det i et bredt perspektiv. Vi satser mye på jernbane, vi gjør en utredning, vi har gjort en studie på det som går til Göteborg, og vi er i gang med å bygge. Derfor fastholder jeg at det som opposisjonen her foreslår, er vel og bra, men det bringer ingenting nytt til torgs når det gjelder det arbeidet som regjeringen allerede holder på med, når det kommer til det å ruste opp en jernbane som forfalt i åtte år, da Senterpartiet var med og styrte, og som vi nå bidrar til at skal bli stadig bedre. Det tror jeg også de fleste setter pris på. Jeg tror også at folk i Kongsvinger vil sette pris på å få en bedre jernbane opp dit, selv om jeg oppfatter at opposisjonen her prøver å vri fokuset over på andre steder. Replikkordskiftet er avslutta.

dagens trasé via Kongsvinger, en helt ny trasé via Bjørkelangen eller via Askim. Det hadde vært en fordel for debatten om statsråden svarte på de konkrete spørsmålene som han får gjentatte ganger. Så til dette med å slå inn åpne dører. Vel, det er interessant å høre representanten fra samarbeidspartiet til som bruker sitt innlegg på å argumentere mot vårt forslag ut fra at det kan skape uklarhet om prioriteringene i Nasjonal transportplan, og at man bør konsentrere seg om det som allerede er vedtatt. Hvis det er det som er tilfellet, er det jo litt rart at statsråden mener at vårt forslag kun er å slå inn åpne dører, når representanten fra Kristelig Folkeparti bruker som begrunnelse at dette vil skape uklarhet om de prioriteringene som allerede er gjort. er vi i Senterpartiet uenig i. Det handler om å sette i gang et arbeid. Hvis en skal være positiv med hensyn til å tenke forbindelse både Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg, så må man sette i gang arbeid gjennom konkrete prosesser. Til representanten fra Kristelig Folkeparti, som sier i sitt innlegg at her har man sjekket ut med sine lokale representanter at det er helt greit å gå imot: Vel, Kristelig Folkepartis førstekandidat til stortingsvalget i Akershus gikk inn for at man skulle ha fart på bygging av tog via Bjørkelangen til Sverige. Det var det budskapet som ble formidlet fra Kristelig Folkepartis side den gangen. Det er svært viktig at man får fortgang i dette arbeidet. Representanten Jegstad viste til at det kan være en forskjell mellom innlandsbehov og behovene til grensekryssende trafikk. Eksempelvis når det gjelder Kongsvingerbanen, dekker den i dag begge behov. Den dekker et viktig behov med tanke på lokaltrafikk i nærområdet. Den dekker også et viktig behov når det gjelder godstransport. Via min hjemplass i dag, Sørumsand, passerer det 180 000 tonn med fisk hvert eneste år. Det er ikke fisk som er fisket i Glomma. Det er fisk som er fisket i Lofoten, som har gått med Ofotbanen ned gjennom Sverige, tilbake via Kongsvingerbanen og skal til Gardermoen og ut av Norge. Det viser behovet som er i dag. Det samme gjelder også innenfor tømmertransport. Kongsvingerbanen ivaretar i dag viktige behov. Det er viktig også for framtiden å styrke enten den banestrekningen, eller man må også vurdere ulike alternativer for hvordan man skal styrke reise med både persontransport og godstransport mellom Oslo og Stockholm og Oslo og Göteborg i

veldig for rask utbygging Oslo–Stockholm, veldig for rask utbygging Oslo–Göteborg, Østfoldbanen. Men hva skjer i praksis? I hvert fall ikke rask utbygging, men det motsatte. Så reagerer jeg litt når jeg hører saksordføreren vise til at Nordisk råd skulle være et argument for på en måte å avvise disse forslagene. Det henger ikke sammen, for Nordisk råd

Men det legger seg bare på stabelen av fagre valgløfter fra disse to partiene – Fremskrittspartiet og Høyre – som de nå løper ifra. Det er bare å registrere at statsråden fra Fremskrittspartiet med ansvar for samferdsel mer framstår som en klamp om foten – i hvert fall når det gjelder representanter fra eget parti og deres løfter og lovnader om jernbane Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg – enn noe annet. Sånn har det blitt. Fremskrittspartiet i regjering er ikke troverdig. troverdig. Jeg sitter og hører på spørsmål etter spørsmål etter spørsmål. Statsråden klarer ikke engang å gi et tydelig svar på om f.eks. en trasé om Askim skal være en del av dette. Det er utrolig skuffende. Jeg synes kanskje man kunne forholde seg til litt av det som er

å sende Stockholms-toget via Askim, men det er neppe fornuftig å sende det tvers over. Og Akershus fylkesting har jo behandlet denne saken, i 2007 – da var det til og med Arbeiderpartiet som satt i regjering – og da sa man at man skulle gå om Kongsvinger, for det har noe å gjøre med hvordan de sporene som Stockholms-toget går på, også kan ha en regional betydning i Norge. Norge. Jeg er usikker på om det å sende det over Bjørkelangen vil ha den store regionale betydningen kontra det å sende det over Askim eller over Kongsvinger, som fylkestinget i sin tid ba om. Så har vi andre grensekryssende jernbaner som er i kjømda, og kanskje enda lenger fram, og det er Ofotbanen. Der har svenskene en stor interesse, og vi har også en interesse i det. svenskene en stor interesse, og vi har også en interesse i det. Svenskene har null interesse for forbindelsene mellom Göteborg og Norge når det gjelder de ti milene som de skal ha ansvar for. Det har vi slitt med hele tiden, og da mener jeg vi som har sittet med utredningene og laget alle disse planene. Det er laget masse planer. Hvis man ikke tror på det, kan man lese «8 millionersbyen» – det er strekningen Oslo–København – hvor både Oslo, Malmö og København satt sammen i noe som het Den Skandinaviske Arenaen, og utredet mulighetene. Mulighetene er enorme, men vi har aldri kommet lenger enn til grensen mellom regionalpolitikk og statlig politikk. Der har det stoppet i Sverige, der har det stoppet i Norge, og der har det stoppet i Danmark, for dette skal prioriteres innenfor rammen av det totale bildet vi har. har. Jeg tror vi altfor ofte går inn i KVU-er, konseptvalgutredninger, uten egentlig å vite om vi har mulighet til å gjennomføre det. Vi lager en masse planer som – om de skal gjennomføres – kanskje allerede er for gamle. Jeg tror det vi gjør nå, er at vi satser på Kongsvingerbanen. Vi bør se på kapasiteten til Kongsvingerbanen, om den skal avlastes ved å se på andre ting når det gjelder

det jeg hadde lyst til å ta opp her nå, er egentlig dette med det nordiske samarbeidet, grensekryssende transport. Som nevnt før her i dag hadde vi en debatt omkring nordisk samarbeid her. Da ble det brukt veldig mange fine ord, og det har det vært brukt mange ganger. Det er vel knapt noe som er mer fysisk målbart enn transportårer når det gjelder samarbeid mellom to naboland. Jeg kan f.eks. vise til

og som skal stå ferdig i 2030. Foreningen Norden løfter naturlig nok det nordiske samarbeidet høyt når de skriver i sitt høringsnotat til komiteen: «Vi har rett og slett ikke råd til å la være å utbedre togforbindelsene mellom Norge og Sverige.» Foreningen støtter altså helhjertet opp om KVU-forslagene vi har fremmet. Nordisk råd har vært nevnt. De har også ivret for et tettere transportsamarbeid i Norden Norden og anbefalt et felles nordisk fond for å planlegge grensekryssende transportløsninger. Dette vitner om en bekymring for at vi ikke tenker nok nordiske løsninger, kanskje spesielt mellom Norge og Sverige. har gått enda mer konkret til verks i sin uttalelse og anbefaler å etablere en svensk-norsk og en svensk-dansk transportkommisjon for å få en mer koordinert tilnærming til grensekryssende transportplanlegging. Vi forslagsstillere ber også regjeringen samarbeide tett og være i kontinuerlig dialog med svenske myndigheter når begge disse KVU-ene skal utarbeides. igjen. Jeg er ganske sikker på at vi i hvert fall fra SVs side vil se på det igjen og muligens fremme det konkret, for jeg tror det har mye for seg. Det har vært nevnt flere grensekryssende prosjekter, bl.a. Ofotbanen. Det er med forskjellig vinkling og forskjellig ståsted disse to landene opererer, ofte ikke helt koordinert og på forskjellige tidspunkter, så en kommisjon kan være spennende. Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet, men da jeg hørte på replikkordskiftet i stad, slo det meg at tilbake i gamle dager, holdt jeg på å si, da jeg var ung og hørte på debatter på Stortinget, så skjønte jeg ikke alltid hva ministrene svarte, og jeg kjente meg ikke helt igjen i svaret som ministrene kom med i forhold til det som ble stilt av spørsmål. Og det er mange statsråder som er dårlige til å svare – eller gode til å vri seg unna. Men slik oppfatter jeg ikke statsråd Ketil Solvik-Olsen når det gjelder KVU-en for Kongsvingerbanen. Han var klar og tydelig på gjentatte spørsmål. Jeg mistet tellingen over hvor mange ganger han fikk samme spørsmål, det var i hvert fall fire ganger. Ja, Kongsvingerbanens KVU er en KVU for Kongsvingerbanen, men – for det var et «men» der – ministeren var åpen for å se på andre løsninger og justeringer, men da selvfølgelig fortsatt tilknyttet det som er utgangspunktet, som er Kongsvingerbanen. Jeg synes egentlig det var et veldig godt og tydelig og klart svar, så jeg skjønner ikke behovet for å gjenta og gjenta spørsmålet. Når det gjelder Senterpartiet: Det er veldig interessant og også litt spennende både å høre og følge med på Senterpartiet. Det er stor forskjell fra posisjon til opposisjon, og det er forståelig, det er flere som kjenner seg igjen i det, men det er også stor forskjell innad i Senterpartiet i opposisjon. Og det er interessant å se. Navarsete var i fjor, for bare ett år tilbake, ute og kritiserte regjeringen for å bruke for mye penger på jernbane på Østlandet. Senterpartiet ville flytte penger fra jernbane på Østlandet og ut i distriktene, mens de i dag ønsker å bruke mer penger på tog på Østlandet. Det er ganske interessant. Før Senterpartiet klarer å fronte saker som mer penger til jernbane på Østlandet eller mindre penger til jernbane på Østlandet, bør de kunne bli enige internt før de går ut og kritiserer regjeringen, det motsatte blir å ta ting i feil rekkefølge. Jeg oppfordrer Senterpartiet til å ta et lite gruppemøte og finne ut hvor de skal prioritere i togsatsingen og samferdselssatsingen, om det er i distriktene, eller om det er å satse enda mer på det sentrale Østlandet. Jeg vil oppfordre representanten

Så til KVU-en: Hvis det er slik å forstå, som representanten Johnsen har oppfattet, at KVU-en for Kongsvingerbanen ikke skal inkludere og vurdere en togstrekning over Bjørkelangen, at en ikke skal vurdere en togstrekning

jeg mener det er mange gode argumenter for Kongsvingerbanen. Jeg mener også at det har kommet mange gode forslag fra Kongsvinger-regionen og fra kommunene langs Kongsvingerbanen, eksempelvis om å bygge en ny trasé fra Årnes til Gardermoen for å kunne frigjøre kapasitet på dagens Kongsvingerbane. Men poenget er at her er det lagt fram ulike konsepter, ulike alternativer, og det er fornuftig å ha en som vurderer alle tre. Det er det som ligger i forslaget, og det er det representanter fra regjeringspartiene nå tydeligvis er med på å avlyse. Det er fornuftig å ha en bred konseptvalgutredning, og når den ligger på bordet, foreta prioriteringer i henhold til det som er fornuftig ut fra de argumentene som er lagt på bordet.

Jeg ble i stad, som saksordfører, beskyldt av Stein Erik Lauvås for å mene at det nordiske samarbeidet og Nordisk råds vedtak var en stopp, omtrent, for dette forslaget. Det er jo omvendt. Det er faktisk det som viser at det er et stort engasjement i dette. Det er i at man kan utnytte jernbaneinfrastrukturen mellom Norge og Sverige på flere områder. Statsråden har nevnt mellom Finland og Norge, altså opp til Kirkenes. Ofotbanen har blitt nevnt. I mitt distrikt har vi Meråkerbanen. Den er det ingen som har nevnt i dag, så Den er det ingen som har nevnt i dag, så jeg kan jo tale litt for den, da. Så har vi også Kongsvingerbanen og lenger sørover, der det helt klart er noen store muligheter fordi det kan bli en felles bo- og arbeidsregion. Jeg håper at det som har kommet fram i debatten her, er en fortsettelse av det arbeidet som er godt i gang. Ikke minst

Der tror jeg vi helt klart får synspunkter fra denne debatten fra statsråd Ketil Solvik-Olsen, og jeg ser fram til at både KVU-en for Kongsvingerbanen og de videre føringene opp mot dette kan føre til en spennende utvikling av jernbanen i det mellomnordiske

krysningsspor, man skal bygge ut stasjoner langs Kongsvingerbanen, og man skal også få til løsninger som gjør at man kan forkorte avstanden for tømmer som kommer fra Gudbrandsdalen og ned til Kongsvinger. Det er en del av godspakken til 18 mrd. kr. Det man eventuelt kan vurdere, er om det nye toget fra Stockholm, hvis det kommer, skal gå et annet sted enn til Kongsvinger – det er det det egentlig er snakk om. Jeg mener i hvert fall at det er grunn til å se på om banen fra Sverige

Jeg har telt nøye, og det er flere opposisjonspolitikere som har treminuttere igjen ennå. I og med at det har kommet påstander om at det er det samme som å skrinlegge prosjektet hvis en ikke støtter det fra regjeringspartienes side, vil jeg bare bekrefte at vi ikke har tenkt å skrinlegge noe som helst. Vi har tenkt å fortsette arbeidet med å se på Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg. Vi har tenkt å fortsette arbeidet som vi startet allerede senhøsten 2013, da jeg reiste til Stockholm og begynte å snakke med dem om det. og et halvt år. Men det tar tid, rett og slett fordi rutene til Norge for Sverige er bakveier, ikke hovedveier dit de skal. Det er utfordringen. Men vi gir ikke opp, vi fortsetter det arbeidet. arbeidet. Som jeg har nevnt, har vi gjort utredninger på strekningen Oslo–Göteborg allerede. Rapporten ble framlagt i mai 2016. Det er greit å ha med seg når en gir inntrykk av at ingenting skjer. Vi har varslet denne KVU-en på strekningen Oslo–Stockholm, der vi skal se på norsk side og også på det svenskene allerede har gjort. Ergo er det er vanskelig – for mitt hode i alle fall – å forstå hvordan enkelte konkluderer med at nå skjer det ingenting. også om at bevilgningene til jernbanesatsing har økt med over 50 pst. med dagens regjering. Det er veldig mange milliarder kroner. Fra opposisjonens side får vi naturlig nok kritikk, men jeg ser ikke et helhetlig alternativ utover det å kritisere regjeringen. Vi har allerede i denne debatten fått bekreftet nok en gang hvorfor forrige regjering ikke klarte å få særlig fart på sine ting. Her står det altså folk som sier de skal bruke mer penger på

som gjør at det blir resultat av det. Til opposisjonens forslag: Jeg setter pris på engasjementet, for her jobber vi i samme retning, men jeg synes det er litt rart å skape så mye svartmaling og så mye forvirring rundt temaet når vi tross alt er ganske enige. Det er

enige. Det er ingen tvil om at det er stor vilje frå alle partar og parti i salen om å satsa på jernbane og få lyfta opp problemstillingane rundt jernbanestrekningane ut frå og inn til landet vårt. Det er eit konstruktivt og positivt innspel, og eg vert lite grann forundra når eg høyrer statsråden visa til at det er svartmåling og og eg vert lite grann forundra når eg høyrer statsråden visa til at det er svartmåling og å slå inn opne dører. Og det er kritikk til opposisjonen for at ein faktisk lyftar opp noko som er ei utfordring for både fylkeskommunen og næringslivet i regionen. Eg kan visa til innspelet frå representanten Jegstads eige fylke til Nasjonal transportplan for 2018–2029. Dei har to punkt om jernbane. Det eine går på kollektivtrafikken ut frå og inn til Oslo, det andre er jernbanestrekninga Oslo–Göteborg. Denne strekninga er viktig for å binda det norske jernbanesystemet saman med Europa og viktig for både gods- og persontrafikk. Det er nødvendig at Noreg og Sverige set i gang eit felles arbeid med KVU for å oppgradera strekninga.

så det kan jeg ganske mye om. Men fra tid til annen kan jo Stortinget samle seg, både opposisjon og posisjon, om forslag som en er enig om. Etter å ha hørt på debatten her i dag er det fortsatt uforståelig for meg hvorfor vi ikke kan samles om forslagene som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmer i dag. Det er helt uforståelig at særlig Venstre og Kristelig har havnet i den situasjonen de nå har havnet i. De argumenterer sterkt, klart og tydelig for å se nærmere på jernbaneforbindelsene mellom Oslo og Stockholm og mellom Oslo og Göteborg, men stemmer imot de to forslagene som nettopp går på å utrede det. Det er synd at vi har et stortingsflertall som har så lave ambisjoner for jernbanen og så lave ambisjoner for de grensekryssende jernbanestrekningene. Jeg har lagt merke til at regjeringspartiene, som utgjør flertallet i transportkomiteen, skriver i innstillingen: «Flertallet mener imidlertid at en KVU ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, da prosjektet ikke har en god nok forankring i den svenske regjeringen.» Det er altså den svenske regjeringen som skal bestemme ambisjonsnivået for i Norge! Jeg er heller ikke så sikker på om det som står der, er riktig. Så vidt jeg vet, skal den nasjonale transportplanen i Sverige legges fram nettopp nå i disse dager. Kanskje er den lagt fram akkurat nå nylig – før helgen var den det ikke, det er kanskje bare dager til. Den motsvarer vår transportplan. Hvordan de vil satse der, får vi vente og se. Vi hørte det samme om Ofotbanen. I Nasjonal transportplan sto det at det ikke var nødvendig å I Nasjonal transportplan sto det at det ikke var nødvendig å satse så mye fra norsk side, fordi svenskene ikke er så ivrige etter å bygge ut Ofotbanen. Da transportkomiteen var i Stockholm og hadde kontakt med sine kollegaer i Riksdagen og med departementet nå i mars, var det det motsatte inntrykket vi satt igjen med. Det er altså ikke riktig at svenskene ikke er interessert i å bygge ut de de grensekryssende banene. Så til slutt til min gode venn Jegstad: Jeg er helt enig med ham i betydningen av Kongsvingerbanen. Den er svært viktig for godstransporten øst–vest og nord–sør. Det skal ikke rokkes ved. Den må bygges ut, og den må styrkes. Men det er ingen motsetning mellom dette og det å se på det totale jernbanetilbudet mellom Oslo og Stockholm – og da se på alle alternativene. Men dessverre, det vil ikke Stortinget.

Jeg synes det er leit. Jeg kan bare vise til komitéreisen vi hadde til Stockholm og Göteborg på ettervinteren, og til høringsuttalelsene i saken. Den store positiviteten som var til å ta og føle på for jernbaneutbygging mellom Norge og Sverige, må ha gjort inntrykk også på dem, og det er vanskelig å skjønne denne motviljen mot å utrede mulighetene østover. Jeg kan vanskelig tilskrive dette noe annet enn at det er politisk uvilje fordi initiativet kom fra feil kant, altså fra opposisjonen, og fra SV spesielt. Jeg takker for hyggelige ord fra Kristelig Folkeparti og beklager selvsagt at konklusjonen deres ble gæren, fra vårt synspunkt, men slik er nå det politiske livet. Jeg synes det er

Jeg var nettopp oppe og sa at vi kommer til å jobbe videre med dette, at jeg kommer til å treffe mine kolleger, at vi jobber for å finne løsninger. Da er det det som gjelder. Stortinget trenger ikke vedta dette når vi allerede er i gang. Da kan en like godt vedta at regjeringen skal legge fram et statsbudsjett i oktober hvert år, men det gjør vi uavhengig av et forslag i Stortinget, for det er sånn vi jobber. På samme måten er vi i gang her. å komme med den type påstander fra Stortingets talerstol etter at vi egentlig har kommunisert det stikk motsatte gang på gang, er helt meningsløst. Presidenten vil antyde at begrepet «tull og tøys» ikke er innenfor god parlamentarisk språkbruk. Det er faktisk god

beskjeder om at arbeidet fortsetter i tråd med det som er vedtatt tidligere, og det som det er tatt initiativ til overfor statsrådene i de andre landene. Da tror jeg at vi er meget godt fornøyd i Stortinget med at dette arbeidet fortsetter i sin gode fart. Vi får håpe at det også blir gjennomført. Det er faktisk også litt avhengig av det private initiativet og det private engasjementet som flere har vist oss – Prosjektet Oslo–Stockholm 2:55, som Sverre Myrli nevnte, var for meg i hvert fall både et nytt og et meget interessant konsept,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

Jeg vil understreke viktigheten av dette, spesielt når det gjelder Norges muligheter til å nå klimamålene som er nedfelt i Parisavtalen. Transportbehovet er stort i dette området, og overgang fra privatbil til kollektivtrafikk, sykkel og gange og overføring av gods fra veg til sjø og bane gir store positive utslag på den nasjonale statistikken. Mye av godset som transporteres på vei og bane, skal og mange av arbeidsreisene og fritidsreisene har sitt opphav eller endepunkt her. Mer enn 50 pst. av landets kollektivreiser foregår i Oslo og Akershus – til sammen 371 millioner reiser per år. Men til tross for dette er det over 112 millioner passeringer i bomringen i året – eller 306 000 passeringer per dag – én vei. Mye av dette er nyttetrafikk, men daglige arbeidsreiser utgjør også en stor andel. En årlig befolkningsvekst på 15 000–20 000 innbyggere per år øker transportbehovet ytterligere. Da komiteen var på reise i Oslo og Akershus for noen uker siden, var det godt å kunne registrere den offensive holdningen til disse utfordringene som en møter i Oslo og Akershus. Proposisjonene vi behandler i dag, bygger på Prop. 86 S for 2016–2017, som ble vedtatt i Stortinget i fjor. I den ble det foreslått å innføre et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte takster i tre ulike trinn. Trinn 1 innebar innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i eksisterende bomsnitt i Oslo. Disse endringene ble innført fra 1. oktober 2017. Proposisjonen redegjorde også for prosjekter og tiltak som forutsettes finansiert gjennom Oslopakke Trinn 2 forutsetter supplerende bomsnitt på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo mot Oslo. Samtidig planlegges nye innkrevingspunkter i Oslo på Ring 2 med armer. Videre legges det opp til å innføre avgift for elbiler i takstgruppe 1. Målet er å innføre trinn 2 fra 1. mars 2019. innebærer at takstene for elbiler i takstgruppe 1 økes ytterligere. Det er et mål å innføre trinn 3 fra 1. mars 2020. De lokale myndighetene har lagt til grunn at staten vil bidra med 50 pst. av investeringskostnadene for flere tyngre infrastrukturprosjekter for kollektivtransporten. Det er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen, baneløsning for Nedre Romerike og nytt signal- og sikringsanlegg for Drift, vedlikehold og oppgradering av eksisterende T-baner og samlet plan for oppgradering av eksisterende trikkenett tilpasset nye trikker inngår også i den lokalt reviderte avtalen. Det er grunn til å merke seg Samferdselsdepartementets påpeking av at flere av de store kollektivtrafikkprosjektene som er vurdert som aktuelle fra lokale myndigheters side, er på et tidlig plan- og utredningsstadium. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsberegningene. Den videre prioriteringen skal styres gjennom porteføljestyring, og det forutsettes at omfang og prioriteringer tilpasses tilgjengelige økonomiske rammer. Departementet viser til at lånerammen ikke skal overstige 6,3 mrd. 2013-kroner. Departementet understreker videre at når det gjelder mulige 50/50-prosjekter, er det er avsatt midler i Nasjonal transportplan 2018–2029 til Fornebubanen og ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen/Ensjø. Av

Det er innenfor de nasjonale reglene som Stortinget har vedtatt. Et viktig moment er at det settes opp mange flere bomstasjoner som fordeler utgiftene på flere. Det vil gi lavere takster for mange av dem som i dag kjører gjennom bomringen, samtidig som de samlede inntektene øker. Tids- og miljødifferensierte takster vil bli videreført også i de nye bomsnittene.

men den avtalen som nå er inngått er svært viktig for denne regionen.» Dette sa veidirektøren, som har ledet forhandlingene om Oslopakke 3. Oslo skal vokse med nesten 200 000 innbyggere de neste 20 årene. Denne veksten kan ikke tas med bil. Framkommeligheten for dem som trenger det, må bedres. Derfor må Derfor må kollektivreisende, fotgjengere og syklister prioriteres – det må bli enklere og mer tilgjengelige løsninger for dem. Samtidig må vi sikre innbyggerne ren og trygg luft, øke livskvaliteten og bidra til et grønt næringsliv. Oslo og Akershus vil vise vei for Norge og for Europa i arbeidet med å bli en bærekraftig storby. De vil legge til grunn et tett og forpliktende regionalt samarbeid om areal- og transportutviklingen. Denne avtalen gjelder for perioden 2018–2036. Det er lang tid. Det er avgjørende også for resten av landet at Oslo og omegn lykkes. Infrastrukturen rundt Gardermoen, Oslo sentralstasjon og Oslo havn er også en del av transportnettet for resten av landet, både for folk og for gods. For at Oslo skal lykkes, må planlagt utvikling og framtid på jernbane og InterCity holdes. En utsettelse av enkeltstrekninger i flere år gjør det vanskelig å nå nasjonale klimamål og utfordrer Oslo spesielt. Oslopakke 3 utfordres på økonomi. Å endre og bygge ut infrastruktur i eksisterende bebyggelse er krevende. Derfor mener vi det er avgjørende for å kunne prioritere mellom målene om inntekter, trafikkreduksjon, andel nullutslippskjøretøy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, å ha betydelig fleksibilitet i takstene på lengre sikt. Det er også avgjørende at en har kontroll på økonomien med en streng porteføljestyring. Vi registrerer at Fremskrittspartiet på Stortinget igjen har et annet syn på bompengespørsmål enn sine egne i regjering. Det spørsmålet vil stortingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet overlate til

det skal etableres hele 53 nye bomstasjoner, og man må ikke bare betale bompenger når man kjører inn til Oslo, man må også betale når man kjører ut. Det er nesten så en kan lure på om dette er et tilflytningstiltak, slik at bøndene fra Hedmarken ikke skal reise hjem igjen. Dette er helt ekstremt, og jeg har knapt ord for å uttrykke hvor urettferdig dette er overfor bilistene. Men Oslopakke

om å innføre Oslopakke 3. Alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, er for. Våre regjeringspartnere ønsker også Oslopakke 3. Følgelig er det et stort flertall for alle disse nye bomstasjonene i og rundt Oslo, og det må Fremskrittspartiet som en seriøs og troverdig samarbeidspartner forholde seg til. Og det har absolutt ikke noe med dobbeltkommunikasjon å gjøre. Men det er noen små lyspunkter. Selv om vi ikke klarer å stoppe disse bomstasjonene, så alvorlige og dramatiske konsekvenser for lommeboken og hverdagen til folk flest at folket så absolutt bør få sagt sin mening gjennom en folkeavstemning.

Det poenget er veldig viktig, for i Oslopakke 3 er det faktisk bare 15 pst. av bompengene som skal tas fra bilistene, som skal brukes på bilistene. Med langt flere bommer og toveis innkreving blir bombelastningen urimelig høy. Det vil særlig ramme barnefamilier som må kjøre mye bil. Fremskrittspartiet mener at bombelastningen og passeringstaket må reduseres betydelig. Hvis målsettingen er at flere skal velge kollektivtrafikk, må man konsentrere seg om å gjøre kollektivtransporten mer kundeorientert og bedre i stedet for å gjøre hverdagen håpløs for alle som kjører bil, alle som er avhengig av å kjøre bil. Det er noe som heter at man får de politikerne man fortjener, og for Oslos del er det folket som har stemt på partier som ønsker bompenger. Men bompengene er bare en liten del av den rød-grønne skattepakken som har blitt innført i Oslo, med bl.a. eiendomsskatt og økte kommunale avgifter. Samtidig bygges eldreomsorgen ned, sykehjem stenges, og eldre pleietrengende kastes ut i usikkerhet. Så jeg er veldig glad for at det snart er nytt valg, og at vi forhåpentligvis kan få et nytt regime i Oslo.

I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 er det lagt til grunn at dagens bomstasjonar som berre har vore innkrevjing éin veg, no skal få tovegs innkrevjing. Vidare skal det etablerast eit nytt bomsnitt som inneber ei rekkje nye bomstasjonar og bomsnitt i Oslo. Det nye systemet skal altså setjast i drift frå 1. mars 2019, og det er liten tvil om at dette vil men samstundes vil det òg kosta mykje skilling for dei som treng den fridomen som privatbilen gjev. Barnefamiliar som skal levera i barnehage og så koma seg på jobb, treng ofte meir fleksibilitet i ein hektisk kvardag. Dette kan verta dyrt. Det er ikkje fyrste gongen vi diskuterer Oslopakka i Stortinget. I fjor på denne tida behandla vi NTP, og eg vil kva Senterpartiet sa den gongen. Senterpartiet gjekk inn for å forskuva nokre av vegprosjekta som låg inne. Fleire av prosjekta på veg vil kosta mykje og knappast gje kapasitetsauke. Hadde ein skuva på nokre av dei prosjekta då, kunne ein kanskje òg redusert bompengeinnkrevjinga no. Eg merka meg òg at det berre er 15 pst. av midlane i Oslopakka som skal nyttast til vegføremål, 72 pst. går til kollektivtiltak. Såleis er det ei kraftig subsidiering frå bilistane si side av dei som nyttar trikk, bane og buss. Dette er midlar som kjem i tillegg til kva Oslo kommune og Akershus fylkeskommune får til desse tiltaka gjennom rammetilskot Tanken bak rammetilskotet er jo at det skal dekkja drift av kollektivtilbod, og mange av fylkeskommunane har ikkje andre midlar enn rammetilskotet å bruka til desse føremåla. I tillegg er staten inne med finansiering av både utbygging og drift av jernbane, der det spesielt har vore store prosjekt her i det sentrale Austlands-området. Summen av dette og konsekvensane av det bør gjera at vi stiller oss spørsmålet om kronene til kollektiv og samferdsel vert rett eller om det er ei stor skeivfordeling som Oslo kjem spesielt godt ut av. Det er i alle fall eit godt døme på at sentralisering kostar. Nokre parti tek òg til orde for å auka det statlege bidraget i bypakkeordningane til 70 pst. Det vil Senterpartiet åtvara sterkt mot. Vi vil heller invitera desse partia til å bruka dei skillingane på å auka rammetilskotet til fylkeskommunane, slik at alle får ta del i auka skillingbruk til samferdsel. Senterpartiet kjem til å støtta innstillinga, då det lokalt er brei oppslutnad om løysingane, men eg merkar meg at Framstegspartiet i sin merknad tek til orde for ei folkerøysting i spørsmålet om bompengesaker. Det er freistande å høyra om òg statsråden deler denne vurderinga. Det var jo interessant å høyra representanten Johnsen, på vegner av regjeringspartiet Framstegspartiet, gå så kraftig i rette med proposisjonen som er lagd fram

og vi ser det satses på gående og syklende framfor bilbaserte tiltak. Det blir spennende å se hvordan det går to år videre i hovedstaden. Det er vel litt som med innføringen av røykeloven, muligens, og det kan vel også hende at representanter av Johnsens type vil se at fire år med slike gode miljøtiltak i byen Jeg tror også at representanter av Johnsens type neppe ville hatt f.eks. Nedre Slottsgate og Øvre Slottsgate full av biltrafikk igjen. Jeg er veldig i tvil om det. Det ligger som et eksplisitt mål i avtalen å redusere biltrafikken med 15 pst. i løpet av 2019. Dersom dette ikke innfris, skal takstene for bompenger reforhandles. reforhandles. På denne bakgrunnen anser partene i avtalen det realistisk at en reduksjon i biltrafikken på 15 pst. gjennom bomsnittene i 2019 legges til grunn som et mål i avtalen. Det skal rapporteres på dette målet i de årlige rulleringene av handlingsprogrammet for Oslopakke 3. Dersom det godtgjøres gjennom de årlige rapporteringene at målet ikke innfris, åpnes det for reforhandlinger av bomtakstsystemet hvis partene ber om det. Jeg viser i den forbindelse til det pågående arbeidet med å harmonisere veitrafikkloven og veiloven knyttet til bruk av bompenger til trafikkregulering. Endringer i bomtakstene forutsetter enighet mellom partene og må forelegges Stortinget for godkjennelse. Jeg synes kanskje det er litt underlig at at dette ikke er omtalt i proposisjonen, men jeg forutsetter at regjeringen forholder seg til avtalen slik som den står. I den forbindelse vil jeg også understreke betydningen av å innføre endringene 1. mars 2019 som avtalt, og ikke senere, som jeg mener var tilfellet for Oslopakke 3, trinn 1. Så til avtalen om E18 Vestkorridoren i proposisjonen. Jeg har ved flere anledninger her i salen vært tydelig på at jeg har vært på linje med byrådet i Oslo ved å gå imot utbygging av E18 utover strekningen Lysaker–Strand. Denne utbyggingen av Vestkorridoren er både imot klar forskning som viser at privatbilismen og køproblemet ikke avhjelpes med sånne tiltak, og forferdelig dårlig miljøpolitikk. Til slutt er det en forferdelig miljøpolitikk. Til slutt er det en forferdelig bruk av samfunnets ressurser og et klart eksempel på at stortingsflertallet aldri klarer å prioritere innen veiutbygging. Uansett hvor komiteen har dratt, og uansett hvem som har kommet på besøk til oss i komiteen, har det vært en unison klage på etterslep i milliardklassen på vedlikehold av fylkesveier, det har vært klaget på plikt

SV synes det er kritikkverdig at Stortinget i NTP vedtok å bygge ut E18 helhetlig når forutsetningen i den lokale avtalen om Oslopakke 3 var at det kun var strekningen Lysaker–Strand man var enige om. Slik har i hvert fall jeg forstått det. Resten av strekningen må nedskaleres av hensyn til kostnadene og slik at den fysiske veikapasiteten ikke øker, dersom man skal følge de lokalpolitiske vedtakene i denne saken, og det synes jeg vi burde. Dersom regjeringen fulgte de lokalpolitiske vedtakene i denne saken og ikke planla for utbygging utover Lysaker–Strand, ville det frigjøre midler til andre kollektivprosjekter som kunne kommet Oslos befolkning, og selvfølgelig også miljøet, til gode. Det er på denne bakgrunn SV har fremmet et eget forslag, som jeg godt kan sitere: ber regjeringen stoppe alle planer om utbygging av E18 Vestkorridoren ut over Lysaker–Strand, som det er lokalpolitisk enighet om.» Dermed tar jeg opp dette forslaget. Da har representanten Arne Nævra tatt opp det forslaget han refererte.

kollektivtrafikk, ansporer faktisk mange byer og tettsteder rundt omkring i landet til å gjøre det samme. Jeg kommer selv fra Trondheim, og det var Oslopakken som var modellen da vi laget miljøpakken i Trondheim. De er ikke like. De er forskjellige. Vi har betaling både inn og ut i Trondheim, mens det bare har vært inn i Oslo f.eks. Det har vært køprising i Trondheim, det har ikke vært rushtidsavgift i Oslo. Det skal nå innføres. Men det er lokalt bestemt. Det er lokale vedtak i de respektive bystyrer og også selvfølgelig forhandlinger med andre parter,

Så over til det som er helt spesifikt for Oslo. Oslopakke 3 og innføringen av bompengesystem føler jeg begynner å ligne veiprising. Jeg tror det er en god løsning med differensiering, sånn at dieselbilene betaler mest og bensinbilene noe mindre. Elbiler skal betale for første gang, ja, men det er beskjedne beløp i forhold til de andre – og merk dere: hydrogenbilene skal fortsatt være avgiftsfrie. Det kan faktisk være en spore til at hydrogen blir en bra energikilde for transportsystemene våre i framtiden, når vi bruker slik gulrot som vi nå gjør for hydrogenbiler i Oslopakken.

men at man klarer å få gjennomført det. Jeg tror det er en meget viktig baneløsning ut til Fornebu. Det gjør Fornebu attraktiv, men ikke minst kan enda flere velge å ta arbeidsreisen sin med bane istedenfor med bil, sånn som i dag. Når disse prosentsatsene og hvem som får mest, blir nevnt, er det altså en transportpakke Oslopakken er en transportpakke. Man hjelper hverandre ved at man krever inn penger fra bilistene, og så får man mange til å bruke kollektivtransport – mange til å gå og sykle. Det at man innfører rushtidsavgift, tilsier at det blir enklere for dem som faktisk må bruke

men det temaet har vi jo snakket om en del ganger i denne salen i det siste, så jeg skal la det ligge nå. Kristelig Folkeparti støtter forslaget fra regjeringen. Det er flere gode prosjekter i pakken, og det er altså oppnådd enighet om portefølje og finansiering. Samtidig vil jeg legge til, og jeg sier dette i respekt for de lokalpolitiske prosessene, at det generelt sett er grunn til å se nærmere på den totale Det gjelder spesielt for Oslo, men det kan også gjelde for flere områder i landet vårt. Kristelig Folkeparti er for brukerbetaling på vei. Det er viktigere for oss å si ja til ny vei og ja til bompenger enn å si nei til ny vei og nei til bompenger. Det står vi fast ved. Brukerbetaling er en naturlig del av finansieringsgrunnlaget for nye veiprosjekter der det er et lokalt ønske om det. Samtidig mener vi at bompengebelastningen helt åpenbart kan nå en smertegrense. Derfor har Kristelig Folkeparti bidratt sterkt til å øke bevilgningene til vei og samferdsel de senere årene, og den satsingen skal fortsette. For å få forsert utbyggingen er det fornuftig å ta ut en del av det bompengepotensialet som finnes, forutsatt at det er lokalpolitisk vilje til Men for at brukerbetalingen skal kunne opprettholdes, er det viktig at ordningen ikke oppleves urimelig eller svært urettferdig, bl.a. med tanke på geografi. I enkelte områder ser vi at det er tendenser til en fortetning av bomstasjoner med høye priser, noe som kan være til ekstra stor belastning for enkelte spesielt utsatte grupper. Det vil derfor være fornuftig å se nøye på helheten i brukerbetalingssystemet, nettopp med det formålet å sikre et mest mulig robust og bærekraftig system framover. Også den totale bompengebelastningen for trafikantene i et område bør vurderes i de lokale prosessene. Ikke minst er det viktig at trafikantene opplever en god sammenheng mellom betaling og nytte. Jeg forstår derfor kritikken som rettes mot Vi aksepterer avtalen som er framforhandlet i Oslopakken, men avtalen illustrerer samtidig behovet for å tenke nytt. Løsningen er ikke å innføre 100 pst. statlig finansiering. Vi bruker mer statlige penger på vei enn noen gang før. Kristelig Folkeparti har vært med på å framforhandle den mest ambisiøse transportplanen i Norge noensinne. I NTP er det i tillegg lagt til grunn 131 mrd. kr i bompenger, og det er mye.

Vi har valget mellom å si ja til mer vei og til bompenger og å si nei til andre formål, som helse, forsvar, skole osv. Brukerbetaling skal vi ha, men vi bør fornye oss. Vi bør ta på fullt alvor at f.eks. avansert veiprising kan være en mer framtidsrettet ordning enn dagens bompengesystem. Utviklingen går i den Dagens bomstasjoner vil, etter min oppfatning, framstå som gammeldagse og utdaterte om noen år. Jeg tror vi like godt først som sist bør venne oss til tanken om at det finnes andre og mer rettferdige måter å organisere brukerbetalinger på enn dagens bompengesystem. Veiprising kan, etter vår oppfatning, være en god og framtidsrettet ordning, og jeg er sikker på at vi kommer tilbake til dette om ikke veldig lang

arealeffektive transportmiddelet i de områdene der det er mest kamp om arealene. De trodde at man ville få mer mobilitet i byen av at folk ville rulle tett i tett, drassende på 2 tonn eksos-osende stål i trange bygater. De trodde at en by der kvadratmeterprisen ligger på mange hundre tusen kroner, har uendelig mye plass, som står helt gratis til disposisjon for å lagre 12 m 2 med bil på gateplan – hele dagen! De nektet å innse at de var fanget i et tankemønster fra 1950-tallet. Og fortsatt mener noen av dem at Oslo skal fylles med biler – fordi Norge er et langstrakt land. De nekter å innse at bil er smart der det er mye plass og langt mellom folk, men særdeles dumt der det er lite plass og trangt mellom folk. Disse folkene blir det heldigvis stadig færre av, takket være gode resultater og etterpåklokskapens klare lys. Saken er avgjort. Saken er avgjort. Saken er soleklar. I saken vi debatterer i dag, er disse bilromantikerne fra 1900-tallet i solid mindretall. Vi i Miljøpartiet De Grønne er glade for at det er et bredt politisk flertall på Stortinget i dag som slutter seg til hovedtrekkene i den politikken vi har vært med på å forhandle fram som byrådsparti i Oslo. Det er en seier for oss, en seier for for Oslo-regionen og en seier vi med glede deler med Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og SV, som alle har bidratt på ulike måter. I virkeligheten er vi nå vitne til en slags transportpolitisk vårløsning i Oslo-regionen. Bilproppen har løsnet. Det tas endelig grep om de store kollektivinvesteringene som er helt avgjørende for at Oslo-regionen skal fungere i Det gjelder ikke minst en ny T-banetunnel og Fornebubanen. Den nye Oslopakke 3 gir samlet 50 mrd. friske kroner til kollektiv- og sykkelprosjekter. Disse nye bompengene vil også gjøre luften bedre, vri bilparken raskere og redusere biltrafikken i byens trange gater. Dermed får vi mer plass til miljøvennlig transport, flere reiser og bedre mobilitet. Mindre biltrafikk vil også bety tryggere skoleveier og nabolag over hele byen. Dessverre har Oslos transportpolitiske vårløsning ennå ikke fått feste i Samferdselsdepartementet. Selv om Stortinget i dag vedtar en god politikk for redusert biltrafikk her i dag, har regjeringen fortsatt – ubegripelig nok planer om å bygge en gigantisk vei inn mot byen, som vil gi økt trafikk i stedet. Statens vegvesen har selv sagt at denne regjeringens planer om å utvide E18 Vestkorridoren er i strid med Oslopakke 3-avtalen, men planene er også i strid med regjeringens eget mål om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. får selv MDG-ere til å bli gråhvite i ansiktet, mens bompengemotstanderne tradisjonelt, Fremskrittspartiet, åpenbart synes det er helt greit – bortsett fra representanten Johnsen, da, som i sitt innlegg skamløst skyver barnefamiliene foran seg. Grønne gir derfor sin fulle støtte til SVs forslag om å stanse E18-utvidelsen, og vi støtter SV og Arbeiderpartiets forslag om heller å bruke pengene på å øke statens andel av kollektivinvesteringene, slik at også Ahus og Romeriksbanen kan komme på plass. Tiden for 1900-talls bilromantikere er ugjenkallelig over. Det er

Vi skal ivareta trafikksikkerheten og investere slik at vi får økt mobilitet og fleksibilitet. Det ligger til grunn for regjeringens politikk, selv om enkelte av opposisjonspolitikerne på Stortinget nekter å ta det inn over seg. Når vi ser satsingen som skjer, f.eks. på jernbane på og rundt Østlandet, er det et tegn på at en tenker

Jeg skulle ønske Miljøpartiet De Grønne kom inn i den virkelige verden når det gjelder å diskutere løsninger. Satsingen som vises i Oslopakke 3, er viktig. Derfor har regjeringen lagt fram denne proposisjonen basert på de forhandlingene som har vært lokalt. Men løsningene vi har valgt, er lokale. FrP-ere kan godt pirke borti meg og påpeke mye bompenger her. Ja, hadde Fremskrittspartiet styrt alene i Oslo og i regjering, hadde ikke disse bompengene vært der. Da hadde vi finansiert det på en annen måte.

Jeg synes også det er interessant at til og med Miljøpartiet De Grønne advarer mot bompenger, skjønt kun hvis bompengene brukes til å bygge vei. I Oslo-ringen ønsker en mer bompenger, men ikke til vei, og dermed spriker argumentasjonen. Flere viktige prosjekt skal finansieres. At staten nå går inn og tar halvparten av regningen, er med og bidrar til at bompengenivået blir lavere enn det ellers ville vært. Vi minner om at da Løren-banen ble bygd, under forrige byråd,

Vi jobber parallelt med å forhandle fram en byvekstavtale med de største byene. Det har blitt signert en bymiljøavtale med en arealdel i Oslo som sørger for at når en bygger ut infrastruktur, får en også fortetninger rundt kollektivknutepunktene. Det er en viktig del av jobben. Så er det også verdt å understreke og minne om at i perioden 2007–2014 var det en reduksjon i bilbruken gjennom bomringen i Oslo. Det er altså ikke først nå at en har funnet ut at det er behagelig å ha få biler der det er mye folk – det har en visst lenge. Det har også vært en kraftig økning i kollektivtransportbruken i perioden 2007–2014. Det er også litt kjekt å konstatere at når det rød-grønne byrådet i Oslo har satt ambisiøse klimamål, var de så ambisiøse at de var innfridd allerede under det borgerlige byrådet, byrådet, og det setter ting litt i perspektiv. Det er viktig at vi får bygd ulike typer infrastruktur som er tilpasset behovene folk har. Derfor er det å bygge både gode sykkelveier, gode kollektivtraseer, god jernbane, gode T-baneløsninger og gode veiløsninger viktig. Bussen skal også fram. Køene på E18 Vestkorridoren er ikke til gagn verken for dem som kjører der, eller langsmed den. Til logikken enkelte uttrykker om at E18 Vestkorridoren er unødvendig, peker jeg på E18 Operatunellen. Jeg tror ingen av oss i dag ville sagt nei til det prosjektet når vi ser hva det har gjort for Oslo sentrum. Det samme bør vi unne oss for Asker og Bærum og alle de andre som bor langs en langt mer trafikkert vei, og der satsingen primært handler om buss, kollektivtrafikk, gange og sykkel – en bedre veistruktur totalt sett. Den satsingen som skjer, skal vi ønske velkommen. Så kan vi være uenige om hvordan vi finansierer det. Det blir replikkordskifte. Arbeiderpartiet er

Men da bør det også være godt tilrettelagte kollektivtilbud. I dag står bilene i Oslo i stampe – en kommer ikke fram. Derfor har bompenger en effekt. Hvordan ser statsråden på denne påstanden? Jeg har gått til valg på å redusere bompengebelastningen både i Oslo og andre steder. Det er ingen sammenheng mellom det høye nivået som byrådet i Oslo nå ønsker å ha, og det transportbehovet som folk har. Når jeg kjører mine barn på håndballturnering på en søndag, tar det meg ca. 20 minutter å kjøre gjennom Oslo, men jeg må betale bompenger to ganger. Skulle jeg tatt T-bane eller buss, som Oslo-byrådet mener jeg skulle, hadde jeg brukt ca. to timer mer på turen. Når vi er bekymret for at barn i enkelte klasser ikke har råd til å gå i bursdagsselskap fordi det forventes at de har med

sine. Mitt spørsmål blir da, i oppfølgingen av det: Hva hvis det ikke hadde vært bompenger? I Trondheim ser en tydelig forskjell når det gjelder framkommeligheten for dem som virkelig trenger transport. De står ikke i kø på den samme måten. Det samme er det i Oslo. Hva er da alternativet til

Hvis målet er, slik det er for byrådet i Oslo, at det skal være så dyrt å kjøre bil at folk velger å slutte å gjøre det på grunn av prisnivået, er høye bomtakster selvsagt et mål. Hvis målet derimot er annerledes, at det blir en ren finansiering, men der en ikke skal straffe bilistene, tror jeg mange ville sagt at en lavere takst ville være en tilnærming til det. Dette er jo litt av den politiske debatten: Hvordan bruker vi de felles pengene vi har? Skal vi stadig øke avgiftene gjennom bompenger, f.eks., eller skal vi bruke penger som vi har over offentlige budsjetter, annerledes? Regjeringen har bidratt til å redusere bompengetakstene mange steder, mot Arbeiderpartiets stemmer. Jeg tror statsråden kanskje misforsto eller med vilje ikke svarte helt på spørsmålet fra representanten Leirtrø. Hun spurte om hvordan statsråden kunne tenke seg å få ned trafikken hvis man ikke bruker bompenger som middel. Det var hennes spørsmål. Jeg lurer i tillegg hvis man ikke bruker bompenger som middel. Det var hennes spørsmål. Jeg lurer i tillegg på: Hvis statsråden ikke vil bruke bompenger som middel for å få inn penger til statskassen, vil han formodentlig ta det over skatteseddelen. Men med den profilen som hans finansminister legger opp til, og som regjeringen står for, er det jo sånn at man gir skattelettelser til noen få, mens de mange nesten ikke får noe. Det ville være ganske usosialt – jeg tenker på bakgrunn av usosiale avgifter. Jeg lurer på hvordan diskusjonene er på interne SV-møter når vi hører hvordan feilinformasjonen florerer i Stortinget. Faktisk.no har sågar vist at en gjennomsnittlig norsk familie nå får ca. 10 000 kr mindre i skatter og avgifter enn hva de gjorde da de rød-grønne satt i regjering. Det viser at en del av skattelettelsene har kommet til vanlige folk. Mye av det andre har kommet til næringslivet for å være med og skape arbeidsplasser. Vi har også fra regjeringens side foreslått å redusere avgiftene, men gjennom stortingsforlik har avgiftene gått opp. Vi har foreslått å redusere bompengene, men Stortinget har stoppet oss. Ergo er det forskjell på det som til slutt blir vedtatt, og det som er enkeltpartienes politikk. Men i sum er det ikke tvil om at familier har kommet bedre ut nå enn det de hadde gjort om forrige regjerings politikk hadde blitt videreført. Så handler det om å styrke kollektivtrafikken og styrke satsingen på gang- og sykkelveier. Det er faktisk mulig å få til gjennom prioriteringer i budsjettet og ikke alltid økt finansiering med bompenger, selv om jeg vet at det er en politisk uenighet med SV akkurat der. Jeg takker for svaret, men jeg er overbevist om at statsråden kjenner til de empiriske dataene vi har – altså kunnskapen vi kan bygge på fram til nå, og også fra den forskningen som er gjort at vi aldri kommer utenom bompenger for å styre folks atferd knyttet til kødannelser og trafikk i byene. Jeg er overbevist om at statsråden sitter med de kunnskapene, og da er spørsmålet: Hvilke virkemidler vil statsråden bruke – i tillegg eventuelt til bedre forhold for kollektivtransporten, som normalt sett hos flertallet her i salen vil finansieres med bompenger?

men Nye Veier og reformene i Vegvesenet viser at det nytter. Vi har doblet bevilgningene til å bygge sykkelveier, uten at vi har økt bompengene av den grunn. Det handler igjen om å gi folk et reisealternativ. Det er veldig få av oss som er villige til å bruke to timer ekstra reisetid med barna våre for å ta dem på håndballkamp istedenfor å kjøre dem i bil. Det å øke bompengene i den tro at det skal gjøre verden til et bedre sted, er med på å ekskludere dem som ikke har så god økonomi, og det er en side av denne saken som SV dessverre sjelden er med

med avtalen om Oslopakke 3. Da er mitt spørsmål: Hva mener statsråden egentlig med å respektere lokalpolitikere, når han samtidig – gjennom Statens vegvesen og departementet – går inn for å utvide E18 Vestkorridoren inn til Oslo? Er det sånn man respekterer lokalt inngåtte avtaler? Dette er en diskusjon som Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne siden avtalen ble inngått. Det som står i avtalen om Oslopakke 3, er at en skal bygge hele Vestkorridoren. Det er innledningen til det kapittelet. Så har vi sagt at første parsell skal være Lysaker–Strand. Vi har også sagt at det skal være et mål å holde kostnadene nede, og da har vi sagt at for å holde kostnadene nede er det bra om en følger opp med en andre avdeling umiddelbart, for da slipper man en for da slipper man en del av de midlertidige, kostbare løsningene, som å bygge en tunnel halvveis, som man så fyller igjen. Derfor har vi sagt at vi både bygger første del, som det står eksplisitt i avtalen at vi skal gjøre, og framskynder andre del, noe som ikke er i strid med avtalen. Men selvsagt – ethvert forsøk på å trenere det er viktig fra Miljøpartiet De Grønnes side, som ikke vil ha veien i det hele tatt. Men overordnet sier avtalen at hele strekningen skal bygges, og det er det vi er i gang med å skulle realisere. realisere. Det er forbløffende å høre statsråden tale om å ta ned kostnadene, når beregninger viser at det å kjøre en lastebil fra Asker til Oslo og tilbake vil komme opp i bompengekostnader på over 550 kr tur–retur. Er det det statsråden mener med å kutte kostnadene og holde kostnadene nede? Jeg tror alle i denne sal vet at jeg vil kjempe for lavest mulige bompengesatser, mens Miljøpartiet De Grønne i byrådet i Oslo har kjempet for en høyest mulig Grønne gikk jo ut og sa at de ville ha et høyere takstnivå enn det som til slutt ble avtalt. Det er litt rart å bli utfordret av et parti som vil ha bompenger, på at jeg ikke klarer å få dem lavere, når en selv altså kjemper imot de kuttene. Vestkorridoren er et viktig infrastrukturprosjekt, det er ikke et 16-felts motorveiprosjekt, som byrådet i Oslo ved flere anledninger har prøvd å gi inntrykk av. Det er tre felt i hver retning, altså seks felt totalt. Mesteparten av dette handler om å flytte trafikken vekk fra der folk bor og jobber. Det handler om å sørge for at en får den samme effekten som en har fått i Oslo sentrum ved å få trafikken vekk fra Operaen og under jorden. Det gjør at man kan utvikle en ny bydel i hovedstaden, og det tror jeg ingen angrer på. Det samme kan vi nå oppnå i Bærum og i Asker ved å flytte trafikken vekk fra der folk bor,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 Jeg snakket om en ÅDT på 600 000 biler gjennom bomringen. Gad vite hvilke investeringer man måtte gjøre inn og ut av Oslo, og hvordan det ville belaste distriktene, hvis det hadde vært gjort på en annen måte enn gjennom det systemet man har nå. Det er faktisk slik at vi ser på satsing på kollektivtransport som en slags veiutbygging, kapasitetsutbygging, som også reduserer behovet for veiinvesteringer i den fasen vi er i nå. Så litt til Johnsen: Ja, det er flere bomstasjoner, men som jeg sa i mitt innlegg, betyr det at flere skal betale. Vi gjorde en undersøkelse i 2012, og da var det 27 pst. av bilistene som betalte bompenger som hadde nytte av de tiltakene vi gjorde på veisiden i Akershus. Vi hadde en lang rekke prosjekter utenfor Oslo som ble finansiert med bompenger fra Ringen. Ved å utvide antall bomstasjoner blir det fordelt på et mye større antall. Det betyr mindre betaling for hver enkelt. Det skal være timesavganger, som gjør at en ikke betaler i alle bomsnittene. Når en sier at vi skal dele, vi skal ha både inn- og utkreving, står det i proposisjonen at man skal halvere prisen, slik at det å kjøre fram og tilbake koster akkurat det samme som det i dag koster å kjøre én vei. Man kjører gratis tilbake i dag. Nå må man betale akkurat det samme. Det er ikke sånn at dette i seg selv vil bidra til en fantastisk økning av bomsatsene i Oslo og Akershus. Det som betyr noe, er de prisene man eventuelt Man differensierer altså i hovedsak miljømessig og med rushtid. Det har jeg vært imot før, men nå er jeg for, holdt jeg på å si. Måten dette gjøres på, har sin hensikt. Arbeiderpartiet var inne på i sin merknad at vi ikke bygger ut InterCity, og at det er et problem for Oslo. Det er ikke noe problem for Oslo i det hele tatt, for InterCity er bygd ut

Vi gir tilbake til lavinntektsgrupper og barnefamilier. Grunnen til at vi selvfølgelig går inn for disse bommene, er at det virker. Det virker på trafikkbildet, vi får trafikken ned, vi kan styre atferden til det store laget av mennesker. Det er sånn vi må tenke. Vi må bruke alle de hjelpemidler vi har,

Men jeg betaler med glede bompengene mine. Jeg kan til og med kjøre inne i byen med klistremerke på bilen min hvor det står: Bilfri by. Jeg mener jeg skal få en smell, en liten straff for det – og jeg betaler det altså med glede. Vi må gjøre kollektivtransporten bedre, mer attraktiv og gi bedre service, var vel egentlig budskapet til representanten Johnsen, i stedet for å straffe folk – da privatbilisten – med – da privatbilisten – med bommer. Da er spørsmålet: Hva hjelper det å gi bussene bedre seter, bedre fjæring eller – skal vi si – lavere priser, hvis ikke bussen kommer fram? Det er vel et naturlig spørsmål til representanten Johnsen, vil jeg tro. Hva hjelper det da? Det svaret vil jeg gjerne høre. Så håper jeg inderlig at representanten Johnsen deler sitt innlegg her i dag på sosiale medier, slik at jeg får gleden av å dele det videre muligens med noen små kommentarer om uansvarlighet og litt om hva man tenker om klima, byluft osv. Men det er altså en oppfordring til representanten Johnsen om å dele det første innlegget på sosiale

prøver å innbille folk at vi driver med dobbeltkommunikasjon, som er de som er for bompenger. Det er litt spesielt at man etterlyser en politikk man selv ikke vil ha. Fremskrittspartiet har hatt en veldig grei og sannferdig kommunikasjon. I både Oslo og Akershus har Fremskrittspartiet stemt imot dette. Stortingsgruppen er samstemt og sier at hvis man ønsker folkeavstemning i Oslo og Akershus, synes vi det er en god idé. Det sier vi. Det er ikke dobbeltkommunikasjon – det er helt renhårig. Og ja, Fremskrittspartiet forholder seg til avtaler vi har inngått i regjeringen. Det er det ikke noen tvil om. Så det er en veldig grei kommunikasjon. De som driver med dobbeltkommunikasjon, kan være Senterpartiet, som har stemt for i Akershus, så vidt jeg vet, og så står man her i

og valgt bort sitt eget parti i Oslo, med Raymond Johansen i spissen. Det betyr at Arbeiderpartiet i Stortinget støtter regjeringen og vender ryggen til Raymond Johansen. Det setter vi pris på, men det er det som er dobbeltkommunikasjon. La dette være helt klart: Fremskrittspartiet synes dette er voldsomt. Og ja, vi vet at så å si samtlige partier i Oslo Og ja, Fremskrittspartiet har fått med seg at det er mange aksjoner og protester. Og ja, vi mener at man kanskje burde ha lyttet mer til folket, men det er et bevisst valg man tar lokalt. Så får man se hva som skjer ved neste lokalvalg.

Fremskrittspartiet er og blir imot bompenger. Lokalt stemmer vi alltid imot, men i regjering – som jeg sa i innlegget mitt – er vi en del av et forpliktende samarbeid med Venstre, Høyre og indirekte med Kristelig Folkeparti, og da må vi være en troverdig samarbeidspartner, som jeg også påpekte tydelig i mitt innlegg i sted. Fremskrittspartiet er faktisk det eneste partiet som ikke ønsker bompenger, og at vi da samarbeider og har en god og troverdig prosess, har en god dialog og er en seriøs partner, tror jeg faktisk at både Høyre og Venstre og til og med Kristelig Folkeparti setter stor pris på. Veiprising er det flere som har vært inne på. Det var vel Kristelig Folkeparti som begynte med det, og Arbeiderpartiet fulgte det opp. På dette området er Fremskrittspartiet krystallklart: Nei, det er dyrt nok som det er å kjøre bil i dag, og det er mer enn nok overvåking som det er i dag. sette inn en overvåkingsenhet – GPS eller hva det måtte være – i alle biler, slik at man alltid skal kunne overvåke hvor og når man kjører, og måtte betale avhengig av hvor langt man kjører, synes vi blir helt feil. Det er dyrt nok som det er å kjøre bil i dag, og bilistene skal ikke være en melkeku. Jeg reagerer litt på den retorikken om at man må ta inntekter fra bilistene hele tiden. Bilistene skal betale for det de får – det er riktig – men de skal ikke være en permanent melkeku for å finansiere alle mulige andre prosjekter. prosjekter. Det blir feil. Det blir også feil å ha en permanent overvåking, som gjør at man kan følge alle biler overalt, og vite til enhver tid hvor alle kjører. Når det gjelder De Grønne, fikk jeg egentlig bekreftet det jeg sa i innlegget mitt. Det er tydelig at Arbeiderpartiet har gitt dem frie tøyler. Det var ganske spesielt å høre på representanten Stoknes. Jeg lurer på om han egentlig har vært rundt i andre hovedsteder, han påstår at det er så store trafikk- og bilproblemer i Oslo. Sammenliknet med hvilken som helst annen hovedstad i verden er det få biler og trafikkproblemer i Oslo. Det er et objektivt faktum. Den holdningen De Grønne har til barnefamilier, er overraskende respektløs. De skal tross alt kjøre og rekke skole, barnehage og henting hit og dit. Da er man avhengig av å kjøre bil. Til representanten Nævra fra SV:

Men jeg kan ikke unngå å se denne saken og dette kravet om folkeavstemning når det gjelder bompenger, opp mot den folkeavstemningen som nettopp har vært i Finnmark. Slik jeg har tolket regjeringen, har Fremskrittspartiet i regjering ikke hatt til hensikt å lytte til folkeavstemninger. I Finnmark var det helt tydelig: Ni av ti finnmarkinger var imot sammenslåingen. Det var 58 pst. deltakelse, og 87 pst. stemte imot. Jeg går nå og venter på at Fremskrittspartiet, gjerne ved representantene Johnsen og Stordalen, som er de eneste som har nevnt folkeavstemninger, nå tar konsekvensen av det de sier her i dag om folkeavstemning. Jeg forventer at de tar initiativ til å oppløse fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Det kan ikke være slik at Fremskrittspartiet driver med dobbeltkommunikasjon om både bompenger og folkeavstemninger. Fleire har ikkje bedt om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

fylkeskommune. Det har vore eit stort engasjement og møteaktivitet med involverte kommunar og fylkeskommunar for å kunna finna løysingar som kunne sikra ei raskast mogleg utbygging og ei bompengeløysing som ikkje skulle føra til ei urimeleg høg belasting for lokalbefolkninga. Ein har òg måtta gå nokre ekstra rundar, som det står i ligg no føre ei innstilling til vedtak som skal vareta begge måla: å få sett i gang utbygginga og å sørgja for at belastinga for lokalbefolkninga ikkje skal verta urimeleg høg. Det har òg kome nokre bekymringsmeldingar. Særleg kan bomplasseringa ved Olum verta ei urimeleg høg belasting for enkelte av dei som bur i dette området. Likevel skal det innanfor denne bompengeproposisjonen

Dette er ei viktig ytre ringveg-satsing nord for Oslo, som vil kunna avlasta det overbelasta vegsystemet gjennom Oslo, som vi òg prata om i føregåande sak. Samtidig vil utbyggingsprosjektet òg sørgja for at gjennomgangstrafikken vert ført utanom Jevnaker sentrum og dei nærliggjande bustadområda. I tillegg vert det betre forhold for gange- og sykkeltrafikken. Målet med utbygginga er å oppnå tilfredsstillande standard med omsyn til både trafikksikkerheit, miljø og trafikkavvikling. Finansieringa er basert på statlege midlar og bompengar. Det vert lagt opp til ein anleggsstart i løpet av inneverande år, og prosjektet er venta å opna for trafikk i 2021. Arbeidet med lokalvegnettet skal vera ferdig året etterpå. Det er lagt til grunn at 80 mill. kr av finansieringspotten skal koma eksisterande E16 til gode. Styringsramma er – rekna om til 2018-prisnivå – på 2,7 mrd. kr, med ei total kostnadsramme på vel 3 mrd. kr. Prosjektet er berekna å ha ein positiv effekt på reduksjonen av CO 2 -utslepp. Reduksjonen i CO 2 -utslepp er berekna til så mykje som 24 200 tonn i opningsåret 2021. Dagens veg er smal og svingete, med til dels dårleg geometri og bereevne. Vegbreidda varierer mellom 6 og 7,5 meter – på delar av strekninga på E16 det einaste tilbodet til både gåande, syklande og køyrande. På strekninga Buskerud grense–Olum har det i perioden 2005–2015 skjedd 64 ulykker med Prosjektet omfattar bygginga av 12,5 km tofelts veg, med ei vegbreidde på 12,5 meter og ei fartsgrense på 90 km/t. Vegen vert bygd med midtrekkverk og strekningar med forbikøyringsfelt i ei eller begge retningane. Vegen vil liggja i ein ny trasé, med unntak av eit stutt parti ved påkoplinga til eksisterande veg ved Prosjektet vil gje store trafikksikkerheitsmessige gevinstar. Særleg for gåande og syklande vil det etter ferdigstillinga av nye E16 og opprustinga av eksisterande E16 verta ei heilt anna oppleving å bevega seg på strekninga. Det er difor svært gledeleg å fremja ei innstilling til vedtak i tre punkt frå ein samla komité. No kan Jevnakers befolkning endeleg få oppleva anleggsstart – i løpet av inneverande år – for denne så lenge etterlengta utbygginga.

Dagens vei er smal og svingete, og veibredden varierer mellom 6 og 7,5 meter. Det å få en ny vei med en veibredde på 12,5 meter med midtdeler, forbikjøringsfelt og en forbedring av forholdene for gang- og sykkeltrafikken vil øke framkommeligheten og tryggheten både for dem som bor der, og for dem som reiser gjennom området. Det er på høy tid å få realisert et etterlengtet veiprosjekt som binder vest og øst sammen. Komiteen mener at denne delen av E16 kan utvikles som en ytre ring for Oslo og vil kunne bidra til også å redusere trafikkbelastningen rundt og i Oslo. Den vil også styrke en større bo- og arbeidsregion. Den statlige andelen av utbyggingskostnadene utgjør 42 pst. De øvrige kostnadene skal dekkes av bompenger basert på etterskuddsinnkreving i fire bomsnitt i Med utgangspunkt i at prosjektet skal være nedbetalt i løpet av 15 år etter trafikkåpning, er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må være på kr 60 for ny E16 og kr 21 for eksisterende E16 og fv. Nå er det tilslutning både lokalt og Nå er det tilslutning både lokalt og regionalt til forslaget i denne proposisjonen. Innbyggerne kan glede seg til at prosjektet, inklusiv arbeidet med lokale veier, står ferdig i 2022. 2022. Høgre gler seg over at denne delen av E16 skal utviklast som ein ytre ring nord for Oslo og dermed bidra til avlasting av det sterkt trafikkerte vegnettet i det sentrale Oslo-området. Prosjektet vil føre gjennomgangstrafikken utanom Jevnaker sentrum og nærliggjande buområde. Dagens veg er smal og svingete med til dels dårleg geometri og Strekninga går bl.a. gjennom tettbygd område i skulekretsen Toso. På delar av strekninga er E16 det einaste tilbodet for gåande og syklande. På strekninga Buskerud grense–Olum har det i perioden 2005–2015 skjedd 64 ulykker med personskade. Forslaget til regjeringa vil betre forholda for gang- og Målet med utbygginga er å oppnå tilfredsstillande standard med omsyn til både trafikksikkerheit, miljø og trafikkavvikling. Utbygginga kan dessutan bidra til viktig næringsutvikling ved å leggje til rette for den samla bu- og arbeidsmarknadsregionen på Ringerike og Jevnaker. Utbygginga kan òg leggje til rette for planlagd næringsutvikling på gamle Eggemoen flyplass i Den nye vegstrekninga på 12,5 km vil bety ei vesentleg innsparing på reisetida frå både Valdres og Hallingdal for trafikk som skal til Gardermoen. Ho blir òg eit alternativ for trafikk til og frå Oslo. I store samferdselsprosjekt er god kostnadskontroll ekstra viktig. Kostnadsvekst kan slå beina under planane for veg- og jernbane. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum, og det er ikkje avdekt ny informasjon av større relevans. Kvalitetssikringa er i tråd med det opphavlege prosjektstyringsgrunnlaget og kostnadsberekningane. Når det no samtidig er lokalpolitisk tilslutning til forslaget som ligg i proposisjonen, kan det leggjast opp til anleggsstart i løpet av 2018, slik som målsetjinga er i Nasjonal transportplan.

Me byggjer by og bygd tettare saman, reduserer avstandane mellom folk og sørgjer for at varer og tenester kjem fortare fram. Denne proposisjonen viser at regjeringa leverer på sine ambisjonar.

og bredden er bare 6–7,5 meter. Hastigheten varierer fra helt ned i 50 km/t til opp til 80 km/t. Men ikke nok med at veien er smal og svingete, og at hastigheten er lav, veien går gjennom tettbygde strøk og gjennom skolekretser. Så at det nå blir en ny trasé og en bredde på 12,5 meter og 90 km/t, er en veldig stor positiv endring. Veien fungerer både som lokalvei og som hovedveiforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og Buskerud. Det legges vekt på å utvikle denne delen av E16 som en ytre ring nord for Oslo og dermed avlaste en sterkt trafikkert del av veinettet. Dette er veldig bra. Det er viktig å presisere at dette er en veistrekning som ville egnet seg perfekt til å bygge en smal Det ville vært bedre ut fra et langsiktig og samfunnsnyttig perspektiv. Framskrivning av trafikken til 2022 gir en ÅDT på nesten 8 000 biler i døgnet, og det er basert på en lav økning i trafikken på i underkant av 1,5 pst. Erfaringer fra andre veiprosjekter, som E16 gjennom Akershus og E6 fra Gardermoen og nordover, viser at den reelle økningen blir mye større – faktisk opp til tre ganger større – enn de forsiktige prognosene som ligger i NTP. Også i dette prosjektet legges det opp til bom på sideveier. Det tar Fremskrittspartiet sterkt avstand fra. Det er ingen logikk i at de som ikke bruker eller trenger å kjøre på E16, skal betale for en vei de ikke bruker. Årsaken til at det settes opp bom på sideveier, er å forhindre trafikklekkasje. Men Fremskrittspartiet viser til gode resultater man bl.a. har hatt i Vestfold, der lavere bomtakster på E18 og ingen bom på sideveiene har gitt positive resultater uten problemer med trafikklekkasje. Lavere bomtakster har resultert i at flere bruker den sikre, nye firefelts motorveien, slik at belastningen på sideveiene har blitt redusert. I dette prosjektet brukes det også en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. for å beregne bomtakstene. I E16 Bjørgo–Skaret, som vi vedtok i april i fjor, var renten satt til 4,5 pst. Det er vesentlig høyere enn markedsrente, men uansett er 4,5 pst. mer riktig enn 5,5 pst., som det legges opp til her.

med at en samlet komité nå stiller seg bak merknaden om at bompengetakstene kan settes lavere, basert på markedsrente eller binding av renten, slik at det kan komme bilistene til gode. Fremskrittspartiet er også glad for at komiteen ønsker dette, og vi oppfordrer derfor Oppland og Buskerud fylkeskommuner til å benytte seg av denne muligheten og bruke markedsrente, slik at bomsatsene kan settes ned.

av natur og god veiløsning, der avlastning av Jevnaker sentrum er en vesentlig del. SV forutsetter likevel at det iverksettes gode ordninger for erstatningsjord til gårdbrukerne som er rammet. Det er et veldig viktig poeng for SV at vi i hver utbyggingssak ivaretar dyrket mark. Vi har hatt et forslag, som vi prøver å etterleve lokalt, om at hver gang det tas dyrket mark, skal den dyrkede marka erstattes i forholdet 2:1, i den forstand at man erstatter den jorda som går tapt, med dobbelt så mye Flytting av jord er også veldig aktuelt i den forbindelse. SV er også spesielt glad for at den ulykkesbelastede veistrekningen med lav standard nå blir en langt sikrere vei. Vi er fornøyd med at det settes av midler til opprustning av den gamle veien, ikke minst for syklende og gående. Vi forutsetter også at disse midlene ikke fordeles sånn at miljøgater og gang- og sykkelveier prioriteres ned. Dermed vil dette innlegget mitt på en måte være en hyllest til en veisak. Det er hyggelig at vi kan bli lagt merke til på den måten også. Jeg får bare kvittere ut til forrige taler

og en del steder er det eneste tilbudet for gående og syklende faktisk å gå på E16. Sånn ønsker vi ikke å ha det, verken her eller andre steder, og derfor er det viktig at vi har god framdrift i viktige veiprosjekt. Jeg opplever at det er et stort ønske lokalt om at prosjektet skal bli realisert. Vi får nå bygd ca. 12,5 km ny vei med veibredde 12,5 meter og fartsgrense på 90 En får midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningene. Det gjør at dette blir bedre. Det blir bedre for dem som kjører her hver dag for lokale formål. Men ikke minst er dette med på å tegne et bilde av en ytre ringvei rundt Oslo – en ring 4 om en vil kalle det det – fordi en ser en sammenheng med veiinvesteringene som nå skjer på E16 ved Sandvika,

å ha tungtransport tett på seg. Når en sykler gjennom landskapet og tettstedene, ser en også hvor mange naboer som har tungt trafikkert vei rett ved sin innkjørsel, og gjerne rett ved der deres barn leker, og derfor er jeg ekstra glad for at dette er en av de veistrekningene som vi nå får utbedret. Det er bompengeandel på dette prosjektet også. Men i proposisjonen har en synliggjort hva potensialet er ved å jobbe med renteutgifter o.l. for å sørge for at bompengenivået kan være lavest mulig, og at potensialet i å redusere takstene er betydelig. Hva som blir endelig takstnivå, vil en komme tilbake til når det nærmer seg åpning av veien, men jeg er veldig glad for at Stortinget signaliserer en fleksibilitet, slik at vi kan jobbe for at takstene blir lavest mulig, nettopp for at nytteverdien av veien blir størst mulig, samtidig som vi kan betjene det bompengelånet som blir tatt opp.

om å ivareta dyrket mark på en måte som er forpliktende. Har statsråden vurdert det i forbindelse med slike utbygginger, som veldig ofte går på bekostning av dyrket mark? Det ser vi jo, det er satt under sterkt press, og dyrket mark er for veldig mange – bør være, i hvert fall – hellig. Hvordan ser han på et forslag om en forpliktende regel nærmest, eller en forskrift, som han eventuelt kan

Det å lage en regel om hvor mye en skal erstatte, tenker jeg fort kan bli veldig rigid. Det å ha en overordnet bevissthet om dette som gjør at vi både fra samferdselsmyndighetenes side og også i godt samarbeid med landbruksmyndighetene ser på hvor det er fornuftig at en gir denne typen erstatning, og hvor en ikke gir det – at vi har den fleksibiliteten, tror jeg gir oss bedre resultat for en lavere pris på sikt. Jeg takker for svaret. Poenget med en forskrift, en regel på et vis, som kanskje kunne vært utviklet/utarbeidet i samarbeid med selvfølgelig Landbruks- og matdepartementet og landbruksministeren, må være at det i mye sterkere grad tas med i betraktningene når veier skal utbygges. Det er en faktor å beregne, det er en faktor en må ha med i regnskapet, som jeg tror kunne vært en stor fordel. Så jeg vil igjen spørre om statsråden ikke kan tenke seg å vurdere en sånn regel, som på et vis da ville inngått i totalvurderingen når utbygginger i samferdselssektoren skal foretas. Hvis regelen går på at en skal ha en gitt faktor, så vil jeg være imot det, for det tar vekk fleksibiliteten. Men hvis ønsket fra representanten er at vi skal ha dyrket mark med som et viktig moment, så er det allerede inne. Jeg vegrer meg for å gjøre det om en Men hvis ønsket fra representanten er at vi skal ha dyrket mark med som et viktig moment, så er det allerede inne. Jeg vegrer meg for å gjøre det om en til en regelgreie, for det blir ofte veldig rigid, og der tar en ofte ut sammenhengen mellom nytteverdi på de ulike stedene, kostnader o.l. Det er noen steder en kan ha veldig stor nytte av nydyrking, andre steder er ikke tapet like stort, og det å kunne vurdere fra prosjekt til prosjekt samtidig som en har en helhetstilnærming, er viktig. Stortinget har om å ivareta dyrket mark o.l. og redusere den nedbyggingen som har vært. Som sagt, hvis en ser på den utviklingen som har vært de siste årene, mener jeg vi er godt i gang med å innfri dette når det gjelder både nydyrking og redusert nedbygging. Replikkordskiftet er avslutta. Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske frå transport- og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

en glede å få være saksordfører for denne saken. E6 strekker seg gjennom hele Trøndelag, fra Dovre til Majavatn, og er ikke bare en viktig hovedferdselsåre for Trøndelag, men for enhver som skal kjøre fra sør til nord, eller fra nord til sør. Den går i hovedsak parallelt med En utbedring er særdeles etterlengtet, og nå skal vi altså vedta at 4,2 mil skal få ny standard. E6 Ranheim–Åsen kan deles inn i to kategorier og er også to ulike byggeprosjekt i regi av Nye Veier. Det burde både i proposisjonen og i saksordførermerknadene vært presisert at differansen mellom første kostnadsanslag på 10,4 mrd. kr og dagens på 11,821 mrd. kr skyldes valget fra Nye Veier om en helhetlig firefelts vei også på strekningen Stjørdal–Åsen. Så er det presisert fra talerstolen. Nå legger verken regjeringen eller komiteen opp til at Stortinget skal vedta et eksakt beløp, men vedta vilkårene som framgår i den saken. Dette skyldes at prosjektet skal bygges ut av Nye Veier, og de har fått helt andre føringer enn Statens vegvesen for gjennomføring. Det som er positivt, er dialogen Nye Veier har lokalt og regionalt for å få til best mulige løsninger. En ulempe er at Nye Veier ikke har mandat til å se sammenhengen med utbygging av Trønderbanen. Dette burde vi ha lagt til rette for. Det kunne ha vært en stor fordel. Første del, Trondheim–Stjørdal, er i dag den beste strekningen på E6 gjennom Trøndelag. Her er det allerede fartsgrense 90 km/t. Men tunnelsikkerhetsforskriften og det at den største befolkningsveksten i dette området, gjør at denne strekningen er den som gir størst samfunnsøkonomisk effekt, ut fra de parameterne som er satt for beregning av dette. Den andre delen, Stjørdal–Åsen, er en særdeles ulykkesbelastet strekning og vil etter vår oppfatning gi den største effekten når det gjelder forbedring av framkommelighet og trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet har tre viktige merknader i saken. Vi er bekymret for den høye bompengekostnaden gjennom Trøndelag. Det var vi inne på i forrige sak, hvor høy en bompengebelastning skal være. For en personbil vil det, når Nye Veier er ferdig, fra Berkåk til Åsen koste 600 kr tur–retur. Vi mener at det nå er på tide å utrede alternative løsninger til

Trøndelag var samstemt om elektrifisering av Trønderbanen med nye togsett, sånn at kapasiteten, som er sprengt i dag, kan bedres – og framkommeligheten likeså. Slik lå det også inne i NTP fra 2013. Nå er vi bekymret over at det ser ut til at utbyggingen av Trønderbanen er avlyst, eller i beste Det er heller ikke mulig å se for seg i etterkant at humpende, trege og fulle tog kan konkurrere med en firefelts motorvei, og klimamål og målene i Miljøpakke Trondheim utfordres i særdeleshet. Det siste punktet er den høye garantisummen som fylkeskommunen må stille opp med for statens veier.

Takk til saksordføreren og komiteen for et godt samarbeid i behandlingen av denne bompengeproposisjonen. Dette er et viktig veiprosjekt for Trøndelag. Utbygging av E6 nord for Trondheim er viktig både for utvikling av bo- og arbeidsmarkedet, for bedre framkommelighet og for økt trafikksikkerhet. Prosjektet var i utgangspunktet planlagt som en firefelts vei fra Ranheim til Værnes med 90 km/t, og to- og Dette er en del av Nye Veiers portefølje, og etter en nærmere gjennomgang anbefaler selskapet at det bygges firefelts vei på hele strekningen Ranheim–Åsen med fartsgrense på 110 km/t. Det vil gi en mer helhetlig standard og en framtidsrettet og god vei. Kostnadene for prosjektet er betydelig redusert sammenlignet med Statens vegvesens opprinnelige anslag. Forventet kostnad er nå 11,4 mrd. kr – det er mange kostnadsanslag i proposisjonen for fire felt på hele strekningen, mot 12,7 mrd. kr, som var Statens vegvesens opprinnelige forslag, med to og tre felt på strekningen Kvithammar–Åsen. Samfunnsnytten er dermed vesentlig forbedret, og prosjektet har med disse forutsetningene gått fra å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt til å bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er gledelig at det er stor grad av enighet om dette prosjektet. Jeg registrerer likevel at SV ikke ønsker å gjennomføre prosjektet med firefelts vei, men vil gå tilbake til de opprinnelige planene med to- og trefelts vei med lavere fartsgrense. Det er for meg underlig at dårligere kapasitet på veiene er SVs fremste miljøtiltak. Kø og kaos er ikke god miljøpolitikk. Jeg tror på at vi i løpet av noen år vil nå målene om nullutslipp fra biltrafikken, og at det også er viktig at vi har gode og sikre veier å kjøre på. ser også, som representanten Leirtrø nevnte, at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i merknadene til innstillingen er bekymret for den samlede bompengebelastningen når alle delstrekningene mellom Berkåk og Åsen er utbygd. Det er all mulig grunn til å være oppmerksom på den totale bompengebelastningen i et område, og at bomstasjonene er plassert på en slik måte at det er godt samsvar mellom både betaling og Bompengefinansieringen må oppleves som rimelig, målt mot fordelen ved spart reisetid, økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet. Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV uttrykker bekymring for bompengenivået, er det likevel ikke særlig troverdig, siden de ikke har noen annen alternativ finansiering eller mer statlige midler å bidra med. De stemmer for alle bompengeproposisjoner, og i tillegg er de imot forslaget regjeringa har fremmet om en tilskuddsordning for å redusere satsene. Da blir merknadene om bekymring over bompengenivået stort sett bare symbolpolitikk. Vi ser at etableringen av Nye Veier har hatt stor betydning og bidratt til mer kostnadseffektiv utbygging og økt samfunnsnytte i prosjektene. En helhetlig utbygging av et firefelts veisystem nord og sør for Trondheim vil ha stor betydning for utviklingen av hele regionen. Vi gleder oss, sammen med trønderne, når vi nå vedtar finansiering og utbygging av

i dag. Slike saker gir virkelig inspirasjon og motivasjon til å stå på og fortsette å bygge landet, og slike saker viser hvor viktig det er å ha Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med god støtte fra Kristelig Folkeparti, i regjering. For faktum er at uten disse fire samarbeidspartiene hadde vi ikke stått her i dag og diskutert utbygging av hele 42 km firefelts vei med 110 km/t i Trøndelag. Det er et faktum som ingen kan vri seg unna eller bortforklare, uavhengig av politisk ståsted. I norsk samferdselspolitikk er dette helt unikt og virkelig historisk. Det hadde vi ikke fått til uten Nye Veier, og det viser hvor viktig det er å sørge for å fylle på med nye prosjekter til Nye Veier. Fremskrittspartiet har sagt det før, og vi sier det igjen: Nye Veier er en suksess. Det har vi enda et eksempel på her. Reiselengden for de to delstrekningene vil bli redusert, og vi får nå en fullverdig standard og tilstrekkelig kapasitet til å ta unna både dagens og morgendagens trafikk på en rask, trafikksikker og effektiv måte. Utbyggingen skal skje i regi av Nye Veier, og det er vi i Fremskrittspartiet veldig glad for. Nettopp Nye Veier har gjort det mulig å gjøre om dette prosjektet til et fullverdig firefelts prosjekt med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Statens vegvesen ville, som min kollega Helge Orten orienterte ganske godt om, dessverre nøye seg med en tofeltsløsning med litt forbikjøringsmulighet og 90 km/t. Vi er veldig glad for at Nye Veier nå dropper den særnorske løsningen – en dårlig løsning – som kun ville ivaretatt trafikksikkerheten, men ikke ivaretatt behovet for økt kapasitet, økt framkommelighet eller økt samfunnsnytte. Det viser at konkurranse er bra, og at Nye Veier bidrar til å løfte norsk veiutbygging fram til et nivå på høyde med våre naboland. Strekningene som nå erstattes, er ulykkesbelastede, med få omkjøringsmuligheter. Årsdøgntrafikken på E6 tilbake til 2016 varierer fra nesten 9 000 til opp mot 20 000 kjøretøy. En forholdsvis høy andel tunge kjøretøy tilsier selvfølgelig at det må bygges fire felt. For en FrP-er er det veldig gledelig å se det er i tråd med de føringer som vi har gitt i NTP, at det ikke blir etablert bom på lokalveier eller sideveier. I tillegg legger flertallet til grunn at bompengetakstene kan settes lavere ved å bruke markedsrenter eller ved å binde renten, slik at det kommer bilistene til gode med en lavere bomtakst.

det. Alternativ finansiering er at staten tar en større del av ansvaret. Alternativ finansiering er ikke å pålegge bilistene andre nye, kreative løsninger for å ta pengene fra dem som kjører bil. Fremskrittspartiet har vært klar på det i mange år, det er fullt mulig dersom stortingsflertallet blir med på det, å bruke mer av oljeformuen til å investere i Norge for å bygge trygg, sikker og framtidsrettet infrastruktur i dette landet.

i perioden 2007–2017 var det 15 ulykker med hardt skadde eller drepte – 4 personer ble drept og 14 ble hardt skadd i disse ulykkene. Liv og helse, trafikksikkerhet, er viktig for Senterpartiet, og jeg håper inderlig at vi vil se at antall ulykker går ned på denne strekningen. Vi vet at og at reisetida går ned med nesten et kvarter. Men jeg må vise til den høye bompengekostnaden gjennom Trøndelag når hele porteføljen til Nye Veier blir realisert. Da vil det for en personbil koste 600 kr tur–retur Berkåk–Åsen. Senterpartiet mener det er på tide å få på plass alternative Jeg har også lyst til å vise til Trøndelag fylkeskommunes garantiansvar i dette prosjektet på 9,8 mrd. kr. Senterpartiet mener staten selv må stille garanti for riksveier og viser til representantforslaget fra Senterpartiet, fremmet bl.a. av Ivar Odnes i transportkomiteen, om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån. Senterpartiet mener det er om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån. Senterpartiet mener det er riktig at staten overtar garantiansvaret for eksisterende bompengeprosjekter på riksvei. Senterpartiet mener at framtidige riksveiprosjekt, som det vi behandler nå, skal ha statlig garanti for bompengelån. Og Senterpartiet mener at reduserte lånekostnader som følge av statlig garanti må komme de veifarende til gode. Da den saken var oppe, utgjorde regjeringspartiene et flertall for enda en vurdering av om det er hensiktsmessig at fylkeskommunene fortsatt skal stille garanti for bompenger på

håper det vil skje ganske snart. Til slutt vil jeg påpeke den manglende kapasiteten på Trønderbanen under utbyggingen av E6. Det har stor betydning for utviklingen av Trønderbanen og Trøndelag fylke at vedtak i NTP blir igangsatt som lovet. SV vil nok en gang poengtere at målet for transportplanleggingen i

økte klimagassutslipp og nedbygging av natur og matjord. Det er en linje her. Jeg prøver å være konsistent. Jeg prøver å si hva vi mener i enhver anledning, og prøver å ikke bryte ut av et prinsipp her. Like kjent er det at SV mener at fellesskapets midler i større grad burde gå til å finansiere en opprustning av jernbanen, mer kollektivtrafikk i byene og lyntog mellom de store byene i Norge. Norge. Skal vi lykkes med å få gods- og persontrafikk over på bane, må vi satse mer på nettopp bane enn motorveier. Det foreslåtte veiprosjektet i denne proposisjonen er et eksempel på nettopp denne typen miljøfiendtlige og lite samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter, slik SV ser det. SV ser det. SV mener at i stedet for en ny firefelts motorvei med 110 km/t bør den eksisterende veien, med to/tre felt utbedres og hovedsakelig følge nåværende trasé, altså mer i tråd med det første forslaget som ble forlatt. Så enkelt, men altså så vanskelig er det. Når budsjettene behandles her i salen, er det motorveier som igjen kommer på banen. Jeg la merke til at komitélederen vår, Orten, gjestet SV med en liten forundring over at vi ville ha det opprinnelige alternativet med nedskalert utgave. Det er det meste SV kan tilby, sa Orten, kø og uframkommelige veier – omtrent noe slikt. Det er vel litt på grensen til uredelighet når SV har klare alternativer. Vi ønsker altså at vi skal bygge for tog først, med hyppigere avganger, elektrifisering i dette tilfellet. Og så får vi se, etter at det er bygd ut for tog, etter at vi har fått et bedre tilbud på skinnene, hvilket behov vi har for firefelts vei i framtiden. Jeg er klar over at elektriske biler kommer. Det skulle bare mangle. Alle kjenner til det nå.

Vi prøver også å ha en konsistent holdning mellom lokallag, fylkespartier og opp til Stortinget. Det fører til at vi har hatt lik avstemning og like merknader stort sett hele veien. Samme vurdering som jeg nå hadde, har vi også av den planlagte utbyggingen av Også den strekningen bør utbedres med utgangspunkt i traseen som finnes i dag, og ikke bygges som ny firefelts vei – av de samme grunnene som nevnt for strekningen Ranheim–Åsen. Det er på denne bakgrunn SV fremmer forslaget som jeg herved tar opp. Representanten Arne Nævra har teke opp det forslaget han refererte til. Nok en trønder som

Men jeg ser to utfordringer med at vi nå bygger Ranheim–Åsen. Den ene er at man får et stort problem med nullvekstmålet for biltrafikken i Trondheim. Trondheim er akkurat i disse dager i forhandlinger med Samferdselsdepartementet om en byvekstavtale. Den tilsier at vi ikke skal øke biltrafikken noe i forhold til i dag. Når man får en så god vei og at vi ikke skal øke biltrafikken noe i forhold til i dag. Når man får en så god vei og økt kapasitet på denne veistrekningen, kan det helt klart være fristende for bilistene å kjøre helt inn til Trondheim. Det som er beskrevet litt i proposisjonen, og som politikerne i Trøndelag er veldig opptatt av, av, er at bomstasjonen på Ranheim blir opprettholdt slik at den kommer inn i porteføljen til miljøpakken. Miljøpakkens formål er å opprettholde visjonen om nullvekst på biltrafikken i Trondheim. Det kan gjøres ved at det blir en god overgang til et kollektivsystem inn til Trondheim. Den andre utfordringen som flere har nevnt her, er jernbanen som går

og særlig mellom Trondheim og Værnes. Der bør det etableres et flytog. Det er ca. 20 000 biler, ÅDT, som kjører Trondheim–Værnes i dag, og man tror at kanskje 30–40 pst. av disse bilene skal til Værnes for å parkere der. De skal ikke videre, for ingen klarer å ta med seg bilen på flyet. Den skal stå der parkert, bilene som man helt klart bør la stå hjemme, og så heller kjøre med tog eller buss inn til Værnes. Toget har helt klart stor kapasitet og kan være et veldig bra miljøtiltak hvis dette nå gjennomføres, for å hindre at Trondheim blir overfylt av biler og isteden kan utvikle seg som en miljøvennlig by. Så det håper vi blir en følge av denne veibyggingen. Man kan ikke bare la trafikken øke og øke. Det blir helt klart mer trafikksikkert. Vi har skumle tunnelløsninger i dag, vi tåler ingen tunnelbrann i disse lange tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal. Vi bør også kunne avlaste med tanke på at det i dag begynner å bli ganske mye kø på enkelte tidspunkt i uken. Derfor hilser vi dette velkommen – og i tillegg trafikksikkerheten til

Jeg fikk gleden av å sitte på i en 1976-modell Cadillac Eldorado på strekningen nordover gjennom Åsen. Vi stoppet i Verdal, der jeg fikk kjøre videre med en lastebil. Det var helt åpenbart at dette var veistrekninger det var grunnlag for å ønske seg bedre, og jeg er glad for at vi i dag står her og vedtar at nå skal vi bygge. Det har ikke bare vært lett å komme hit. Det har vært mange skjær i sjøen. Det ene er selvsagt at prosjektene er store og kostbare og det er vanskelig å finne penger, men det har også vært en veldig kraftig lokal motstand mot å bygge E6 nordover, en vil heller ha den sørover. Nå er jeg glad for at vi skal få på plass både E6 nordover og E6 sørover, raskere enn det som har vært planlagt og lagt til rette for før. Nytteverdien av å få på plass nord først er også størst. Vi har måttet kjempe med Arbeiderpartiet i Trondheim, som ikke ville ha byvekstavtale i byen hvis denne veien ble bygd ut. Nå er jeg glad for at vi får begge deler. Jeg konstaterer at de reformene vi har gjennomført i veisektoren – med å kunne bygge bedre, raskere og billigere – nå gir resultater. Men spoler vi tre år tilbake i tid, var advarslene klare: Den reformen som vi gjennomførte, ville sette veibyggingen tiår tilbake i tid. Nå ser vi heller at vi kan snakke om tiår med framskyndelse. At vi nå vedtar 42 km med ny vei, er mye i seg selv. Tatt i betraktning av at E18 gjennom Vestfold har blitt bygd ut med ca. 4 km i året og E39 fra Stavanger til Sandnes med ca. et par kilometer i året, er det mye vi nå vedtar på en gang. Men det som er vel så viktig så viktig med tanke på å se framtidsrettet, er at vi nå får en vei som er fire felt på hele strekningen og i all hovedsak 110 km/t. Det er noe annet enn det som lå på skrivebordet da vi overtok. Da var det snakk om to- og trefeltsvei. Det som er ekstra gledelig, er at vi får en lang veistrekning med høyere fart og kapasitet, men til en lavere pris enn det som forelå da vi overtok. overtok. At prislappen har gått fra 12,7 mrd. kr – som var Vegvesenets anslag for en to- og trefelts vei og delvis firefelts – til nå en kostnad på 11,43 mrd. kr, med altså økt kapasitet og høyere fart, viser at Nye Veier klarer å levere i rollen sin. Jeg vil skynde meg å legge til at Vegvesenet har vist at ved de reformene og endringene vi har gjort, kan også de levere på samme måte. Det handler om å gi større frihet til til å kunne gjennomføre lengre strekninger og faktisk være mer framtidsrettet. Det som Vegvesenet er i gang med på E6 i Helgeland, der vi snakker om 16 mil med ny vei, er også formidabelt bra. Her har vi også sett at det å fokusere mer på nettopp kostnader, men også på nytte, har gitt resultater, for denne veien var i utgangspunktet samfunnsøkonomisk ulønnsom. Gjennom de endringene som vi har gjort, har altså både kostnadene gått ned og nytteverdien gått kraftig opp, og den er nå samfunnsøkonomisk lønnsom. Derfor tror jeg det for mange på borgerlig side gir litt ekstra tilfredshet når vi kan vedta denne veien, for den viser så mange positive resultater av en veireform som fire partier var for, men som opposisjonen var imot. Dette er ett av bevisene på at det var fornuftig å gjøre det vi planla i utgangspunktet. så mange positive resultater av en veireform som fire partier var for, men som opposisjonen var imot. Dette er ett av bevisene på at det var fornuftig å gjøre det vi planla i utgangspunktet. Det er riktig som representanten Gunnes sier: Vi har ikke ennå satt spaden i jorda, og det skal bygges. Men der vi ser at Nye Veier er i gang, har de også levert godt så langt. Det er viktig at vi jobber videre med å holde kostnadene nede. Både Vegvesenet og Det gir mulighet for å tenke seg at bompengene gjerne kan bli enda lavere enn det som ligger inne nå, og at vi gjennom låneordninger og lignende ser på å få taksten lavest mulig. Det er avvik mellom den taksten som er foreslått, og det som er vedtatt lokalt, altså lavere takst foreslås her i salen i dag enn det som lokale vedtak har bygd på. Jeg håper at vi, innen det åpner, kan se enda en reduksjon.

og hjemstedet mitt er Stjørdal. Selv om det nå blir 20 pst. for samtlige, er det en avtale som enkelte er ganske bekymret for, så for noen blir det mye verre enn det er i dag, og spesielt for dem som har dette som arbeidsvei. for, så for noen blir det mye verre enn det er i dag, og spesielt for dem som har dette som arbeidsvei. Til representanten Helge Orten, som sier at vår bompengebekymring ikke er reell: Vi ba om en utredning i NTP om alternativ veiprising, og det hadde vært fint om regjeringen også så på dette som